Arbeidsgruppens vurderinger er gjennomgått av administrasjonen og presidentskapet og har ledet fram til dagens innstilling. I tillegg foreslår presidentskapet noen endringer i den hensikt å klargjøre og forbedre enkelte av reglementets bestemmelser. Dessuten følger presidentskapet opp Stortingets vedtak av 12. april i år, hvor presidentskapet ble bedt om å ta initiativ til endring av reglementet for det økonomiske registeret, slik at selskapsinteresser som representantene eier, må føres opp her, uavhengig av verdi. Det innebærer fjerning av terskelen for å registrere selskapsinteresser i § 9 på 1 pst. av selskapskapitalen eller 1G i verdi. Man skal registrere selskapsinteressene, enten det er én eller tusen aksjer, for å si det sånn. I tillegg skal navnet på selskapet man har interesser i, oppgis til registeret. Presidentskapet foreslår at det også inntas i bestemmelsen at selskapets ansvarsform skal oppgis. Det er opplysninger som bidrar til å informere om økonomisk ansvar og risiko knyttet til investeringen, og kan dermed også gi en indikasjon på graden av tilknytning til selskapet. Presidentskapet mener forslaget derved imøtekommer GRECOs anbefaling om at registeret skal gi mer informasjon om økonomiske forpliktelser. Så foreslås det å fastslå gjeldende praksis i § 9 nytt annet ledd som Aksjer som eies indirekte gjennom et selskap som har til formål å investere i f.eks. aksjer, andre verdipapirer, næringseiendom eller eventuelt shipping, skal ikke oppgis. Det er tilstrekkelig å oppgi at man eier aksjer i det navngitte investeringsselskapet, og at dette selskapet har til formål å investere i andre selskap. Denne registreringsplikten for indirekte eierskap av selskapsinteresser ble innført i registerets reglement i 2012. Det daværende presidentskapet så det som naturlig å avgrense opplysningsplikten. Presidentskapet sa i Innst. 21 S for 2012–2013: «Men det kan ikke kreves en detaljert redegjørelse i flere ledd. For eksempel vil en henvisning til at et selskap investerer i aksjer, andre verdipapirer og/eller eiendom i andre selskaper være tilstrekkelig. Dersom allmennheten ønsker utfyllende opplysninger vil slike kunne innhentes i andre offentlige kilder.» Denne uttalelsen, som ligger til grunn for gjeldende praksis, er også sitert i dagens innstilling. Grunnen til at opplysningsplikten er ment å være avgrenset mot underliggende selskapsinteresser som eies av et investeringsselskap, er selvsagt ikke at man vil skjule eierinteressene, men at man vil unngå at registreringsplikten skal bli for omfattende og uhåndterlig. Oppføringen av investeringsselskapet i registeret synliggjør at selskapet driver investeringsvirksomhet. Det er den viktige informasjonen, fordi man kan gå til Regnskapsregisteret – Brønnøysundregistrene – og få informasjon om hvilke selskapsinteresser dette selskapet eier, da det framgår av kvartalsrapporter og årsregnskap, som innsendingspliktige foretak skal sende inn. Dette er imidlertid ikke informasjon som I tillegg finnes slik informasjon på flere av investeringsselskapenes nettsider. Det finnes også søkbare databaser, som f.eks. proff.no, som gir opplysninger om selskapsinteresser på bakgrunn av informasjon i offentlige registre. Stortinget vedtok i juni 2015 å be regjeringen fremme forslag om et norsk offentlig eierskapsregister. Når et slikt register er på plass, vil informasjon om reelt eierskap kunne gjøres enda lettere tilgjengelig for offentligheten. Så de som tror det er mulig å skjule sine eierinteresser bak et investeringsselskap, vil altså forregne seg. Hvorfor så ikke kreve at den enkelte representant løfter disse opplysningene inn i registeret? Fordi det vil være et krav som det kan være svært vanskelig å holde oppdatert for den enkelte representant. Det kan handle om investeringsporteføljer som endres ofte, kanskje fra dag til dag hvis investeringer i aksjer og verdipapirer er en del av selskapets formål. Dessuten vil det ikke gi ytterligere informasjon om representantens eierinteresser enn det som allerede er tilgjengelig. Det vil i realiteten være en dobbelt registrering. Det er også bedrifter som har aksjeporteføljer på børsen, og som man er indirekte eier i om man eier aksjer i denne bedriften. Det kan være en produksjonsbedrift. Her vil samme problem oppstå om registreringen skal kreves i flere ledd. Det vil rett og slett være opplysninger som endres hurtig, og som man som indirekte eier vanskelig kan ha oversikt over. Det finnes også pensjonsspareordninger som er en blanding av bank- og aksjesparing – også det er et eksempel på en indirekte eierinteresse som det ikke vil være praktikabelt å skulle redegjøre for i annet ledd. I § 8 foreslås at eiendom i næring, eid av et selskap som en representant eier eller er medeier i, skal oppgis til registeret. Samme selskap vil også være registreringspliktig etter § 9 om selskapssinteresser. Dette blir en unødvendig dobbeltregistrering, og det bør være tilstrekkelig å synliggjøre den økonomiske interessen gjennom registrering av eierinteressen i selskapet. Registreringsplikten for vedkommende eiendom etter § 8 foreslås derfor opphevet. Næringseiendom som er eneeid eller eies i et sameie, vil imidlertid fortsatt være registreringspliktig etter Presidentskapet foreslår at eierformen skal spesifiseres også ved registrering etter § 8. Etter gjeldende reglement skal eierinteressene ikke føres i registeret med beløp, verdi eller mengde. Som oppfølging av GRECOs anbefaling om å føre opp flere av de registreringspliktige forholdene med beløp foreslår presidentskapet at vederlag for selvstendige oppdrag over 50 000 kr skal oppgis med beløpets størrelse. Det samme gjelder økonomiske støtte som en representant måtte motta i tillegg til sin godtgjørelse, forutsatt at støtten utgjør mer enn 50 000 kr per år. For øvrig foreslås det å inkludere vederlag som registreringspliktig økonomisk ytelse i § 7. Det gjelder først og fremst vederlag som mottas i forbindelse med overdragelse av en virksomhet, og som utbetales over flere år avhengig av virksomhetens resultater. Visse ytelser fra tidligere arbeidsgivere er registreringspliktige etter § 5. Det skal nå nevnes eksplisitt i bestemmelsen at dette også omfatter lån. Presidentskapet foreslår at oppmerksomhets- og jubileumsgaver fra eget parti eller partigruppe ikke skal være registreringspliktig. Siden det er fremmet forslag om det motsatte, vil jeg minne om at poenget med registeret er å være åpen om forhold som kan skape mistanke om bindinger som kan påvirke representantens arbeid med sakene. Vi antar at gaver fra egen gruppe eller partiorganisasjon neppe faller i denne kategorien. Tilknytningen til giver burde være åpenbar og uten potensial for interessekonflikt. Det foreslås derfor at oppmerksomhets- og jubileumsgaver fra egen partiorganisasjon unntas fra registreringsplikten for gaver i men det er selvsagt ikke forbudt å føre det opp om man følger det tryggest. Plikten til å registrere verv og økonomiske interesser er den samme for representanter og vararepresentanter. Presidentskapet foreslår imidlertid at vararepresentanter unntas fra plikten til å spesifisere selvstendige inntektsbringende oppdrag over 50 000 kr. En eventuell selvstendig inntektsbringende virksomhet ved siden av stortingsvervet forutsettes å være en bigeskjeft som en fast møtende representant kan velge å utføre, mens det for en vararepresentant formodentlig vil være en hovedinntektskilde, som ikke kan velges bort. Med dette anbefaler jeg presidentskapets innstilling. Det er

investeringsselskap. Det er ein vanleg metode, dels fordi det kan gjere det enklare å organisere ein betydeleg portefølje, men òg fordi det kan ha skattemessige fordelar, som presidentskapet sikkert er kjent med. Det er òg slik som Dagbladet har skrive om, at det òg på Stortinget – naturleg nok, vil eg seie – er representantar som gjer det på den måten.

registeret». På bakgrunn av det fremjar vi eit forslag om ein annan ordlyd i § 9 som òg inkluderer investeringsselskap, sjølvsagt ikkje om ein f.eks. har aksjefond eller andre typar fond, men den typen selskap som er ein vanleg måte å organisere nettopp slike interesser på som det vedtaket av 12. april gjaldt. Dersom det skulle vere dei som meiner at det er dumt å vedta over bordet ein annan ordlyd enn den presidentskapet har hatt anledning til å jobbe med, fremjar vi òg eit subsidiært forslag, som lyder: «Stortinget ber presidentskapet komme tilbake med forslag til endringer av Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser, som sikrer at alle selskapsinteresser, uavhengig av verdi, føres opp i dette registeret.» Det vil i så fall gje ei anledning til å sjå nærmare på kva for ordlyd som best varetek det Så fremjar vi òg forslag om ei anna beløpsgrense i forslaga til endringar i § 3 tredje ledd og § 7. Paragraf 3 gjeld honorar som vi tek imot, og § 7 gjeld ulike typar bistand frå organisasjonar, selskap eller andre. forslaga til endringar i § 3 tredje ledd og § 7. Paragraf 3 gjeld honorar som vi tek imot, og § 7 gjeld ulike typar bistand frå organisasjonar, selskap eller andre. Innstillinga lyder på at grensa skal vere på 50 000 kr – frå éin gjevar. Det er eit ganske stort beløp. Det betyr f.eks. at ein kan ta imot til saman svært store honorar som kvar for seg er på under 50 000 kr. Viss eg kan bruke meg sjølv som eksempel, sidan eg har ei spalte i ei avis som Eg vil ikkje synast det er urimeleg om det er krav til at eg skal gje opp at eg er spaltist i den avisa. Eller viss ein tenkjer seg ein annan type bistand – lat oss seie at ein stor norsk arbeidstakarorganisasjon, f.eks., skulle gje betydeleg støtte til ulike typar hjelp til politisk arbeid: Eg ville ikkje synast at det er urimeleg om det – om det ligg litt under 50 000 kr – skal gjevast opp. Det er i tillegg slik at summane vi snakkar om der, kan vere store. Så vi vil føreslå at det òg her vert brukt ei grense på 2 000 kr, som er den gåvegrensa vi elles brukar når det gjeld å gje opp ting i Stortingets register. Når det gjeld spørsmålet om registreringsplikt for gåver frå partiorganisasjonen, vil eg seie meg fullt ut einig med representanten Hansen. Det kan neppe vere snakk om bindingar som skaper problematiske lojalitetar – kanskje kunne ein snarare seie det motsette, at det kan vere positivt for partilojaliteten å få ei gåve i ny og ne. Men kanskje illustrerer det litt forskjellen i tenkinga. Vi tenkjer slik at det er klokt å ha openheit, med mindre det skulle vere særlege argument mot openheit, altså det prinsippet som offentleglova i Noreg er bygd på. «Meir offentlegheit» heiter det prinsippet som vanlegvis har mens her er det kanskje – får eg inntrykk av – lagt til grunn eit motsett prinsipp, at vi ikkje treng openheit om dette, med mindre nokon i særleg grad har dokumentert at det er eit problem. Eg trur ikkje det vil skape stor frykt om vi må gje opp det. Eg har sjølv i nokre samanhengar teke imot gåver frå partiorganisasjonen, i spesielle settingar. Eg har inga stor frykt for å måtte gje opp det. Det er utgangspunktet mitt. Eg vil likevel seie at det

Åpenhet: Det er en gruppe som lager humorsnutter en finner på nettet som heter Svart Humor, som har en veldig morsom sekvens der de har intervjuet folk på vestkanten, først om hva de skal stemme ved høstens valg, noe ingen vil svare på, for det er en privat avgjørelse. Så kommer de til Grønland, der jeg bor, og intervjuer folk, og alle forteller hva de skal stemme. Så spør de samme folkene på vestkanten om ganske private, intime ting om deres seksualliv, som de gjerne forteller, men som folk på Grønland blir kjempeprovosert av at man faktisk spør om. Så åpenhet er litt ulikt oppfattet i ulike kulturer, og sjøl i denne byen – bare med noen kilometers avstand – oppfattes åpenhet veldig ulikt. Men i denne salen bør vi ha klare regler på hvor åpenheten egentlig ligger, og prinsippet om meroffentlighet bør være det grunnleggende prinsippet også på denne delen. Åpenhet knyttet til politikeres økonomiske interesser er en av grunnsteinene til tilliten i et hvilket som helst demokrati. Det at det ikke skal være mulig å skjule ting, og at det skal være «meråpenhet», er ganske viktige prinsipper for å få tillit også hos borgerne. Derfor støtter jeg alt det Bård Vegar Solhjell sa i sitt innlegg. Jeg er litt skremt av at man tenker at investeringsselskap kan være en måte å skjule eierskap som egentlig kan være ganske aktivt og nært. Det er – da har man et ganske fjernt forhold til det – men i et investeringsselskap kan man ha et ganske aktivt forhold til sitt eget eierskap. Vi er skeptiske til at det kan være brukt for å skjule hvor man har et pågående aktivt eierskap. Så må jeg innrømme at vi ble litt for sene, for vi hadde egentlig lyst til å levere et alternativ til SVs forslag om ville heller gjort det til en 6 000-kronersgrense, for det er det som er det skattepliktige, og da hadde skattereglementet slått inn på samme sted som opplysningsreglementet til Stortinget, og det tror jeg hadde vært klokt. Fordi vi ikke rakk det, i en litt stresset hverdag, kommer vi til å stemme for 2 000-kronersregelen til SV, men vi mener egentlig at her skulle man hatt et prinsipp om at dette fulgte det en skal oppgi til skattemyndighetene, og at det en skal oppgi til Stortingets Stortingets myndigheter, også var etter den samme regel. Vi kommer til å stemme for alle forslagene som SV har lagt fram i salen i dag. La meg først få lov til å si at jeg synes det er

blir framført av representanten Hansen omkring § 9 om investeringsselskap. Det kan være komplisert, og det kan nok være endringer som ganske raskt skjer innenfor et slikt selskap, som gjør at det kan bli komplisert og tidkrevende å kunne oppgi interessene korrekt til enhver tid. På den

dersom en skal oppgi det ene, men ikke det andre. Så det at du skal oppgi investeringsselskapet, men ikke interessene i investeringsselskapet, kan i en del sammenhenger bli oppfattet som skeivt, og en burde nok etter Senterpartiets mening ha falt ned på et litt annet punkt enn det en her har gjort. Så er jeg enig i at når det gjelder aksjefond, verdipapirfond og slike ting, som er et helt nøytralt eierskap uten noen personlig tilknytning, er det helt greit. Men for investeringsselskap er Senterpartiet er usikker på om en har funnet den rette balansen. Så har jeg et spørsmål som gjelder 50 000-kronersgrensa for vederlag. Hva er begrunnelsen for å velge 50 000 kr, og hvordan står det til f.eks. regelverket for valgkampbidrag til partiene og måten det oppgis på? Hvilket samsvar er det med det regelverket? Der er også Senterpartiet usikker i § 7 om det er den riktige grensa å forholde seg til. Vi skulle nok helst ha ønsket at dette hadde blitt utsatt og gjennomgått i forbindelse med regelverket som for øvrig skal gjennomgås på Stortinget nå, men dersom det ikke er mulig å få flertall for det i dag, kommer vi nok til å stemme for forslagene SV har framlagt i

Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av SV. Vi mener det er i tråd med den innstillingen som vi har behandlet tidligere, og som vi fullfører i dagens innstilling.

Jeg føler at vi alle er enige om at vi skal ha åpenhet om økonomiske interesser som noen kan mistenke kan gi bindinger og påvirke vårt arbeid her. Spørsmålet er da: Hvor mange ledd skal man kreve registrert i Stortingets register av ting som er registrert i andre offentlige registre? registre? Det høres ut som man først og fremst tenker på situasjoner hvor representanten selv oppretter et investeringsselskap for å forvalte en formue, men det finnes en lang rekke investeringsselskap som man kan ha andeler i, og det kompliserer kravet om opplysninger i andre ledd, utover at det

det det bes om, uten å måtte komme i en situasjon hvor man har en løpende oppdatering – i prinsippet fra dag til dag hvis det er aksjer man investerer i, og hvis man driver «day trading». Det tror jeg vil bli ganske upraktikabelt. Så er spørsmålet: Hvorfor 50 000 kr? Vi har ikke noe vitenskapelig grunnlag for det. Tanken var at det skal være av noe omfang. Det er vel omtrent 0,5G. Så her kan man et tall. Jeg vet ikke om spaltistinntektene til Solhjell er det beste eksemplet, for det er en ganske åpen aktivitet som der bedrives. Tanken er mer å forsikre oss om at ikke noen har bindinger i form av avlønninger eller tjenester som det ikke er

Dette kan sikkert terpes og diskuteres framover, men min anbefaling er at vi vedtar dette i dag, får kvittert ut tilbakemeldingen til GRECO, og så kan utvalget som skal gå igjennom forretningsordenen, selvsagt også ta opp de spørsmålene som partiene måtte bringe inn. Eg er

praktisere det på ein rimeleg måte. Eg er òg definitivt einig i at i alle former for registrering av økonomiske interesser ligg det litt «styr», for å bruke eit folkeleg uttrykk. Det er jo litt «styr» å registrere alt ein får, i dagens gåveregister òg. All type økonomisk openheit har det ved seg, men då må ein vege det at det er noko arbeid knytt til det mot den og så må ein finne praktikable løysingar. Eg trur det er openbert for alle at ei dag-til-dag- eller sekund-til-sekund-rapportering ikkje er ei god og praktikabel løysing, og det har då heller ikkje vi som forslagsstillarar på nokon måte meint. Men at løysinga er å late vere å registrere – ein måte som har vore vanleg og i bruk – synest eg er synest eg er å gå i den motsette grøfta. Når det gjeld representanten Arnstads påpeiking av at det må kunne finnast eit balansepunkt der ein faktisk registrerer det, men finn ein måte der ein praktiserer nokre gjevne tidspunkt for det – kanskje skal ein òg skilje mellom ulike typar investeringsselskap – er eg i tvil om det, men det er verdt å sjå på det. Eg vil gjere merksam på at det no finst eit forslag på bordet som ikkje utset det som har med GRECO-anbefalingane å gjere, men som ber presidentskapet sjå nærmare på akkurat det punktet vi no diskuterer, og der fleire innlegg her viser ei viss usikkerheit. Det er vårt forslag nr. 6, som altså ber presidentskapet kome tilbake med eit forslag på dette punktet, om register for verv og økonomiske interesser, som «sikrer at alle selskapsinteresser, uavhengig av verdi, føres opp i dette registeret». Det ville gje presidentskapet moglegheita til å gå tilbake igjen, sjå nøyare på det og ta det innover seg. seg. Viss eg får lov å ta det med, er det òg eit tema her som er verdt å merke seg og det er at alle partia i Stortinget sit ikkje i presidentskapet. Det er rett og slett som følgje av dommen frå veljarane – at dei som er minst av oss, ikkje gjer det. Men det er verdt å merke seg at dei partia som ikkje sit i presidentskapet, alle på ulike måtar har hatt kritiske merknadar. Då kunne det iallfall vere ein idé til ein ny runde å ha noko prosess mot dei andre partia for å sjå om det kan bidra til ei forankra løysing i staden for ei løysing der det er dei fleste, som sit i presidentskapet, som stemmer for – ikkje alle heller, skjønte eg no – mens dei som ikkje sit der, stemmer mot. Mitt råd ville vere at viss representanten Hansen og resten av presidentskapet vil vere rause overfor Stortinget, kan dei få igjennom stort sett alt dei har gjort av arbeid, no. Dei kan få gjennomført GRECO-anbefalingane. Men på det punktet vi no diskuterer – der det er tydeleg at det er litt ulike syn og vi leitar etter balansepunktet – kan ein utsetje det og kome tilbake igjen med eit forankra forslag som kanskje finn det på ein betre måte. Til slutt om 2 000 kr eller 6 000 kr: Det er ikkje så godt å seie kva som er riktig grense. Eg er ganske overtydd om at 50 000 kr ligg eit stykke over det dei fleste vil sjå på som eit honorar som er litt meir enn Om grensa er 2 000 kr eller 6 000 kr – eg synest representanten Skei Grande argumenterte ganske godt for at ein skal følgje skattegrensa. Ein kunne òg argumentere for – for enkelheits skyld for oss representantar – at grensa skal vere på 2 000 kr for det som gjeld gåver. Eg trur berre vi lèt forslaget stå no, men til seinare rundar kan det vere argument for å justere det, slik representanten Skei Grande argumenterte for.

visse mothensyn. For det første tror jeg man har kommet i skade for å overføre en del av resonnementene fra skattelovgivningen – hva skattemyndighetene skal bry seg med for å beregne riktig inntekt. Det er ikke det spørsmålet som er oppe her. Representanten Hansen var nettopp inne på at det åpenheten skulle gjelde, var bindinger som kunne tenkes å virke inn på representantenes stemmegivning, altså noe som rett og slett ville påføre dem begrensninger i utøvingen av representantskjønn. Da vil man forstå at det å ha en aksje eller to eller det å være spaltist – med mindre man skal minne offentligheten om at man skriver såpass godt at man får noe på trykk på den måten, og at man får betalt for det – ikke er aktuelt i den sammenhengen. Jeg vil anta at representanten Solhjell ikke ville føle at hans uavhengighet gikk fløyten om han hadde større inntekter av det. Det ville for øvrig være ham vel unt. Solhjell brukte seg selv som et eksempel, og jeg har sett at han ikke søker gjenvalg. Jeg vil tro at han har mye å hente ved å prøve virkeligheten utenfor dette rommet, og at han kanskje også vil returnere som en bedre representant. Det jeg vil si om dette forslaget, er at det er et utmerket stykke arbeid hvis man legger vekt på symbolpolitikken i politikken. Men det er ikke virkningsfullt hvis man virkelig er ute etter det som representanten Hansen var ute etter, nemlig være åpne om forhold som kan bety bindinger for representantene. Da vil jeg også minne om at hvis det var virkelig substansielle forhold man var ute etter å regulere, kunne man jo ta for seg hvorfor offentlighetsloven ikke gjelder for stortingsrepresentantene. Inhabilitetsreglene gjelder ikke, og det er det meget gode grunner til at til at de ikke gjør, men da må man ikke argumentere som om dette er et ledd i en meroffentlighet. Jeg vil også si at det er underlig at man heller ikke har kunnet finne frem til en bagatellgrense. Det betyr jo at det blir mye ekstra arbeid for å registrere interesser som det ikke knytter seg noen som helst offentlig interesse til. Og da har man åpnet et nytt frontavsnitt, nemlig: Hva skjer hvis man glemmer å få innregistrert endringer som man knapt har tenkt på, nettopp fordi de er så betydningsløse? Da kommer man selvfølgelig i avisen. Det er jo ikke slik at man utrydder muligheten for mistenkeliggjøring. Nei, da blir man selvfølgelig mistenkeliggjort fordi man ikke har vært à jour med innberetningen til de funksjonærene som vi må ansette for å holde rede på dette.

Ingen har bedt om ordet.
Marit Nybakk,

1. januar 2012, videreføres tidligere regelverk og praksis. Stortingets presidentskap oppnevner lønnskommisjonens leder og to andre medlemmer for fire år. I «Utfyllende regler for kommisjonens virksomhet», fastsatt av presidentskapet 21. juni 1996, med senere endringer, står det som følger: «Kommisjonens oppgave i henhold til Stortingets vedtak er – med Stortingets samtykke å fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.» La meg understreke at lønnskommisjonens vurdering og fastsettelse skjer på fritt grunnlag, altså uavhengig av presidentskapets vurdering, og det har vært viktig at de er et selvstendig organ som gjør dette i forhold til

for å kartlegge lønnsutviklingen i norsk arbeidsliv, både fra privat og fra offentlig virksomhet. Kommisjonen viser også til den enigheten som det har vært om nivået på årets oppgjør, og som i tidligere år har lønnskommisjonen lagt vekt på den forventede årslønnsvekst ved Lønnskommisjonens innstilling innebærer en årslønnsvekst i 2016 for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer på 2,4 pst. Dette er med utgangspunkt i beregnet årslønnsvekst i så vel statlig og kommunal som i privat sektor. Vi merker oss at lønnskommisjonen i årets innstilling framhever at samfunnsutviklingen det siste året, med økende arbeidsledighet og synkende oljepriser, har bidratt til et mer moderat lønnsoppgjør i 2016 enn tidligere år. Den gjennomgående rammen på årets oppgjør, som er på 2,4 pst., legges på den bakgrunn til grunn for lønnskommisjonens forslag, og på denne bakgrunn anbefales presidentskapets

Når man regulerer lønn med prosent, får de med høy lønn alltid mye mer og større vekst enn de som har lav lønn. 2,4 pst. av 800 000 kr kjennes på et annet vis enn 2,4 pst. av 200 000 kr. Det vil særlig de som tjener 200 000 kr skrive under på. Derfor fremmer vi et forslag der godtgjørelsen fastsettes basert på lønnsveksten en gjennomsnittlig heltidsansatt ville fått med 2,4 pst. lønnsvekst. Og så har vi lagt det oppå det stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister tjente og fikk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

I proposisjonen foreslår departementet å oppheve medieeierskapsloven. Det er stor grad av samstemmighet i denne saken, og forslaget får støtte fra en samstemt komité. Stortinget har nylig vedtatt endringer i konkurranseloven, som er viktig når vi nå opphever medieeierskapsloven. Vi mener konkurranseloven, med de endringene som nå er vedtatt, vil ivareta hensynet til mediemangfold i forbindelse med oppkjøp og sammenslåinger av medieselskap. I proposisjonen foreslås det også en ny lov om åpenhet om eierskap i medier som opprettholder Medietilsynets oppgaver knyttet til allmennhetens innsyn i Komiteen er enig med departementet i at dette vil kunne bidra til å understreke viktigheten av åpenhet om eierforholdene i mediebransjen. I innstillingen foreslår Arbeiderpartiet at det innføres en særbestemmelse i konkurranseloven som gir anledning til å vurdere mediemangfold i tillegg til de rene konkurransehensyn i forbindelse med foretakssammenslutninger på medieområdet. Jeg går ut fra at Arbeiderpartiets representanter selv redegjør for forslaget. Jeg vil bare fra Kristelig Folkepartis side understreke at vi mener konkurranseloven vil være godt egnet til å ivareta hensynet til mediemangfold også uten å innføre en slik

dreier seg om noe så alvorlig som demokratiets infrastruktur. Så ser vi landskapet an og erkjenner at det ikke er flertall for dette synet i denne salen. Derfor har vi valgt å støtte forslaget fra regjeringen, men vi vil samtidig forsøke å bidra til åpenhet og å fremme ytringsfrihet, de reelle ytringsmulighetene, og et allsidig medietilbud. Derfor har vi foreslått en egen bestemmelse om at Konkurransetilsynet i saker om mediemarkeder kan gripe inn dersom en foretakssammenslutning fører til markedsandeler over 30 pst., og da med nødvendig fleksibilitet til å endre den i forskrift. Et differensiert medieeierskap er avgjørende for å sikre en sterk ytringsfrihet. ytringsfrihet. En svekkelse av eiermangfoldet vil bl.a. kunne føre til mer ensretting av redaksjonelt stoff, som følge av utvekslingsavtaler og andre redaksjonelle avtaler. Vi frykter at det hensynet ikke i tilstrekkelig grad ivaretas i departementets forslag, og det er derfor vi har foreslått denne bestemmelsen. Vi skulle sterkt ønsket at flere partier kunne vært med på dette. Med dette fremmer jeg Arbeiderpartiets forslag.

Når det gjelder eierskapsreguleringer konkret, slår regjeringen fast at den ønsker å tilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mangfold. Jeg har forstått at Medietilsynet fortsatt skal ha en rolle når det gjelder å bidra til åpenhet og kunnskap om eierforhold i norske medier. Vil innhold og profil i en avis være lik uansett om det er LO, Livets Ord, Trygve Hegnar eller Berlusconi som eier avisen? Har det noen betydning for demokratiet om disse kontrollerer samtlige medier som dekker politikk og samfunnsutvikling i en region eller i hele Norge? De avgjørelsene som eierne har innflytelse over, påvirker innholdet i media. eksempel er det eierne som ansetter ansvarlig redaktør, fastsetter økonomien og ressursmessige rammevilkår og foretar en rekke strategiske valg for virksomheten. Påvirkninger fra eierne direkte eller indirekte er imidlertid ikke enkelt å påvise. Hvordan skal man f.eks. avdekke om en avis unngår å skrive ufordelaktig om egen eier? Så eierkonsentrasjon i media kan medføre en innskrenkning av ytringsfriheten. For at en ytring skal bli lest eller hørt, må det eksistere tilgjengelige kanaler hvor ytringen slipper til. Med internett har vi fått en situasjon preget av overflod av ytringsmuligheter og informasjon. At alle i prinsippet nå kan komme til orde, kan ses som en styrking av demokratiet. Samtidig er det ikke vilkårlig for gjennomslagskraften om budskapet fremmes på Twitter, i Dagsrevyen eller i lokalavisen som er alene i sitt område – eller om den som twitrer, heter Jens Stoltenberg eller Solveig Torsvik. Det er fortsatt stor og stabil oppslutning om tradisjonelle medier, og muligheten til å produsere innhold gir ikke automatisk innflytelse. Vi ser at det er hierarkisk rangering innenfor enkelte medier, og noen anses som mer viktige enn andre. I de redigerte mediene er det ingen allmennrett å få slippe til. Derfor er det her eierskapsreguleringen har hatt størst betydning. Forskningsarbeid i Norge og internasjonalt peker på at behovet for en regulering snarere øker enn minsker som følge av den teknologiske utviklingen. Økt konsentrasjon og konsolidering i bransjen, framvekst av nye flaskehalser og nye måter for å låse mediebrukerne til f.eks. programvare, gjør at eierskap fortsatt Et nylig eksempel i et av våre naboland illustrerer hva som kan skje når mektige personer får stor kontroll i media. I fjor sommer avslørte den britiske avisen The Guardian at ansatte i konkurrenten News of the World, som eies av Murdoch, i en årrekke har telefonavlyttet både offentlige og private personer. Kan man se for seg at slike forhold ville blitt avdekket i en avis med samme eier som News of Neppe. I kjølvannet av saken er det igangsatt flere tiltak i Storbritannia, bl.a. granskes forholdet mellom Murdoch-familien og britiske politikere. Mye tyder på at gjensidige tette bånd har hatt konsekvenser både politisk og journalistisk. Vi vet hvem som eier norske medier i dag, men vi kan ikke si noe om framtiden. Endringer i eierskap skjer raskt og kan få store konsekvenser. kan vanskelig reverseres i ettertid dersom den viser seg å ha negative konsekvenser. Et argument som har vært fremmet mot loven, er at eierskapskapsbegrensningene medfører at utenlandske eiere favoriseres framfor norske.

Teknologiske endringer og endrede brukervaner har også ført til nye formidlingsplattformer, som i sin tur har resultert i etablering av nye bedrifter. Med endrede konkurranseflater er det utfordrende å rigge et treffsikkert lovverk. Senterpartiet er som kjent ikke medlem av komiteen og har dermed ikke deltatt i drøftingene under behandlingen av saken, men vi har merket oss at sjøl om et klart flertall av høringsinstansene støtter forslagene i proposisjonen om å oppheve dagens lov, har bl.a. Norsk Journalistlag Journalistlag vært kritisk og bekymret for at en avvikling av medeierskapsloven vil gi et uforutsigbart regelverk på området. Særlig gjelder det oppheving av konkrete terskelverdier i gjeldende lov, som ikke på samme måte er definert i konkurranseloven. Senterpartiet er, i likhet med Arbeiderpartiet, bekymret for at hensynet til mediemangfold ikke i tilstrekkelig grad ivaretas i departementets forslag, og støtter derfor forslaget fra Arbeiderpartiet om at det i tillegg til de øvrige endringene i også innføres en særbestemmelse med hjemmel til å vurdere hensynet til mediemangfold. Senterpartiet ser det som klokt å gi Konkurransetilsynet en hjemmel til å gripe inn dersom en foretakssammenslutning vil lede til markedsandeler over 30 pst., slik det er definert i Arbeiderpartiets forslag. Senterpartiet støtter med det forslagene i proposisjonen samt mindretallsforslaget fra Arbeiderpartiet. Regjeringen ser det som en sentral oppgave å verne om mediemangfoldet. Å fremme mediemangfold er

Det er ikke likegyldig hvem som eier de kanalene vi bruker for å ytre oss, diskutere, innhente informasjon og orientere oss i samfunnet. Men det er ikke det diskusjonen i dag dreier seg om. Debatten i dag dreier seg om hvordan målet om mediemangfold kan fremmes på en måte som er effektiv, og som ikke legger unødvendige I dag behandles oppkjøp og sammenslåinger på medieområdet av to tilsyn etter to ulike regelverk. Det er dårlig ressursbruk både for staten og for mediesektoren. Jeg er derfor glad for at en enstemmig komité slutter seg til forslaget som ligger til behandling i dag. Ved å oppheve medieeierskapsloven samles tilsynsansvaret under Konkurransetilsynet, og aktørene får ett tilsyn og ett regelverk å forholde seg til. Det vil gjøre fusjonskontrollen på medieområdet både mer kostnadseffektiv og mer treffsikker. Når konkurransemyndighetene vurderer et oppkjøp eller en fusjon, vil de allerede i dag se på konsekvensene for både pris og produktkvalitet. Hensynet til mediemangfoldet er en viktig del av denne kvalitetsvurderingen. Stortinget har nylig vedtatt endringer i konkurranseloven som vil gjøre loven enda bedre egnet til å sikre mediemangfoldet. Det er derfor jeg ikke ser noen grunn til en ny bestemmelse om mediemangfold i konkurranseloven sånn som det er foreslått fra mindretallet. Samtidig har tiden gått fra medieeierskapsloven. Loven forhåndsdefinerer markeder og eierskapsgrenser basert på hvordan mediesektoren så ut på slutten av 1990-tallet. Men siden den gangen har mediebransjen gjennomgått store endringer preget av teknologiske utviklinger, endrede brukervaner og nye konkurranseflater, og endringene fortsetter i stadig økende tempo.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

Kroppspress blant barn og unge er en av de faktorene som gjør at unge mennesker føler krav om å lykkes på alle områder. Komiteen mener det er sannsynliggjort at det er sammenheng mellom kroppspress og dårlig psykisk helse. 85 pst. av unge jenter og 30 pst. av unge gutter, ifølge SIFO i 2014, Det er alvorlig, spesielt at jenter opplever dette. Komiteen har forelagt saken til uttalelse i helse- og omsorgskomiteen, i og med at forslaget ligger i skjæringspunktet mellom disse to komiteene. Det er ikke kommet inn ytterligere merknader til saken fra dem. Komiteen mener det er behov for mer forskning på hva som påvirker barn og kunnskap om hva som beskytter barn, og hva som gir dem styrke til å takle press, krav og forventninger. Komiteen mener at skolen og helsetjenesten må samarbeide godt for å sikre elever, barn og unge trivsel og helse, sett fra flere perspektiver. Skolen er en god arena for å bidra til at barn og unge opparbeider seg styrke og ulike strategier for å stå imot kroppspress. Komiteen deler seg i forslag til vedtak. Jeg vil redegjøre for flertallets innstilling og regner med at mindretallet redegjør for sin. Flertallet i komiteen støtter at vi som politikere må ha oppmerksomhet omkring de utfordringer kroppspress gir barn og unge. Vi mener videre at alle departementer som har berøringspunkt mot denne gruppen, aktivt må se etter muligheter for å avhjelpe problemene gjennom politiske initiativ. Flertallet i komiteen mener, i likhet med Landsgruppen av helsesøstre, at retusjert reklame vil ha begrenset effekt på opplevd kroppspress og i tillegg være vanskelig å regulere. Det samme flertallet mener at en kan starte så tidlig som i barnehagen med å jobbe for sunne holdninger om selvfølelse, mestring, tilhørighet, inkludering, respekt og anerkjennelse. For Arbeiderpartiet er det viktig å påpeke at i forbindelse med Meld. St. 44 for 2012–2013, Likestilling kommer ikke av seg selv, pågikk det et utredningsarbeid knyttet til merking av retusjert reklame, dette i regi av Statens institutt for forbruksforskning. I så måte anmodes det om at rapporten og regjeringens vurdering av denne framlegges for Stortinget på egnet måte. Arbeiderpartiet gjør som resten av komiteen: Vi støtter intensjonen i forslaget, og sammen med Kristelig Folkeparti ber vi regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om hvordan kroppspress blant barn og unge reelt kan begrenses.

Jeg vet at guttene i reklamen til Abercrombie & Fitch kan få unge gutter og menn med pappakropp til å fortvile, og personlig er jeg ikke udelt begeistret for å prøve bikini i prøverom dekorert med bilder av supersexy modeller iført samme type badedrakt som jeg febrilsk prøver å trekke over en blek, men fattet mammakropp. Jeg vokste opp i en tid da Hennes & Mauritz-reklamen var det mest massive vi ble utsatt for. Det var en annerledes tid enn i dag. kan alle selvrealisere seg på nett i blogg og i realitetsshow. Møtet med det som noen forsøker å definere som det perfekte, blir så massivt og fører til at noen barn og unge får helseplager av det. Høyre har ikke stilt seg bak forslaget om å merke retusjerte bilder. Vi mener at dette ikke er et målrettet tiltak, det ville rett og Denne regjeringen styrker helsestasjonene. Vi vil skape rom for at dette, sammen med andre emner, kan tas opp i skolen, og vi gjør psykisk helsearbeid om til en likeverdig del av folkehelsearbeidet. I tillegg vil vi støtte Venstres forslag nr. 6, om å ta dette opp målrettet i ungdomshelsestrategien, og forslag nr. 3, fra Kristelig Folkeparti, om å få mer I tillegg til alt dette, til forskning, til holdningsarbeid, må vi også – og dette gjelder oss alle – være tydelige voksenpersoner i møte med barn og unge. Dette gjelder i skolen, på helsestasjonen, i psykisk helsevern, men er vel så viktig i møte med våre egne barn. Min pappa pleide å si til meg at jeg skulle gjøre som han sa, og ikke som han gjorde, men på dette området holder ikke det. Skal vi bygge opp trygge barn og unge med selvrespekt og selvtillit nok til å møte de idealene med holdningen «jeg er god nok – og meg selv», må vi faktisk også vise det ved egen praksis.

Den rivande teknologiske utviklinga har også ført til at vi har fått ta del i i overkant mykje av det som skjer, og kva kvart barn og kvar ungdom held på med. Ein «snap-ar», legg ut bilete på Instagram, Facebook og andre sosiale arenaer, og nye dukkar opp heile tida. Ja, påverknaden er for mange svært stor – stor nok til ikkje å føla seg god nok eller fin nok på mange område. Vi har ei stor utfordring, og vi treng mykje meir kunnskap om dette. Vi må sikra oss at barn og unge ikkje blir skadelidande på grunn av press. Vi som foreldre må vera støttande, og vi må tora å bry oss om kva som skjer i kvardagen til barna og ungdomane. Å sjå til andre land og kva dei gjer på dette området, er også noko vi må ta med oss. Det er fleire land vi kan samanlikna oss med, og ungdomane og barna er opptatt av omtrent det same. Regjeringa er opptatt av helsa til barn og unge. Eg viser til folkehelsemeldinga, at psykisk helse skal få ein større plass. I primærhelsemeldinga viser ein også til at ein vil betra det førebyggjande og helsefremjande tilbodet til barn og unge. Auken har vore stor i dei frie inntektene til kommunane dei siste åra, nettopp for å styrkja både helsestasjonar og skulehelsetenesta, inkludert

Men som eg har nemnt før: Vi som foreldre har også eit ansvar for å bry oss og kanskje tora å blanda oss lite grann inn i barn og unges opplevingar av kroppspress. Vi støttar dei same forslaga som Høgre refererte til.

med en egen sak til Stortinget om hvordan kroppspress blant barn og unge reelt kan begrenses. Dersom det er slik at noen ikke har tro på akkurat de forslagene som ligger på bordet her, men ønsker å gjøre en jobb for å begrense kroppspress, håper jeg at vi ser deres alternative, konkrete forslag til tiltak raskt. Kristelig Folkeparti fremmer fire forslag. Det første handler om nei til at annonsører tar i bruk retusjering og virkemidler for å sikre at reklamen ikke viser urealistiske og usunne skjønnhetsidealer. At det er en sammenheng mellom slik reklame og kroppspresset i samfunnet, mener I likestillingsmeldingen er et utredningsarbeid knyttet til merking av retusjert reklame i regi av Statens institutt for forbruksforskning omtalt. Ifølge statsråd Horne ble rapporten ferdigstilt våren 2014, og som vi skriver i innstillingen, forventer vi at «rapporten og regjeringens vurdering av denne fremlegges for Stortinget på egnet måte».

og om den ivaretar målet om å gi barn og unge trygge rammer i oppveksten. Kristelig Folkeparti støtter på denne bakgrunn forslagsstillernes forslag om å be regjeringen foreslå endring av markedsføringsloven for å gi barn reell beskyttelse mot reklame og for å hindre kroppspress og de negative konsekvensene dette har for barns psykiske helse.

kroppspress, dårlig selvbilde og årsakssammenhengene bak alt dette. Det betyr ikke at myndighetene ikke allerede i dag besitter mer enn nok kunnskap om denne samfunnsutviklingen til å ta utfordringene på alvor. Vi mener regjeringen nå bør ha to tanker i hodet samtidig: både sørge for mer kunnskap og sette i gang arbeidet – og gjøre et konkret arbeid – for å motvirke kroppspress mot barn og unge i det offentlige rom. Folkeparti støtter forslagsstillerne i at det er naturlig og nødvendig at denne tematikken inkluderes i arbeidet med ungdomshelsestrategien. Derfor fremmer vi følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame generelt, og reklame i offentlige rom spesielt.» Vi er glad for at det Vi er glad for at det ser ut til at også dette forslaget kan få flertallets stemmer i dag. Jeg tar opp de forslagene Kristelig Folkeparti har fremmet i denne saken. Og så vil jeg også varsle at Kristelig Folkeparti kommer til å stemme subsidiært for Venstres forslag nr. 5 og

I den same rapporten svarar 85 pst. av unge jenter og 30 pst. av unge gutar at dei opplever kroppspress, og dei svarar sjølve at reklame har anten stor eller størst påverknadskraft på kroppspresset dei opplever. Barn og unge vert gjennom stadig fleire medium og i gatebiletet utsette for reklame som

Kroppspress frå reklame er eit problem som eg difor meiner er godt dokumentert, og som opptar breie lag av samfunnet – som vi òg skriv i forslaget. Hensikta med forslaget er at ein frå Stortinget si side gjer meir for å sjå på samanhengen og setja inn tiltak.

par kommentarar til svaret frå statsråden med omsyn til forslaga som låg i sjølve representantforslaget, spesielt dei to siste av desse, om korleis ein kan regulera dette i marknadsføringslova. Når det gjeld å få slike tiltak inn i den varsla

problematisert og ein er usikker på korleis ein skal kunna regulera dette betre. Så til statsråden sitt svar om at det ikkje er hensiktsmessig å endra marknadsføringslova: «Å forby reklame med urealistiske eller usunne skjønnhetsideal for å motvirke kroppspress vil skape store utfordringer knyttet til den nærmere grensegangen.» Vidare: «Dagens markedsføringslov skal først og

Når det gjeld marknadsføringslova og helse, er det i dag regelverk som skal hindra reklame direkte mot barn og unge når det gjeld usunn mat, så her er eg heller ikkje einig i svaret frå statsråden.

stiller seg bak det ein samrøystes komité skriv om at det er sannsynleggjort at det er ein samanheng mellom kroppspress og psykiske helseutfordringar, og at det er behov for meir forsking om kva som påverkar helsa og sjølvbiletet til barn og unge, og om årsakene til at barn og unge opplever kroppspress. Me er òg samde med Kristeleg Folkeparti, som peikar på alvoret i SIFO-undersøkinga, der så mykje som 85 pst. av unge jenter svarar at dei opplever kroppspress frå reklame. Det er òg bakgrunnen for røystegjevinga til Venstre i denne saka i dag. Venstre kjem til å støtta Kristeleg Folkeparti sitt forslag nr. 3 og intensjonen i forslag nr. 4. Me har fremja eit alternativ til forslag nr. 4, som me forstår kan famna noko breiare. Når forslaga om konkrete endringar i marknadsføringslova, viser me til svaret frå statsråden om at det er ein del utfordringar knytte til desse forslaga til oppmodingsvedtak, både på grunn av grensegangen for kva som kan reknast for usunne, urealistiske skjønnheitsideal, og når det gjeld Noregs EØS-rettslege forpliktingar. Me ønskjer derimot å omformulera Kristeleg Folkeparti sitt forslag nr. 1 til eit Det er mindre brukt i Stortinget i dag enn tidlegare, men det er eit mindre forpliktande forslag, som vert oversendt regjeringa utan at det vert votert over realiteten i innhaldet. Det inviterer regjeringa til å sjå nærmare på problemstillinga, og det vonar me regjeringa og regjeringspartia ønskjer – òg med tanke på dei samrøystes merknadene eg nemnde innleiingsvis. Med dette tek eg opp

destruktivt. For den som aldri føler seg bra nok fordi damen på plakaten er en figur du aldri kan nå, er det vanskelig. Ikke engang hun selv kan nå bildet av damen på plakaten, fordi damen på plakaten er retusjert – ofte til det ugjenkjennelige – og når ikke idealene kan leve opp til seg selv, ja, da kan det bli vanskelig å skulle leve opp til idealene. Men selvtilliten retusjeres ikke av den grunn. Avstanden mellom speilbildet og selvbildet kan være en uoverkommelig avgrunn. Selv om man slett ikke er overvektig, viser undersøkelser at veldig mange unge føler seg for tykke, de føler seg ikke komfortable og trygge på sin egen kropp. Mennesker som er misfornøyd med seg selv, er stor butikk. Det finnes en krem for hver kroppsdel – i hvert fall om du er kvinne – og en blir fortalt at om en bare kjøper «riktige» klær og «riktig» sminke, blir en også «riktig». Vi vet at plastisk kirurgi øker i omfang, og unge mennesker blir fortalt at det en ikke er fornøyd med, kan faktisk fikses. Pupper kan pumpes opp, lepper kan pumpes opp, og fett

Samtidig er det viktig at kjønn, kropp og grensesetting som tema berøres i bred og vid forstand i barn og unges liv. Derfor må vi ha nok helsesøstre, vi må ha en god seksualundervisning, vi må ha trygge og tilgjengelige voksne som kan være med og sortere løgn fra sannhet, og som kan være med på å gjøre dem trygge på at de er bra nok sånn som de er. Vi må ha en skole som fremmer kritisk tankegang og refleksjon. Men det vil alltid være forskjell på å være bevisst og å være immun. Den massive påvirkningen virker inn. Jeg er glad for at vi har samlet oss om det representantforslaget som blir behandlet her i dag. Jeg vil gjerne bruke anledningen til å takke alle de ungdommene og ungdomsorganisasjonene som i dag utgjør en motkultur, og som er en motstrøm. motstrøm. De har klistret opp lapper over retusjert reklame og har brukt tid og krefter, helger og kvelder, på at unge skal bli sinte på skjønnhetstyranniet, og ikke på seg selv. De krever respekt for den de er, og for det de gjør, og ikke bare for hvordan de ser ut, hvordan de kler seg, og hvordan de ter seg.

et urealistisk kroppspress, et press som i det daglige tar form av så vel uuttalte krav som eksplisitte oppfordringer om at de skal se slik eller sånn ut for å være vellykket og kul. Det er ingen hemmelighet at reklamebyråer som får i oppdrag å selge et produkt, ofte knytter produktet til og det er heller ingen hemmelighet at sex selger. Når bilder av allerede syltynne eller muskuløse modeller manipuleres digitalt for å gi inntrykk av enda smalere midje eller enda større muskler, blir figuren et oppkonstruert og virkelighetsfjernt ideal som betyr profitt for noen, men som for vanlige mennesker – og særlig ungdommer – betyr: Du er ikke god nok. Dette rammer noen av de mest sårbare blant oss. Miljøpartiet De Grønnes mål med politikken er å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det krysspresset som de unge utsettes for, drives fram av den samme iveren etter forbruksøkning som også er det som fører til at vi driver rovdrift på natur og ressursgrunnlag. For å øke forbruket av alt fra klær og kosmetikk til solarium og støttemedlemskap i treningssentre blir det godtatt at ungdommens psykiske helse blir slengt i kverna. Ungdom og barn blir utsatt for reklame som fokuserer på kropp og utseende overalt hvor de ferdes. Flere representanter har pekt på forskningen som viser i hvor stor grad særlig unge jenter, men også unge gutter, føler kroppspress. Det er ikke et medmenneskelig samfunn. Vi kan ikke sitte stille og se på at en stor del av ungdommen vår tror at kroppen deres ikke er bra nok. Dette er en typisk oppgave for oss på Stortinget. Derfor har vi, sammen med Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti, lagt fram et representantforslag med fire helt konkrete, fullstendig gjennomførbare og faglig veldokumenterte for å ta tak i dette. Motforestillingene mot å gripe inn i lovverket og justere det når det gjelder dette problemet, er litt vanskelige å forstå. Vi har ingen problemer med å regulere reklamen når det gjelder røyk, alkohol, legemidler og andre ting som også er helseskadelige. Vi kan åpenbart gjøre det på dette området også. En innskjerping av markedsføringsloven § 2 vil ikke bare kunne løfte noe av vekten av skuldrene på dem som sliter, det vil også bane vei for et sunnere og mer inkluderende samfunn. Det er ingen som vil forby bilder av vakre mennesker, men det vil alltid være rikelig med påminnelser for de fleste av oss om at noen andre ser finere ut enn det vi gjør selv. Det vi ikke trenger,

Vi kommer også subsidiært til å støtte de to forslagene som Venstre har fremmet, og hvis jeg oppfattet det riktig, foreslo representanten Breivik fra Venstre at forslag nr. 1 endres til et oversendelsesforslag. Det synes vi er konstruktivt, og vi vil støtte det. Det er et viktig tema som tas opp i representantforslaget, og jeg deler komiteens vurdering av at det er alvorlig at unge mennesker opplever kroppspress. Som

Det er åpenbart også en sammenheng mellom kroppspress og dårlig psykisk helse, og regjeringen har et stort trykk på arbeidet med psykisk helse. I folkehelsemeldingen slår regjeringen fast at psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet, og regjeringen vil, som det også framkommer av primærhelsemeldingen, bedre det forebyggende og helsefremmende tilbudet til barn og unge i kommunene.

Videre pekes det på behovet for mer kunnskap om hva som beskytter barn, og hva som gir dem styrke til å takle press, krav og forventninger. Folkehelseinstituttet kan vise til en økning i psykiske plager blant barn og unge og mener også at det trengs mer kunnskap om årsaker. Derfor er jeg glad for at Helsedirektoratet har bestilt forskning fra ulike miljøer om stress, press, Det vil også være viktige kilder til den kunnskap komiteen etterlyser. Jeg ser også på muligheten for å benytte forskningsressurser fra mitt departement på dette feltet. Skolen er en viktig arena for å bidra til at barn og unge opparbeider seg styrke og strategier for å stå imot presset. Komiteen mener skolen og helsetjenesten må samarbeide for å sikre elevenes trivsel og helse, noe jeg støtter fullt ut.

Disse forutsetningene påvirkes og skapes primært på andre arenaer enn i helsetjenesten. Det skjer på skolen, på universitetet eller høgskolen, i hjemmet, på fritidsarenaer og på arbeidsplassen. Strategien vil bl.a. belyse hvordan man kan sikre tilgjengelighet, kapasitet og godt koordinerte tjenester til ungdommen. Problemstillinger knyttet til psykisk helse og samfunnets press er to av flere sentrale områder i strategiarbeidet.

Det vil være vanskelig å sette de grensene mellom hva som kan, eller ikke kan, skape problemer. Det er dessverre slik at vi ikke alltid kan forby alt vi ikke liker. Reklame som skaper kroppspress, kan allerede i dag være forbudt etter markedsføringsloven § 2, forutsatt at tiltaket også innebærer en krenkelse av grunnleggende moraloppfatning eller likestilling mellom kjønnene. kjønnene. Jeg stiller spørsmål ved om en ytterligere regulering av denne typen markedsføring vil være formålstjenlig. Jeg merker meg også at Landsgruppen av helsesøstre i høringen uttalte at merking av retusjert reklame vil ha begrenset effekt og vil være vanskelig å regulere. Jeg har også lyst til å påpeke at et forbud må vurderes nøye opp mot Norges EØS-rettslige forpliktelser. Jeg tenker da særlig på direktivet om urimelig handelspraksis, som setter grenser for hvordan vi regulerer reklame. Dersom et lovforbud ikke strider mot EØS-forpliktelsene, blir neste spørsmål om det er hensiktsmessig å regulere dette i markedsføringsloven. I den forbindelse vil jeg nevne at dagens markedsføringslov først og fremst skal ivareta forbrukernes økonomiske interesser, ikke Derfor mener jeg det viktigste vi nå kan gjøre for barn og unge, er å satse på et godt helsetilbud og å styrke de unges egen evne til å motstå press. Det blir replikkordskifte. I mitt innlegg viste jeg til likestillingsmeldingen og at det i likestillingsmeldingen er

Kommer regjeringen til å legge fram en sak til Stortinget på bakgrunn av denne rapporten, eller på hvilken egnet måte vil statsråden komme til Stortinget med dette? Den SIFO-rapporten som representanten viser til, var et utredningsarbeid som ble igangsatt av daværende statsråd, Inga og jeg har også tidligere sagt at jeg ikke har sett grunnlag for å prioritere å legge fram den som en enkeltstående rapport til Stortinget. Det temaet som vi diskuterer i dag, kroppspress og hva vi kan gjøre for å motvirke det og hjelpe barn og unge som blir utsatt for det presset, er det som har vært regjeringens prioriterte oppgave. Det har vært styrking av helsetjenesten, skolehelsetjenesten og psykologtjenesten, og det er den ungdomshelsestrategien som blir lagt fram om kort tid av helseministeren, der feltet kroppspress vil være en aktiv del av strategien. Så har jeg lyst til å nevne et oppdrag som vi har gitt til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, som heter Livsmestring i skolen. De fikk et oppdrag om å se på hvordan dette kan komme inn mer i skoleverket. Jeg ser fram til å få en rapport om dette fra dem i løpet av våren. Jeg håper jo ikke at det er fordi det var den forrige regjeringen som ønsket en slik rapport,

regjeringen tar på alvor. Jeg mener at regjeringen leverer på både forebygging, hjelp og tiltak overfor de barn og unge som trenger noen å snakke med, og som trenger hjelp. Det å få på plass mer kunnskap om dette feltet er noe som vi gjør både gjennom den satsingen vi har gjort på helsestasjonene og skolehelsetjenesten, og ikke minst også gjennom den ungdomsstrategien som det nå jobbes med, og som blir lagt fram om kort tid.

Når ein les § 21 i marknadsføringslova om god marknadsføringsskikk overfor barn, står det i punkt b at ein i vurderinga bl.a. skal leggja vekt på om reklamen «spiller på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit». Eg kan ikkje sjå at den regelen i dag omhandlar økonomiske interesser, som statsråden seier at marknadsføringslova berre regulerer. Meiner statsråden at dagens marknadsføringslov er feil, og at ein da vil fjerna desse reglane, viss eg kan forstå statsråden rett? Som jeg også sa i innlegget mitt, kan reklame som skaper kroppspress, allerede i dag være forbudt etter markedsføringsloven § 2, dersom det også innebærer en krenkelse av grunnleggende moraloppfatning eller likestilling mellom kjønnene. kjønnene. Ytterligere reguleringer vil neppe ha noen hensikt, og som Landsgruppen av helsesøstre sa i sitt høringssvar, tror de merking av retusjert reklame vil ha begrenset effekt, og at det i tillegg vil være svært vanskelig å regulere. Det vil altså være vanskelig å vite hvordan et slikt forbud skal reguleres eller utformes, og hvilken markedsføring det egentlig er som skaper kroppspress.

Eg må spørja om igjen, for eg fekk ikkje svar på spørsmålet. Eg spør om § 21 i marknadsføringslova der det står: «Når markedsføring overfor barn vurderes etter § 2, skal det blant annet legges vekt på om markedsføringen» «spiller på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit» Dette er jo ein del av dagens lov, det er ikkje snakk om ei ny regulering. regulering. Eg synest det er usikkert om statsråden vil retta seg etter dette, eller om statsråden meiner dette er noko som er umogleg å regulera. Så spørsmålet mitt er: Vil statsråden og regjeringa sørgja for at § 21 i marknadsføringslova

blir fulgt. Så lenge vi har et lovverk for dette, skal det følges. Statsråden sa i sitt innlegg at hun er skeptisk til å forby reklame som kan skape kroppspress, og viste til at denne typen reklame kanskje allerede er forbudt. Da er det naturlig å spørre statsråden om hvilke grep hun vil ta for at dagens og det er naturlig å spørre hvilke andre grep enn å begrense reklame statsråden vil ta for å bekjempe kroppspress. Etter markedsføringsloven kan reklame som skaper kroppspress, være forbudt allerede i dag, og som jeg sa i mitt tidligere svar, har vi et forbrukerombud som skal passe på at markedsføringsloven blir fulgt. Det er et ansvar de tar på alvor. Det er, som jeg også har sagt, ikke alltid det er det mest hensiktsmessige å forby alt vi er uenig i, eller som vi ikke liker. Jeg mener det som er viktig nå, er å gi barn og unge kunnskap om kroppspress, om reklamen og hva de blir utsatt for, og det blir også gjort et arbeid inn mot skoleverket for å skape trygge barn og unge med selvtillit. Samtidig er det viktig at vi satser på helsestasjoner, skolehelsetjeneste, psykologer, slik at de barna som sliter, får den hjelp og oppfølging de trenger på dette feltet.

Det har f.eks. også vært oppe i Stortingets spørretime ved flere anledninger, der politikerne har vært skjønt enige om at her må noe gjøres. Det er bra, og det er også bra at det er på tvers av partigrensene. Jeg mener vi tar utfordringene seriøst. Fenomenet «kroppspress» har også vokst enormt i antall medieoppslag. En gjennomgang viser at det har skjedd en stor endring i I 1990 knyttes kroppspress til å være fanatisk opptatt av kroppen. I dag beskrives det som noe utenfor oss selv, som øker fra uke til uke, og som kan forårsake spiseforstyrrelser, depresjon, angst og andre psykiske lidelser. Videre ser vi at eksperter, journalister, politikerne og andre voksne som kommuniserer kroppspress, snakker som om det ikke gjelder oss selv, og at det er ungdommen som er mest utsatt. Men ungdommen selv er like entydig i det. En jente som har skrevet i Aftenposten, sier: «Vi har nådd punktet hvor du er forpliktet til å føle kroppspress.» Vårt utgangspunkt er at kroppspress er noe som skapes mellom mennesker. Det opprettholdes og forsterkes ved at vi snakker og skriver om det, og fysiske lidelser som spiseforstyrrelser trenger ikke ha noen kobling til kroppspress. Kroppspress er noe som oppstår og utspiller seg mellom folk, men slik omtales ikke kroppspress i store oppslag som jeg har lest. Tvert imot: Media, politikerne, disse ekspertene, frivillige organisasjoner og andre gjør kroppspress til noe som fører til store plager, spesielt blant ungdom. Kroppspress har derfor blitt noe som må bekjempes for å få bukt med alt som det er årsaken til, og det er mye som må bekjempes: Avisene skriver om bloggere som oppfattes som oppskriften på kroppspress. Lærerne siteres i media på at felles dusjing kan være kroppspress. Sanitetskvinnene hevder at retusjerte bilder er kroppspress. Når skolesvømmingen må endres fordi det finnes en viss risiko for at elevene kan oppleve kroppspress, kan de også bli oppmerksomme på at det å ha på seg badetøy kan være ekkelt. Jeg mener man trenger en annen forståelse av kropp – i stedet for panikk og bekymring kan mennesker, særlig ungdom, oppmuntres til å oppleve å være kropp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

og engasjement gir grunnlag for samarbeid om gode vedtak. Når det gjelder vedtak, må jeg minne om at det er utfordrende i komitéarbeidet når fire partier ikke sitter i komiteen. Dette gir, som vi ser i dag, gjerne mange forslag som kommer etter at innstilling er avgitt, og helt til i dag tidlig har det vært dialog om justeringer og om hvem som støtter hva. Det betyr også at det foreligger en del forslag som er til forveksling lik forslag fra andre. Jeg vil takke komiteen for dialog rundt meldingen og lovsakene og for gjensidig raushet og tålmodighet i en travel innspurt. Det gjelder selvsagt også dialogen med skyggene fra partier som ikke sitter i komiteen. Meldingen tar til orde for å skape et helhetlig, trygt og kvalitativt godt barnehagetilbud. Det er innholdet i barnehagen som omtales, og behandlingen av meldingen skal bl.a. danne grunnlag for arbeidet med ny rammeplan. Meldingen retter oppmerksomhet mot viktigheten av å skape trygghet for barna i barnehagen. Behandlingen av disse sakene i dag tar vare på dette, både gjennom lovmessig oppfølging og ikke minst med innspill til arbeidet med ny rammeplan. Meldingen påpeker videre viktigheten av å sikre god språkutvikling hos barna og at de tospråklige barna får god hjelp til å kunne samhandle med andre barn og voksne gjennom god språkutvikling i norsk. Dette gir et godt grunnlag for videre samhandling i nærmiljø og skolegang. Nettopp overgangen mellom barnehage og skole er et annet vektlagt tema. Erfaring viser at dette er en krevende overgang for mange barn, et hinder man må arbeide for å minimere. Også barna i de samiske barnehagene må sikres et tilbud basert på deres eget språk og deres kulturarv. Et klart og tydelig svar fra regjeringen i dette samlede arbeidet er å fortsette arbeidet med kompetanseheving i sektoren. Det ligger mange gode tiltak i meldingen som ikke vil bli kommentert her i salen i dag, og som støttes. Slik er den politiske debatten. For alle med et engasjement for innholdet i barnehagen vet jeg at de har funnet fram til og vil følge med videre på oppfølgingen av disse. De forslagene det er direkte uenighet om, eller som det er nyanser i forståelsen av, vet jeg vil bli rikelig og tydelig kommentert av de forskjellige partiene, så det skal jeg overlate til den enkelte talsperson. Jeg vil derimot kommentere noe omkring meldingen med utgangspunkt i Høyres behandling av saken. Regjeringen legger i meldingen opp til en tydelig innsats for å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet. De har tatt på alvor evalueringsresultatene, som sier at det er store forskjeller på kvaliteten mellom barnehagene, også innen kommunene. Dette vil en rette opp ved å samle barnehagene omkring noen viktige hovedlinjer. Vi vil ha trygge barnehager av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle. Dette høres naturlig nok ut som en selvfølge, men «høy kvalitet» har altså vist seg å være varierende og krevende. Vi vil ha en barnehage som gir alle barn et godt tilbud tilpasset den enkeltes behov. Vi vil at barnehagen skal være et sted for utvikling og læring, noe som skal føre til at når barna går videre til skolen, at når barna går videre til skolen, skal de være trygge på og fungere i samarbeid og samhandling med andre. Det er ingen tvil om at vi har mange svært gode barnehager og barnehagelærere i dette landet, og de har på en imponerende måte fanget opp og skapt grunnlag for gode holdninger til det mangfold av språk og kulturer en opplever i barnegruppene i dag. Nå er det viktig at vi også får et felles grunnlag for dette arbeidet i rammene rundt barnehagetilbudet. Barn er imponerende lettlærte når det gjelder respekt for og forståelse for at noen har forskjellig trosbakgrunn, kultur og dermed ulike tradisjoner å forholde seg til. En stor diskusjon har imidlertid kommet omkring hvordan en skal sikre god språkutvikling for barna gjennom barnehagen. Høyre mener det er viktig å ha klare mål for hva barnehagelærerne skal arbeide med i språkutviklingen. Noen har tolket dette dit hen at regjeringen ønsker testing, prøving og konklusjon for hvert enkelt barn, noe som aldri har vært beskrevet, omtalt eller ønsket fra vår side. En slik type barnehage er like fjernt for oss som for dem som har løftet den debatten, og våre merknader tydeliggjør dette. Jeg opplever at under diskusjonen om hvilke ord og uttrykk som benyttes, ligger det en felles forståelse for og et ønske om at det må finnes klare mål for arbeidet, som de ansatte kan forholde seg til. Også for foresatte er det en god hjelp å ha slike mål å forholde seg til. Det er forventningsavklarende og skaper godt grunnlag for samarbeid. Det er urovekkende når det fremkommer som en utfordring at mange av barna i barnehagene føler utrygghet i hverdagen sin. Nettopp trygghet i samvær med andre barn og voksne skal jo være barnehagens grunnleggende plattform. Dette ser vi på som så viktig at komiteen ber regjeringen fremme forslag om egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Trygge barn gir glade barn, og trygge og glade barn gir det beste grunnlaget for mestring, utvikling og læring. Det er gode barnehager som fungerer. Jeg er glad for at regjeringen også så tydelig har adressert at holdningsskapende arbeid mot mobbing skal være en del av dannelsen i barnehagen. Dette utfordrer både barn og unge på en god måte. Det viktigste «redskapet» i barnehagen er de voksne som er rundt barna. Høyre har i regjering vært tydelig på at en satsing på barnehage er lik en satsing på økt kompetanse. Dette har vært fulgt opp i budsjettene, og flere tiltak følges også opp i meldingen. En gjennomgang av barnehagelærerutdanningen for å styrke kvaliteten er et viktig tiltak. Barn endrer seg, omgivelsene endrer seg, og utdanningen må hele tiden oppdateres. Vi i Høyre er også glade for at det så tydelig legges opp til faglig oppdatering og spissing av kompetansen hos førskolelærerne, og at det også legges til rette for påbygging av kompetanse av de ufaglærte i barnehagene på en slik måte at de kan tilegne seg formell kompetanse i kombinasjon med arbeid. Forslagene omkring praksis i utdanningen på tvers av grunnskole og barnehage og tilrettelegging for hospitering hos hverandre i kommunene er viktige tiltak for å arbeide godt med tilrettelegging for en god overgang mellom barnehage og skole. Vi i Høyre er selvsagt klar over at fortsettelsen av arbeidet med voksentetthet og pedagogtetthet i barnehagen er et helt sentralt tema for å sikre kvalitet. Dette er imidlertid vedtatt og har på bakgrunn av sin åpenbare økonomiske konsekvens ikke fått vår støtte her. Det betyr på ingen måte at vi ikke står ved det vi tidligere har sagt, og det vet jeg statsråden vil følge opp. En kort kommentar også til lovproposisjonene: Jeg er glad for det samstemte ønsket om et tydelig og godt tilsyn med barnehagene og for det enstemmige vedtaket om en evaluering etter to år av om den endringen vi nå gjennomfører, er nok. Proposisjonene vil for øvrig bli kommentert av andre i fraksjonen. Jeg vil også komme tilbake med stemmeavklaring fra oss etter hvert som de forskjellige partiene har fremmet og begrunnet sine forslag. «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» er en melding som danner et godt grunnlag for arbeidet med ny rammeplan, og forslag som får flertall i salen her i dag, presiserer og utdyper dette. Jeg er glad for at vi har opplevd den store interessen og det store engasjementet. engasjementet. Jeg er glad for at Stortinget har flyttet oppmerksomheten fra kvantitet til kvalitet, og jeg er glad for at statsråden er så klar på at det viktigste er at vi gir barna våre et best mulig utgangspunkt for videre deltakelse i utdanning, samfunns- og arbeidsliv. Barnets beste må være en soleklar rettesnor, og vi som foresatte, ansatte, politikere eller andre må forholde oss til det.

Ingen skulle egentlig måles etter språknormen, og økte krav til dokumentasjon var egentlig ikke det, selv om det sto slik formulert i lovteksten. Utbyttebeskrivelse skal ikke stille noen krav til ungene. Nei, forskerne, tilsynet, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, FAU, Skolelederforbundet og tusenvis av barnehageansatte og en samlet opposisjon har bare misforstått. Hva tenker representanten Harberg om at en samlet bransje går imot regjeringens barnehagepolitikk? Hva er det regjeringen her har forstått, som bransjen selv ikke forstår? Jeg registrerer at noen kaller det som nå har skjedd, et opprør, og det kan det nok godt betegnes som, men når det betegnes som et opprør mot regjeringens politikk når hovedsaken har vært noe som ikke står i noen av de tre sakene vi behandler i dag, så er det ikke et opprør mot det regjeringen mener, da må en i hvert fall ta utgangspunkt i det som står i sakene. Der står det f.eks. helt klart at det ikke skal være dokumentasjon av det enkelte barn, at det ikke skal være økt dokumentasjon, men at det dreier seg om å legge til rette for god og felles aktivitet mot barnehagegruppene. Det har jo vært en av frontfortellingene i opprøret, og det har altså ingen rot i virkeligheten i de sakene vi har på bordet. Jeg registrerer at representanten fra partiet Høyre, i likhet med statsråden, fortsetter å tegne en historie om at folk bare har misforstått her. Men jeg tror bransjen selv, i likhet med opposisjonen i Stortinget, godt klarer å lese tekstene og derfor er bekymret for den retningen regjeringen går i. Men over til noe annet som representanten nevnte i innlegget sitt, nemlig at bemanningsnorm er vedtatt, men på grunn av de økonomiske konsekvensene vil ikke regjeringen si noe om det i dagens vedtak. Når man klarer å legge fram en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen, men hopper bukk over den fremste kvalitetsfaktoren i barnehagene, nemlig flere ansatte med riktig utdanning, så er denne meldingen et mageplask. At regjeringen ikke lytter, er vi vant til, men hva synes egentlig stortingsrepresentanten Harberg om at regjeringen velger ikke å følge opp Stortingets anmodningsvedtak fra desember i fjor, der Stortinget påla regjeringen å komme tilbake med en plan for hvordan denne bemanningsnormen skal nås innen 2020? Stortingsrepresentanten Harberg Stortingsrepresentanten Harberg har full tillit til at det kommer regjeringen tilbake til, men som Trettebergstuen meget godt vet, krever det penger å jobbe med en norm som skal ha større deltakelse av voksne. Jeg registrerer heller ikke at Arbeiderpartiet har lagt inn store summer til det når de nå behandler budsjett og revidert budsjett, så får vi se hvor mye de kommer med. Dette hører hjemme i budsjettet. Dette vil bli fulgt opp akkurat sånn som det er blitt bedt om, det har statsråden bekreftet, og det har vi bekreftet. Og så er det en liten nyanse når Trettebergstuen sier at det viktigste er flere ansatte. Ja, det er også viktig, men det viktigste er å sørge for at alle de som er der nå, får påbygging til å være gode barnehagelærere, og at utdanningene gir gode barnehagelærere, og så skal vi jobbe videre med både bemanningsnorm og pedagogtetthet. De har altså lagt fram en stortingsmelding om kvalitet i barnehagene, der flere ansatte med riktig kompetanse ikke nevnes med et ord. Men det også slik at

Statsråden har tidligere skrevet at man skulle se vedtaket om bemanningsnorm i sammenheng med likebehandlingen av økonomien i private og kommunale barnehager, men det skjedde heller ikke. Hvorfor kan ikke denne regjeringen fortelle Stortinget hvordan man skal oppnå bemanningsnormen i 2020? Regjeringen skal få lov til å svare for regjeringen. Det jeg med veldig rak rygg kan svare for, er at regjeringen i denne meldingen tar veldig på alvor å stille til rådighet de ressurser som skal til for at det skal være god kompetanse i barnehagen, og en har vært tydelig på at først skal vi jobbe aktivt for å gi de som vil ha påbygging, de som vil ha spisskompetanse, de som vil ha en formell utdannelse, en mulighet til å få det. Det er godt ivaretatt i tidligere budsjetter og også i denne meldingen, og det er et viktig første steg, og så skal vi komme tilbake til hvordan vi skal følge opp både bemanningstettheten og barnehagelærertettheten, og eventuelt annen barnefaglig kompetanse som har sin plass i barnehagen. Kristelig Folkeparti er veldig glad for at en samlet ber regjeringen fremme forslag om en egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø etter modell av opplæringsloven § 9 a, en lov som handler om hvordan man jobber med mobbing. Jeg må stille et spørsmål til representanten Svein Harberg. Når man innfører en sånn lov, skal den følges opp, og en av de viktige tingene hvis man skal kunne følge opp nye lover i barnehagen, er at man har nok kompetente voksne som er i stand til å følge opp de lover som dette huset vedtar. I dag er det et skrikende behov for en høyere bemanning i barnehagen. Hvordan ser man for seg at denne loven skal ha noen virkning dersom det ikke blir gjort noen ting i forhold til

i barnehagen, kan være krevende. Vi vet at det skjer, og vi tror nok at det i all hovedsak er ubevisste handlinger, men da skal en ha kompetanse til å se det og finne ut hvordan en skal følge det videre, hvordan en skal skape de holdningene hos barna ved å si at nei, vet du hva, sånn gjør vi ikke. Dette utfordrer de voksne i barnehagen til å gripe fatt i dette, de som er der nå,

misforståelse. Jeg tror ikke at det er barnehageopprørerne, som i stor grad jobber i sektoren selv, og som kjenner denne hverdagen bedre enn noen av oss i denne salen, som har misforstått. Det er regjeringen og høyresiden på Stortinget som igjen og igjen lar være å lytte til sektoren. Det kanskje beste eksemplet på det er det løpet som i utgangspunktet var lagt for å lage nye rammeplaner uten forankring i profesjon. Der har altså regjeringen vært tydelig på at de nye læreplanene for skolen skal lages i nært samarbeid med profesjonen selv. Men i barnehagene skal det plutselig ikke gjelde. Det er en farlig forbigåelse av den viktigste kompetansen vi har, nemlig de som gjør jobben Hvorfor synes representanten Harberg det er lurt å lytte til lærere i skolen, men ikke til barnehagelærere i barnehagen? Representanten Harberg synes det er lurt å lytte til alle innspill som kommer. Jeg har heller ikke avvist problemet som dette barnehageopprøret har frontet spesielt om enkeltbarn og språk. Jeg har bare sagt at det med dem i deres bekymring hvis det er en slik utvikling i barnehagen. Jeg kan lese fra Meld. St. nr. 19 for 2015–2016, her står det: «Målet er at språknormen skal bidra til å bevisstgjøre de ansatte i arbeidet med barns språklige utvikling gjennom barnehageårene. Den veiledende språknormen skal gi et felles referansepunkt for innsats i språkarbeidet i barnehagen, men det skal ikke settes opp resultatmål for enkeltbarnets utbytte.» Det er nettopp det som har vært påstått, at det sier regjeringen. Her står det helt klart i papirene at det skal ikke være det, og da sier jeg at det omtales noe som ikke står i sakspapirene, og det er ikke manglende respekt for dem som har sagt det – jeg skjønner deres bekymring, og den bekymringen ville vi også hatt. Replikkordskiftet er omme.

Eg vil fyrst og fremst takka komiteen for eit grundig og viktig arbeid med ei lovendring som gjeld dei aller minste og dei som har særlege behov. Det er ein samla komité som er opptatt av at alle barn fortener eit godt barnehagetilbod, uansett når på året ein er fødd eller om ein treng spesiell tilrettelegging av ulike grunner. Når det gjeld spesialpedagogisk hjelp, vil eg påpeika at dette bidrar til å sikra at barn får nødvendig hjelp for å avhjelpa vanskar og utfordringar, f.eks. knytt til språk og åtferd, på eit tidleg tidspunkt. Denne hjelpa kan òg bidra til å minska sjansen for at barnet seinare i utdanningsløpet vil ha behov for spesialundervising. Opplæringslovens utforming av vurderingstema og innhald er i stor grad knytt til spesialundervising for elevar og ikkje barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Barnehagelovutvalet føreslo i NOU 2012:1, Til barnas beste, derfor endringar i innhaldet i den sakkyndige vurderinga.

Dette vil gi ei meir logisk plassering av regelverket og gi eit meir heilskapleg og brukarvenleg regelverk. Departementet, på vegner av regjeringa, føreslår i proposisjonen enkelte endringar i gjeldande rett. av forslaga er at PP-tenesta skal støtta barnehagane i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Forslaget betyr at barnehagen kan få hjelp til å utvikla det ordinære tilbodet til barn med særlege behov. Med PP-tenestas bistand kan barnehagane bli sett betre i stand til å setja inn innsatsen tidleg. Regjeringa føreslår også at kommunens plikt til å leggja til rette barnehagetilbodet for barn med I tillegg fremjar departementet forslag om at barn og foreldre får klagerett til fylkesmannen på kommunens avgjerd om tilrettelegging. Regjeringa føreslår vidare at vilkåra for å ha rett til teiknspråkopplæring skal endrast. Endringa betyr ei styrking av retten til teiknspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder.

Vidare er det viktig å understreka at også barn under opplæringspliktig alder som ikkje går i barnehage, framleis skal ha lik rett til spesialpedagogisk hjelp som i dag. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjeld uavhengig av om ein går i barnehage eller ikkje. Det er også viktig å påpeika behovet for godt samarbeid med andre relevante kommunale tenester, under dette kommunens Regjeringas forslag vidarefører lovfesting av kommunens ansvar for å sikra at retten til spesialpedagogisk hjelp blir oppfylt. Ein føreslår også at det blir fastsett i barnehageloven at når foreldre ber om spesialpedagogisk hjelp til barna sine, har kommunen ei plikt til å sikra at PP-tenesta utarbeidar ei sakkunnig vurdering, og at kommunen deretter fattar eit vedtak. Ein samrøystes komité støttar dette. Det er viktig å er gjennom nasjonal lov og internasjonale konvensjonar sikra rett til å kunna delta i samfunnet på lik linje med funksjonsfriske. Det betyr at barn med nedsett funksjonsevne skal ha moglegheit til å delta i barnehage til liks med andre. I Noreg blir ca. 60 000 barn fødde årleg. Alle nyfødde i Noreg blir screena med tanke på hørselstap ved ein enkel test på barselavdelinga. Førekomsten av I tillegg kjem barn som får hørselstap på eit seinare tidspunkt. Det er ikkje kjent kor mange av barna med hørselshemming som går i barnehage, og det er generelt lite kunnskap om denne barnegruppa og tilbodet barna mottar i barnehagen. Men sidan rundt 97 pst. av alle fireåringar i Noreg går i barnehage, er det grunn til å tru at dei fleste barn med hørselshemmingar også går der. Tilbodet til barn med

spesialpedagogisk hjelp og teiknspråkopplæring. Regjeringa viser i den politiske plattforma si at ho vil arbeida for auka fleksibilitet i barnehageopptaket. Barnehagen er ein viktig samfunnsinstitusjon for svært mange, og retten til barnehageplass gir barn ein moglegheit til å delta i eit fellesskap og få moglegheit til å utvikla seg uavhengig av foreldras økonomiske eller sosiale situasjon. For mange foreldre er retten til barnehageplass avgjerande for deira økonomi og organisering av kvardagen. Eg er glad for at vi har ei regjering som ønskjer å leggja til rette for at fleire barn tidlegare kan nytta seg av retten til barnehageplass, og at regjeringa føreslår å gi fleire barn rett til plass ved å redusera ventetida for foreldre med barn fødde i september eller oktober. Dette er eit skritt i riktig retning.

Som mamma, bestemor og stortingspolitikar er eg glad for å representera ein komité som set innhaldet i barnehagen på dagsordenen med endringar i barnehageloven. På vegner av regjeringa har Kunnskapsdepartementet lagt fram proposisjonen med forslag til endringar i barnehageloven om tilsyn, dokumentasjon og vurdering, innføring av nemninga barnehagelærar og presisering av at departementet kan gi forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver.

endrast slik at nemninga «førskulelærar» blir erstatta med nemninga «barnehagelærar». Det føreslås også at det skal presiserast i barnehageloven at departementet kan gi forskrift om barnehagens innhald og oppgåver. Foreldras valfridom er viktig. Foreldra skal kunna velja om dei ønskjer å nytta seg av barnehage, og om dei gjer det, skal dei både kunna velja mellom ulike barnehagealternativ og ha påverknad på korleis barnehagen til deira barn

til å undersøkja saka og få moglegheita til sjølv å retta opp forholda før statleg tilsyn blir sett i verk. Utdanningsdirektoratet har også bedt om at regjeringa opplyser om kva som skal kunna forventast av kommunens oppfølging når Fylkesmannen sender over ein sak til kommunen. Kommunen som barnehagemyndigheit vil kunna nytta både tilsyn og rettleiing for å undersøkja og sikra at Dersom ei sak ikkje allereie har vore vurdert av barnehagemyndigheit, vil det som hovudregel vera naturleg at Fylkesmannen vidaresender ein førespurnad om tilsyn til kommunen. Regjeringa vil då la det vera opp til eit lokalt skjønn å vurdera kva verkemiddel som er mest hensiktsmessig i det enkelte

Komiteen viser til at gjennom barnehageloven er kommunen gitt heimel til å gi barnehageeigar pålegg om retting av uforsvarlege eller ulovlege forhold. Vidare kan kommunen vedta tidsavgrensa eller varig stenging av verksemda dersom fristen for å etterkoma pålegget ikkje blir overhalde, eller viss forholdet ikkje lét seg retta. Dersom kommunen avdekkjer brot på krava som blir stilte til bruken av offentlege tilskot og foreldrebetalinga, kan kommunen nytta økonomiske

Komiteen viser til at regjeringa føreslår at Fylkesmannen gis rett til innsyn i dokument og tilgang til barnehagelokale i den utstrekning dette er nødvendig for å utføra tilsynet med barnehagen. Komiteen ser at forslaget inneber at Fylkesmannen blir gitt tilsvarande rett som kommunen til dokumentinnsyn og tilgang til Regjeringa føreslår inga realitetsendringar i gjeldande rett når det gjeld barnehageeigars ansvar for at barnehagen har eit dokumentasjons- og vurderingsarbeid i samsvar med krav i barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver. Barnehageeigar oppfyller sitt ansvar i samarbeid med barnehagens pedagogiske personale. Barnehageloven fastset at barnehageeigar skal driva verksemda i og regelverk. Barnehageeigar er gjennom dette gitt ansvaret for at barnehageverksemda følgjer dei krava som barnehageloven med forskrifter seier. I Datatilsynets rapport Personvern i skole og barnehage blir det drøfta korleis internkontroll med personopplysningar bør betrast. Rapporten viser til at det er eit gjennomgåande problem at det ikkje er tilfredsstillande rutinar for å oppfylla personopplysningsloven og

Barnehagen skal ikkje setja spesifikke mål for enkeltbarn utan at dette har ei klar grunngiving. Måla skal i desse tilfella setjast i samarbeid med foreldre og eventuelle samarbeidspartar utanfor barnehagen. Det blir replikkordskifte. Ingen er vel egentlig overrasket over at det er et massivt barnehageopprør mot regjeringen og Ingen er vel egentlig overrasket over at det er et massivt barnehageopprør mot regjeringen og mot meldingen regjeringen har lagt fram. Det har i mange år vært en viktig sak for ansatte i sektoren å få på plass en bemanningsnorm som gjør at vi får flere ansatte som har tid til barna. Også i dette hus har det vært uttrykt en sterk vilje til å styrke bemanningen i norske barnehager. Senest våren 2013 drøftet Stortinget hva som skal til for å få hevet kvaliteten i barnehagene, og da sluttet alle partier unntatt Fremskrittspartiet seg til Likevel er ikke dette fulgt opp i regjeringens stortingsmelding. Er det Fremskrittspartiet som med sin motstand over flere år har sørget for at arbeidet med en bemanningsnorm har blitt stoppet? Eg kan ikkje seia at vi har skylda for det. Vi er for ei bemanningsnorm innan 2020, og det kjem vi til å støtta regjeringa vidare på. Det er sjølvsagt vårt arbeid å jobba vidare med å få bemanning på plass. Eg vil òg seia at kommunane har eit ansvar. Vi har sett av mange millionar til kommunane for at dei skal ha ein god barnehage, og vi vil fortsetja med meir midlar i åra som kjem, men det er klart at ei bemanningsnorm må på plass om ganske kort tid, spesielt blant dei yngste. Jeg er usikker på om kommunene føler at behovet deres er godt nok fulgt opp i

men det står det ingen verdens ting om i meldingen. Vi skjønner også, som Harberg peker på, at dette ikke er en budsjettbehandling, men det vanlige er at en regjering melder til Stortinget hvilke prioriteringer man har innenfor sektoren, og hva som skal komme i Stortingets behandling av budsjettet, slik at Stortinget kan gi en vurdering av prioriteringene som skisseres. Men her er det altså ikke nevnt med ett ord. Kan Reiertsen her og nå garantere at det kommer en oppfølging fra Stortinget om en bemanningsnorm, slik Stortinget har bedt om, og at vi vil se det i budsjettet for 2017? Eg likar ikkje å garantera på vegner av andre, men eg veit – sånn som eg kjenner ministeren på dette området – at han er oppteken av å få ein god barnehage. Det har han vist med desse meldingane og proposisjonsendringane. Eg vil tru at han vil stå på for å få ei god bemanningsnorm, og at saka kjem til Stortinget.

Fremskrittspartiet er med på en del av merknadene som knytter seg til dette, men støtter ikke forslagene. Er representanten Laila Marie Reiertsen enig i at det må være et særlig fokus på de minste, de yngste, barna. Og siden hun ikke støtter forslagene, er det andre forslag Fremskrittspartiet mener man heller burde ha

integreres, lære språk og ferdigheter gjennom leken, rustes for livet og bli skoleklare. Barnehagen er en viktig, men helt særegen del av utdanningsløpet. Det skal den fortsette å være. Hver eneste dag leverer tusenvis av foreldre de små ungene sine i barnehagen. Noen av ungene løper jublende inn til vennene sine og til de voksne, andre gråter litt Vi er alle i denne sal helt enige om at målet er at alle foreldre skal være trygge på at både de ungene som jubler og de ungene som gråter, blir tatt godt vare på, at de utvikler seg i barnehagen til å bli trygge, selvsikre små barn, gode i språk og skoleklare. For å få til det for alle barn må vi fylle barnehagen med bedre innhold og kvalitet. Men hva betyr egentlig det? I synet på det skiller regjeringen og opposisjonen lag. I de sakene og den meldingen som vi diskuterer i dag, tar regjeringen til orde for utbyttebeskrivelser, språknorm og mer kartlegging og dokumentasjon av barns preferanser og ferdigheter. Barnehagesektoren selv, forskerne og ekspertene er tydelige i sin tilbakemelding: Det vil ikke gi mer kvalitet i barnehagen. Barna vil ikke bli tryggere av det, mer selvsikre, bedre i språk eller skoleklare av det. De vil heller ikke lære mer. Nok en gang ser vi at denne regjeringen evner å legge fram en stortingsmelding som beskriver utfordringene godt, men som svikter når det gjelder forslag til tiltak som kan gjøre noe med det. Og nok en gang ser vi en regjering som ikke lytter til forskere, fagbevegelsen og de som vet hvor skoen trykker. De er alle sterkt kritiske til retningen regjeringen nå dreier barnehagepolitikken i, og de verktøyene som foreslås. De er kritiske til at regjeringens linje går for langt i å gjøre barnehagen mer lik skolen, at den går for langt i å skulle måle og teste ungenes ferdigheter mer enn det som skjer i dag, og at den overhodet ikke tar inn over seg at det viktigste som må på plass for å oppnå bedre kvalitet i barnehagen, gjøre barna mer skolemodne, bedre i språk og bedre rustet for resten av livet, er flere ansatte med riktig kompetanse. Statsråden selv og flere representanter hittil i dag har gjentatt at det er ingen grunn til noe opprør, for folk har bare ikke forstått hva regjeringen egentlig mener i sakene og i Vel, det er heller ikke første gang vi hører fra denne regjeringen at folk har misforstått. Det er etter hvert blitt et kjent mønster. Vi så det da debatten om reservasjonsretten raste. Vi så det da regjeringen svekket arbeidsmiljøloven, noe som førte til den første generalstreiken på 19 år, fordi en samlet fagbevegelse raste mot konsekvensene. Det gjorde ikke noe inntrykk på regjeringen – folk hadde bare ikke forstått at dette var til arbeidsfolks beste. Likestillingsministeren la før jul fram en stortingsmelding om likestilling som ikke vil føre til mer likestilling. Alle slaktet meldingen. Også her hadde fagfolk, fagbevegelse, NGO-er og folk flest misforstått – det blir visst mer pappaperm av å kutte i pappakvoten, og det blir visst mer likestilling av å jobbe mot den. Og nå er vi der på barnehagefeltet også. Når en samlet bransje, anerkjente forskere, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Foreldreutvalget, Skolelederforbundet, tusenvis av enkeltmennesker, gjennom opprøret er bekymret, bør regjeringen gå i seg selv og se om det kanskje er regjeringen som har et problem – i det minste et kommunikasjonsproblem, siden alle tydeligvis misforstår regjeringen hele tiden. Eller er det kanskje sånn at denne regjeringen i sak etter sak rett og slett gjør et for dårlig forarbeid, lytter for lite til folk flest og fagfolk og gang etter gang legger fram politikk som blir stoppet i Stortinget? Arbeiderpartiet lytter til dem som vet hva som fungerer for at kvaliteten skal bedres i alle barnehager. Vi bygde ut tilgjengelige barnehageplasser landet rundt da vi styrte, og vi jobbet med kvaliteten parallelt – sammen med og ikke mot barnehagesektoren selv. Gjennom to stortingsmeldinger, den siste i 2013, kom vi med over 40 tiltak for en bedre barnehagehverdag for ungene våre: tiltak for bedre språkutvikling, bedre verktøy for kartlegging og rammer for bruk av dokumentasjon, kompetanseheving for de ansatte, bedre arbeidsmiljø, bedre tilsyn og en bedre overgang mellom barnehage og skole – med sektoren på lag. De fleste av disse forslagene er overhodet ikke fulgt opp av denne regjeringen, som etter at den har overtatt, har vist at den har nedprioritert barnehage. Nye ideer og bedre løsninger, løfter om løpende opptak og bedre kvalitet har blitt til økte køer, mer testing og måling og økte priser – og tapte muligheter, f.eks. når regjeringen velger å likebehandle private og kommunale barnehager økonomisk, men ikke lar kommunene få muligheten til å stille Tapte muligheter viser den også når den lar være å forholde seg til stortingsflertallets vedtak om bemanningsnorm. Ja, det er faktisk ikke rart at det blir opprør. Når vi i dag går imot en del av de tiltakene regjeringen har lagt fram, er det fordi de går for langt i å tenke systemer foran mennesker. De går for langt i å åpne opp for å måle det enkelte barn arbeid. Vi har bedre forslag til hvordan vi skal nå målet om økt kvalitet i barnehagene. Den fremste kvalitetsfaktoren i barnehagene er de ansatte. Flere ansatte med rett kompetanse er det første som må til. Det overser regjeringen i meldingen, og med det overser den nok en gang stortingsflertallet, som senest før jul ba om at regjeringen skulle komme med en plan for hvordan denne bemanningsnormen skulle oppnås. Det velger de altså ikke å bruke tid på. Det er gledelig at stortingsflertallet i dag parkerer noen av de mest upopulære tiltakene regjeringen har lagt fram. Vi sier nei til mer pålagt bruk av dokumentasjon, nei til økt måling av enkeltbarns ferdigheter. Vi har sammen med regjeringspartiene fått til et bedre forslag og en bedre modell for språkkrav for ansatte, som skal sikre bedre språknivå hos den ansatte, men samtidig ikke hindre fleksibilitet de stedene hvor dette ikke er et problem. Jeg håper at det forslaget som vi har kommet til enighet om, står seg også gjennom denne debatten, og at Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet velger å stemme for et forslag som bransjen selv synes er bedre. I tillegg foreslår Arbeiderpartiet sammen med Kristelig Folkeparti og resten av opposisjonen flere gode tiltak for mer kvalitet i barnehagene. Vi aksepterer ikke at barn mobbes og stenges ute. Vi vil lovfeste barnehagebarnas rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Vi ber regjeringen vurdere om det skal være begrensninger på hvor store barnegruppene skal være. Vi vil gjøre tilvenningen til barnehagen så god som mulig og ber regjeringen vurdere hva som skal til, f.eks. at mor eller far får mer fri til å kunne være til stede i starten. Vi vil at det stilles krav om at hver eneste barnehage skal ha et godt norsk språkmiljø. Og vi mener at barna bør ha rollemodeller av begge kjønn. Også partiene som ikke er representert i komiteen, Venstre, SV og Senterpartiet, har levert gode forslag, som vil gi økt kvalitet i barnehagen, som vi i dag støtter. Samtidig som vi jobber for økt kvalitet, må vi ikke glemme at det er mange barn som ikke går i barnehage. Køene vokser med den blå-blå regjeringen. Skal vi fange opp alle som trenger litt ekstra, enten det er språkstøtte, voksenkontakt eller annet,

mål for «lek omsorg og sosial kompetanse». Hva er det som gjør at det å sette tydelige og klare mål er greit, men at en norm ikke er
Takk for spørsmålet, for det er her regjeringspartiene og opposisjonen virkelig skiller lag. Vi tror på å stille krav til at barnehagene skal bedrive språkarbeid og kvalitetsarbeid på en mer systematisk måte, men det er barnehagene og de ansatte vi skal stille krav til, ikke til hva det enkelte barn skal kunne. Det regjeringen foreslår, er en norm og en standard for kunne. De som kjenner barn, og de som kjenner barnehagehverdagen, vet at det er en helt umulig oppgave, det virker mot sin hensikt. Så er det også slik at man kan sette normer for, krav til og mål om hva det enkelte barn skal kunne, men så lenge ingen får i oppgave virkelig å sørge for at ungene kan det ved at man innfører en bemanningsnorm – med flere ansatte med mer kompetanse – så kan man teste og måle og norme

en snakker om barnehagene og deres arbeid – som regjeringen gjør i sin sak, og som Høyre og Fremskrittspartiet gjør i Og så kommer altså det som Trettebergstuen trekker fram som det gode eksempelet, fra Oslo igjen – som jeg nesten må be om en forklaring på – at «alle barnehagene skal ha planer for systematisk observasjon av barnas språkutvikling», ikke av de ansattes arbeid med språket, men av barnas språkutvikling. For meg er det fortsatt en logisk brist her som jeg tror Trettebergstuen kan forsøke å oppklare.

De har tillit til at de ansatte sikrer ungene som trenger det, den ekstra oppfølgingen. Det er en modell som gjør at de ansatte bruker tid på de ungene som trenger det, ikke på å skulle måle og teste alle barn opp mot én meningsløs norm. Det er ikke alltid en får svar i en replikkveksling, i hvert fall ikke slik at en forstår logikken i det. Jeg skal gå litt videre. For det første registrerer jeg igjen at Arbeiderpartiet taler varmt for økt pedagogtetthet. Heller ikke i revidert budsjett nå kom det – så vidt jeg kunne se – en eneste krone til det. Det er vel ikke en helt logisk sammenheng i det heller. Så til slutt: Det er 34 konkrete forslag i denne meldingen – som Anette Trettebergstuen betegner som en virkelighetsbeskrivelse uten tiltak uten tiltak – 34 tiltak. Arbeiderpartiet går imot tre–fire av dem – eller har nyanser av det. De andre 30 går de for. Hva har skjedd med de tiltakene – som ligger der – som Arbeiderpartiet støtter, men som omtales som om de ikke finnes? Som jeg sa i innlegget mitt, går Arbeiderpartiet og en samlet opposisjon imot de tiltakene som går for langt. Jeg sa at denne meldingen inneholder mye god beskrivelse av utfordringene – det er vi alle enige om – og det er også en god del gode tiltak. De tiltakene som vi ikke kan støtte, er de som har ført til barnehageopprør – og således har tatt oppmerksomheten bort fra de gode forslagene. Det er ikke rart, for når vi ser at regjeringen tar til orde for mer bruk av dokumentasjon – selv om en i dag sier noe annet språknorm, en mal for hva alle unger skal kunne, strikte språkkrav til de ansatte osv., er det å ta barnehagesektoren i feil retning. Det vil ikke si at det ikke er ting i denne meldingen som vi alle støtter, men poenget er at hvis regjeringspartiene i dag hadde fått flertall for disse forslagene, hadde det gått ut over – og ikke styrket – kvaliteten i

for at man kan forvente at barnehagen kan sette mål for hvordan barnehagen skal arbeide med språk, lek, omsorg og sosial kompetanse? Er dette noe vi bare kan vedta, og så forvente at det skal skje av seg

det beste virkemidlet for å oppnå bedre kvalitet over hele linjen i barnehagen, ville vært å gjennomføre stortingsflertallets vedtak om en bemanningsnorm innen 2020 og økt pedagogtetthet. Det ville ha gitt bedre rom for å følge opp det enkelte barn og således ha ført til at barna våre ville få bedre språkutvikling, sosialisering og integrering og være bedre skodd for skolen. Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og resten av opposisjonen i dag stemmer ned de forslagene som tvert imot ville ført til at de ansatte skulle bruke tiden sin på mer dokumentasjon, mer papirarbeid, som ville tatt fokuset bort fra den kvalitativt gode oppfølgingen av barnehagebarna. Det er en glede å få stå sammen med representanten

er at den vil forankre arbeidet godt i sektoren med dem som kjenner barnehagen best – de som jobber der, de som forsker på barnehagen, de som sitter på fagkompetansen. Det ligger allerede inne forslag og merknader som understreker dette fra Arbeiderpartiets side, men nettopp på grunn av den erfaringen har SV ønsket å gå enda mer konkret til verks og få vedtatt at arbeidet med rammeplanen må foregå gjennom en prosess hvor profesjonen selv deltar. Derfor vil jeg gjerne utfordre representanten Trettebergstuen på om Arbeiderpartiet vil bli med på det, så vi er helt sikre på at vi har bundet opp statsråden godt Representanten Lysbakken har helt rett i at denne meldingen og den behandlingen den får her i dag, og det opprøret den har skapt, er et resultat av en regjering som ikke gjør forarbeidet sitt godt nok, som ikke lytter til forskere, fagfolk og bransjen selv, og heller ikke til det folk flest er opptatt av, som er – og vil føre til – bedre kvalitet i barnehagen. Da representanten Lysbakken selv satt i regjering og styrte sammen med Arbeiderpartiet, og vi la fram vår melding om kvalitet i barnehagen, var nettopp det med en inkluderende prosess rundt revidering av ny rammeplan, en av forutsetningene for en ny rammeplan. SV sitter ikke selv i komiteen, men jeg kan trygge representanten Lysbakken på at vi er helt enige om at når nå rammeplanen skal revideres, må det gjøres med bred involvering fra dem som vet hvor skoen trykker – fagfolkene i bransjen selv og pedagogene. Det forslaget vi har lagt fram i innstillingen som går på det, dekker det synet som representanten Lysbakken her tar til orde for.

og det engasjementet skal vi politikere med ansvaret for landets barnehagepolitikk være veldig glad for. Sakene vi har til behandling, har skapt sterk debatt, og slik komiteen har arbeidet med lovforslagene og meldingen, tror jeg det er riktig å si at Stortinget har lyttet til de signalene som har kommet, ikke minst fra barnehagesektoren selv.

kunne ha gitt barnehagene et stort kvalitetsløft, nemlig bemanningsnorm og barnehagelærernorm. Det vil jeg komme tilbake til, men dette var svært skuffende, og statsråden får i dag rikelig anledning til å forklare hvorfor dette ikke er løftet fram i meldingen. Kristelig Folkeparti støtter regjeringens forslag til endringer i Prop. 33 L, med noen unntak, aller først og viktigst forslaget om ny § 2 første ledd i barnehageloven. Når vi fremmer forslag der vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med nytt forslag til endring i § 2, er det på grunn av dette: Med flertall for en slik løsning vil regjeringen få en mulighet til å starte opp dette arbeidet med utgangspunkt i stortingsflertallets holdning. Proposisjonene og meldingen har et helt annet utgangspunkt enn det stortingsflertallet står for, slik vi har oppfattet det. det. Det er tydeliggjort gjennom de siste ukene. Både selve lovteksten og proposisjonene er blitt et lappverk av motstridende signaler og føringer, og det er svært uklart i hvilken grad det vil fungere som et styringsverktøy. Slik vi har forstått det, setter vi ikke barnehagen i en lovløs tilstand av den grunn. Barnehagene er fortsatt underlagt personopplysningsloven. Vi ønsker ikke setningene i regjeringspartienes lovforslag om rutine for dokumentasjon. Dette innebærer en lovpålagt plikt til dokumentasjon, og med teksten i proposisjonen og meldingen blir dette et feil signal til sektoren. Dersom det er behov for en lovhjemmel for behandling av personopplysninger som skal ivaretas, er det nok bare å omtale dette, og ikke «rutine for dokumentasjon». Bakgrunnen for vår skepsis her handler bl.a. om at regjeringen i proposisjonen skriver det ikke skal skilles mellom dokumentasjon, vurderinger og kartlegginger osv., slik vi peker på i merknadene våre. Så er vi veldig skeptiske til innledningen i merknaden som søker å forsikre om at det ikke skal skje noen endringer i forhold til dagens lov og rammeplan. Vi mener et problem i dag er at dagens lov og rammeplan tolkes forskjellig. Etter manges syn er mye av dagens praksis i barnehagen langt utenfor rammeplanens intensjoner. Derfor mener vi absolutt ikke det er betryggende å skrive: «Det foregår i dag, i tråd med dagens rammeplan, systematisk observasjon, dokumentasjon og vurdering av både barnehagens virksomhet og av enkeltbarn.» Dette kan være sant, men det er like sant at det også foregår slik praksis som absolutt ikke er i tråd med det vi forstår som intensjonen i dagens rammeplan. rammeplan. Vi er i tvil om det er ønskelig å legitimere slik praksis gjennom det nye forslaget. Kristelig Folkeparti mener regjeringspartienes forslag til ny § 2 er bedre enn regjeringens forslag, men Kristelig Folkeparti vil votere for å be om et eventuelt nytt forslag fra regjeringen, dersom det er slik at det er nødvendig med en lovhjemmel for behandling av personopplysninger. Vi opplever at det er for mange uklarheter i det som samlet ligger her i dag, til at vi vil votere for noe annet. Kristelig Folkeparti voterer for regjeringens forslag til tilsynsordning under forutsetning av at dette evalueres etter to år, og dersom evalueringen viser at kommunenes tilsynsansvar ikke blir ivaretatt på en god og kvalitetssikker måte, vil veien være kort her på Stortinget til å fremme forslag om et uavhengig tilsyn. Kristelig Folkeparti fremmer også dette forslaget: Stortinget der regjeringens arbeid med bemanningsnorm og barnehagelærernorm gjøres rede for.» Regjeringen har altså som sagt lagt fram en melding om kvalitet i barnehagen som ikke med ett eneste ord omtaler det Kristelig Folkeparti mener er det aller viktigste for kvaliteten i barnehagen, bemanningsnorm og barnehagelærernorm – nok voksne og nok barnehagelærere. Kristelig Folkeparti mener dette er helt grunnleggende, for med nok barnehagelærere sikrer vi kvalitet gjennom kompetanse og kunnskap. Regjeringens løsning er å prøve å sikre kvalitet gjennom normer og standardisering. Normer skaper ikke kvalitet, og barn blir ikke bedre av å måles. God nok kvalitet i alle barnehager sikrer vi med krav om nok voksne på jobb hele dagen og med krav om nok barnehagelærere i alle barnehager. Kristelig Folkeparti vil ikke ha språknorm, utbyttekrav, mer kartlegging og dokumentasjon. Vi fremmer derfor disse forslagene, og håper Stortingets flertall voterer til barnas beste: «Stortinget ber regjeringen om ikke å utarbeide veiledende normer for det språklige grunnlaget barn bør ha med seg fra barnehagen.» «Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre målene for barnehagens arbeid med språk og sette mål for hvordan barnehagen skal arbeide med lek, Det handler om at vi ikke skal stille målkrav til hvert enkelt barn. Det er barnehagens arbeid som det skal fokuseres på i rammeplanen, ikke enkeltbarnets prestasjoner. Vi lytter til fagfolkene som sier at målstyring av små barn vil drepe lærelysten og virke

på den nordiske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt. De yngste barna ble litt borte i denne meldingen fra regjeringen. I Stortinget løfter vi dette perspektivet. De yngste trenger små barnegrupper, de trenger å tilhøre en barnegruppe, og de trenger god tid til tilvenning. Ikke minst er det viktig for de yngste barna at det er nok voksne til stede hele dagen, og at det er nok barnehagelærere i barnehagen. Så er Kristelig Folkeparti glad for at alle partiene i komiteen stiller seg bak dette forslaget om mobbing: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø, jf. opplæringsloven § 9a.» Vi er enige om at det er behov for ytterligere lovstøtte for barnehagens relasjons- og antimobbearbeid. Dette er et viktig skritt i det videre arbeidet med mobbing også i barnehagene. Så til Prop. 103 L. Kristelig Folkeparti voterer for regjeringens forslag til endringer i Prop. 103 L, med bare ett unntak. Når det gjelder fritaket i foreldrebetalingen for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, mener Kristelig Folkeparti at det bør videreføres. Barnehagelovutvalget argumenterte med at redusert foreldrebetaling for denne gruppen barn kan stimulere til økt barnehagedeltakelse. Det er sannsynlig at barnehagedeltakelse kan ha særlig positiv effekt for disse barna, og fratrekk i foreldrebetalingen kan bidra til at barnets behov for spesialpedagogisk hjelp lettere kan ses i sammenheng med barnets For familier med inntekter over inntektsgrensen i moderasjonsordningene og med høye utgifter vil en fjerning av refusjonsordningen være av økonomisk betydning. Vi mener det er uheldig, og vi fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med fradrag i foreldrebetalingen for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp.» Så vil jeg i et senere innlegg komme tilbake igjen til andre ting i Prop. 103 L, bl.a. det som har med flytting av datogrensene å gjøre og hvordan det skal forstås. Jeg må også i et senere innlegg ta opp hvordan Kristelig Folkeparti vil votere i disse sakene. Det blir replikkordskifte.

Jeg hører skuffelsen i representanten Bekkevolds innlegg, og jeg gir ham muligheten til å utdype enda mer skuffelse. Hva tenker egentlig Kristelig Folkeparti om at regjeringa ikke følger opp vedtak som er gjort her i Stortinget, og at vi nok en gang må foreslå dette? I mitt innlegg prøvde jeg å gi uttrykk for dette, men selvfølgelig innenfor det parlamentariske språks rammer, for jeg ble både skuffet og forbauset over at vi i meldingen ikke på noe som helst sted kunne se at dette viktige området ble løftet, til tross for at statsråden har vært veldig tydelig på at dette skal komme på plass innen 2020. Så hører det med til historien at Kristelig Folkeparti har vært mer utålmodig enn det. For to år siden sa vi at dette må vi få plass til allerede i 2016. I vårt alternative statsbudsjett la vi inn 300 mill. kr til et kvalitetsløft i barnehagen, som handlet om bemanningsnorm og barnehagelærernorm. Så det er ingen tvil om at Kristelig Folkeparti er skuffet, og vi forventer å få en sak til Stortinget høsten 2016, hvor regjeringen forteller Stortinget hvordan det arbeides med denne normen. Replikkordskiftet er omme. Representanten Bekkevold nevnte et forslag – er det et forslag som er tatt opp? Ja, det er et forslag som er tatt opp, men det er så mange forslag nå, og jeg trenger litt tid for å kunne gjøre rede for dem. Det skal representanten få. Det ser ut til å være en stund til vi er ferdig med debatten. Vi må gjøre dette ordentlig. Det er mange saker og mange forslag å ta stilling til

Til sak nr. 7, om endringar i barnehagelova, støttar Senterpartiet forslaget om å gi Fylkesmannen heimel til å føra tilsyn med barnehagar i særlege tilfelle, men at kommunane framleis skal ha hovudansvaret for tilsynet med Dette er ei veldig viktig sak, som eg sjølv har vore opptatt av som lokalpolitikar, for eg har sett at tilsynet med barnehagar ikkje har fungert etter hensikta, og at det ofte er Arbeidstilsynet som må trå til viss det er eit eller anna f.eks. med inneklimaet. Dette er ei forbetring. Senterpartiet har landa på at det vert eit noko meir uavhengig tilsyn, og det noko meir uavhengig tilsyn, og det trur eg kan styrkja kvaliteten i tilbodet. Regjeringa føreslår i denne saka òg: «For å sikre tidlig innsats og et tilrettelagt barnehagetilbud til barnegruppen og det enkelte barn foreslår departementet at det i barnehageloven presiseres at det pedagogiske tilbudet skal dokumenteres og Barnehagelova inneheld ingen føresegner om dette i dag. Senterpartiet er klare på at vi ikkje ønskjer ei retning der vi får ein masse kartlegging av barn i barnehagane, og vi meiner at kompetanse og utvikling hos enkeltbarn berre skal dokumenterast dersom det er gode pedagogiske grunnar til det. Vi støttar difor Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti sitt forslag i innstillinga om å be regjeringa koma tilbake til Stortinget med forslag til ny § 2 første ledd som tar vare på eit eventuelt behov for lovheimling for behandling av personopplysningar, men som på ingen måte legg til rette for meir dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barnet. Vi støttar òg forslag nr. 2 i innstillinga,

Når det gjeld barnehagemeldinga, er det ei utruleg viktig og kjærkomen sak, og alle kan vera einige i dei overordna målsetjingane, at vi skal ha trygge barnehagar, at vi skal ha høg kvalitet, og at vi skal ha ein barnehage som er tilgjengeleg for alle, der barn skal trivast, utvikla seg og læra. Så skal vi ha tilbod som er tilgjengelege, uavhengig av familiebakgrunn. Tittelen på barnehagemeldinga er «Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen». Vi meiner at tittelen er veldig god, men at innhaldet ikkje lever opp til tittelen. Eg har gjort meg éi betraktning – det har òg vore sagt mykje om det i denne salen i dag, nemleg: Kvifor har vi barnehagar i Noreg? Er det for at vi skal sørgja for at ungane vore vert skuleklare? Er det for at vi skal sørgja for at ungane våre får ei god utdanning? Det er første steget i utdanningsløpet, vert det sagt. Er det for å sikra integrering? Er det for at ein skal få eit godt arbeid? Eg har lyst til å presisera at alle desse barnehagedagane er jo sjølve livet.

barnehagen. Eg trur at viss ein har det gøy i barnehagen, så lærer ein òg alt dette andre. Det var ei personleg ytring. Senterpartiet har levert fleire forslag i saka, og eg skal prøva å gå igjennom dei, slik at salen vert informert om korleis vi tenkjer. Vi har eit eige forslag om i ei bemanningsnorm å

Vi har eit forslag der vi ber regjeringa ta vare på den nordiske barnehagetradisjonen, der utvikling og læring skjer gjennom fri leik, og difor ikkje gi barnehagekvardagen eit tydelegare skuleførebuande innhald i ny rammeplan. Med dette forslaget vil eg presisera at vi ikkje meiner at overgangen barnehage–skule ikkje må forbetrast. Den må forbetrast, som det også er omtalt i meldinga, men når det gjeld akkurat overgangen barnehage–skule, sluttar vi opp om det som står i meldinga om at departementet vurderer ei lovfesting av dette samarbeidet for å sikra dei gode overgangane. Men vi ønskjer ikkje ein barnehage som legg meir vekt på å vera skuleførebuande. Vi har Vi har eit forslag der vi ber regjeringa sikra at ny rammeplan ikkje gir føringar for auka krav til dokumentasjon og kartlegging av enkeltbarn som ein del av den pedagogiske verksemda. Vi har eit forslag om å be regjeringa i ny rammeplan gi tillit til pedagogane i barnehagane ved å tydeleggjera at barnehagelærarane er sentrale i val av pedagogiske og metodiske verktøy, og at slike val som hovudregel skal vera den pedagogiske leiinga i barnehagen sitt ansvar. Vi har eit forslag om å be regjeringa i rammeplanen styrkja barnehagen sitt ansvar for å ta vare på morsmålet til barna og moglegheita til ei god språkleg utvikling, auka den fleirkulturelle kompetansen i barnehagen og styrkja foreldra sin rett til medverknad. Det er forbausande at det er så lite snakk om morsmål, men berre om norsk som andrespråk i denne debatten. Vi har eit forslag om å be regjeringa i rammeplanen sørgja for at i skulekrinsar med nynorsk skal både offentlege og private barnehagar bruka nynorsk i barnehagen. Dette er eit utspel frå bl.a. Mållaget. Det gjeld f.eks. å ha nynorske bøker tilgjengeleg. Vi har eit forslag om ikkje å endra fordelinga av det øyremerkte statsstilskotet for tiltak for betre språkforståing blant minoritetsspråklege barn i førskulealder.

Vi har eit forslag der vi ber regjeringa sikra at rammeplanen set tydelegare krav om eit systematisk og formalisert samarbeid mellom barnehage og barnevern, slik at barnehagane vert betre på å senda bekymringsmelding ved mistanke om omsorgssvikt og/eller overgrep. overgrep. Vi har eit forslag der vi ber regjeringa følgja opp målsetjinga i Meld. St. 19 for 2014–2015, folkehelsemeldinga, om å vurdera ei eiga lov om barns arbeidsmiljø. Eg ser at i proposisjonen her så vert det vist til folkehelsemeldinga, men leddsetninga om at ein skal vurdera ei eiga lov om barns arbeidsmiljø, er ute av proposisjonen. Eg har av og til elefanthukommelse, og eg hugsar dette veldig godt fordi regjeringspartia gjekk ut og gjorde dette til ei nyheit. Eg synest det Eg synest det forslaget er bra. Forslaget i romertalsvedtaket om å sikra lovheimelen, jf. opplæringslova § 9 a, kan vi stemma for subsidiært, men vi veit jo korleis det er i skulen. Det er ikkje bra nok, og eg har stor sans for å vurdera ei eiga lov om barns arbeidsmiljø. Vi har eit forslag om å sikra tiltak som fører til at det vert rekruttert fleire menn i barnehagen, og vi kjem til å stemma subsidiært for

En av de sakene som har vært mye diskutert, er det som går på innsamling og kartlegging av personopplysninger. For Venstre er det viktig at barnehagen er noe annet enn skole. Det er leken som skal stå i fokus i barnehagene. Så er det klart at det er mye læring i lek, og slik skal det også være. Barnehagen er en viktig arena for læring. Det kan vi f.eks. se på språk. For de ungene som sliter med språket, er barnehagen en viktig arena for språkopplæring. For de ungene som ikke snakker norsk hjemme, er barnehagen kanskje den viktigste arenaen for å lære seg norsk. Så er det heldigvis slik at de aller fleste ungene går i barnehagen, og sammen med regjeringen har Venstre og Kristelig Folkeparti gjort en viktig innsats for å få ned prisen for dem med lavest inntekt, slik at det ikke er noen unger som blir holdt utenfor den viktige arenaen av økonomiske årsaker. I våre barnehager har vi hele spekteret av unger. Vi har unger med store funksjonshemninger. Vi har unger med lettere funksjonshemninger. Vi har unger med dysleksi. Vi har unger med dyskalkuli. Vi har unger med atferdsvansker, og vi har unger uten noen nevneverdige utfordringer. Vi har unger med vanskelige forhold hjemme, osv., osv. Heldige er vi som har et slikt system som kan ivareta hele mangfoldet av unger. Når et så stort spekter av unger er samlet på én arena, sier det seg selv at her er det ulike forutsetninger, ulike utfordringer, ulike oppfølginger som skal gjennomføres. Barnehager over det ganske land driver med kartlegging av unger. De finner ut hva som trengs av oppfølging, de gjennomfører oppfølgingen, de har dialog med foreldre, osv. Det er vel ingen som ønsker at det ikke skal foretas noen kartlegging av unger. Det vi er skeptisk til, er kartlegging av alle unger, uavhengig av om det er behov for det eller ikke. I forbindelse med kartlegging og oppfølging er det helt nødvendig at barns personvern ivaretas. Det kan ikke være slik at unger skal ha et svakere personvern enn det resten av befolkningen har. Vi har fått klare tilbakemeldinger fra bl.a. Datatilsynet om at det er nødvendig å rydde opp i hjemmelsgrunnlaget. Dette er en jobb som må gjøres av departementet. Det er likevel nødvendig å presisere at en slik opprydding, eller klargjøring, ikke skal bety at barnehagene skal begynne å kartlegge eller måle mer enn de gjør i dag. Tvert imot kan det være grunn til å se på om de kartlegges litt vel mye i dagens barnehager. Derfor har Venstre lagt fram et forslag, som vi mener ivaretar nødvendigheten av å rydde opp i hjemmelsgrunnlaget som barnehagene har for å følge opp de ungene som har behov for en spesiell oppfølging. Hvis dette forslaget ikke får flertall, vil vi selvfølgelig stemme subsidiært for det mindretallsforslaget som foreligger fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Slik vi i Venstre ser det, er det viktigste i å sørge for barns utvikling at vi har kompetente voksne i barnehagene. Det er

hva de holder på med. Vi støtter det forslaget som foreligger fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti om en bemanningsnorm, men vi ønsker ikke at dette bare skal handle om barnehagelærere. Vi mener vi også må inkludere dem som har fagbrev. Venstre har et uttalt mål om at 50 pst. av de ansatte skal være barnehagelærere, og at 80 pst. skal ha barnefaglig kompetanse. På den måten fyller vi barnehagene med folk som kan se det enkelte barn, som vet hvilke utfordringer de har, og hvordan man best bør jobbe med de utfordringene innenfor de rammene barnehagen skal være. Det fremmer vi også forslag om i dag. Vi fremmer også forslag hvor vi ber regjeringen se spesielt på hvordan vi kan rekruttere menn til barnehagesektoren. Det er altfor få menn som jobber i barnehagene i dag, og det er av stor verdi at begge kjønn er representert i dette yrket. Jeg er derfor glad for at flere har uttrykt støtte til det forslaget tidligere i debatten. Vi har registrert at komiteen nå innstiller på at det ikke skal lovfestes et nivå for norskkompetanse for de ansatte i barnehagene. Dette er ikke Venstre enig i. Vi mener at norskkunnskapene til dem som jobber så tett på unger, er viktig. Barnehagen er, som jeg tidligere har sagt, kanskje den viktigste arenaen for norsk språk hos mange unger, og da er det ikke likegyldig om de ansatte kan norsk eller ikke. Når dette diskuteres, får vi ofte høre at det vil være uheldig om man skal stille slike krav, fordi barnehagene er en plass der f.eks. mange innvandrere kan få jobb.

Vi vil derfor ikke støtte det forslaget fra komiteen og fremmer et eget forslag på dette punktet. Hvis vårt forslag får flertall, må regjeringen komme tilbake til Stortinget og fremme et forslag til lovendringer. lovendringer. Da forutsetter vi selvfølgelig at man tar høyde for at det skal kunne være en viss fleksibilitet i barnehagene, slik at det f.eks. er rom for å ta inn folk i praksisplasser. Vi forutsetter at nødvendige unntak fra en slik bestemmelse vil bli drøftet og framkomme i en slik sak, som regjeringen i så fall må komme til Stortinget med. Som jeg har sagt tidligere, ønsker Venstre at 50 pst. av de ansatte skal være utdannet barnehagelærere, og at 80 pst. av de ansatte skal ha barnefaglig kompetanse. Dersom vi klarer å oppfylle dette på et tidspunkt, har vi i stor grad løst de norskutfordringene som er, for har man den utdannelsen, har man også de språkkunnskapene som trengs. Når det gjelder språknorm for ungene, er vi helt på linje med Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Vi ønsker ikke det. Unger er forskjellige, og det skal de få lov til å være. Vi er redd for at en slik språknorm vil måtte medføre en storstilt kartlegging og mye byråkrati. Det er ressurser som blir bedre brukt i møte med enkelte barn. Vi må heller fokusere på antallet ansatte og kompetansen til de ansatte vi har. Til slutt vil jeg ta opp de forslagene som Venstre har levert inn. Representanten Iselin Nybø har tatt opp de forslag hun refererte til.

Det betyr en ny hverdag for norske barn og for norske familier. Flere barn får muligheten til å ta del i den læringen, den trivselen, den utviklingen av nysgjerrighet, sosial kompetanse og språk, og de trygge rammene rundt hverdagen som barnehagene betyr. Det betyr også en enklere hverdag for familiene. Det betyr at flere kan ta del i arbeidslivet, og det betyr over tid – er jeg overbevist om – sosial utjevning, for barnehagen er en arena for å gi ulike barn like muligheter. Det er en viktig arena for kampen mot Forskjells-Norge, for å skape et samfunn som ikke gir opp ett eneste barn. Det var et modig politisk valg å gjennomføre barnehagereformen. Som alle store reformer var den også krevende. Ikke minst var den store mangelen på nok utdannede barnehagelærere en utfordring. Til tross for det har undersøkelser vist at kvaliteten på barnehagetilbudet holdt tritt, tross den enorme utbyggingen. Det er takket være den fantastiske innsatsen som ansatte, profesjonsutøvere og barnehageeiere la ned i denne perioden. Men selv om det er veldig mye positivt å si om det vi har lagt bak oss, er det helt klart behov for kvalitetssikring og utvikling av kvaliteten i barnehagene våre. Derfor fremmet også daværende statsråd Kristin Halvorsen barnehagemeldingen Framtidens barnehage våren 2013. Det er interessant å se at flere av de forslagene som kom opp i den meldingen, blir fulgt opp også av nåværende regjering. På en del områder følger Torbjørn Røe Isaksen opp god rød-grønn barnehagepolitikk, og det er jeg glad for.

verdivalg. Det er også utgangspunktet for de bekymringene jeg og SV har knyttet til den meldingen vi nå behandler. Derfor stilte jeg spørsmål til kunnskapsministeren tidligere i vår om å få en redegjørelse for departementets manglende involvering av profesjonen selv i utarbeidelse av ny rammeplan. Så har kunnskapsministeren gang på gang forsikret oss om at jo, han er også opptatt av å ta vare på den norske barnehagemodellen. Men det er vanskelig å tro på det når flere forslag går i stikk motsatt retning av det vi til nå har bygd barnehagene våre på. Det gjelder forslaget om innføringen av en veiledende språknorm. Språkforskere sier det er umulig å lage en komplett norm – at en statlig norm vil oppfattes som et vedtatt mål for barns språk i barnehagen, uansett hva regjeringen sier. Forslaget om at en ny rammeplan skal tydeliggjøre det språklige og sosiale utbyttet barn skal ha med seg etter endt barnehagetid, er også en helt annen måte å tenke på – en grunnleggende filosofi, en grunnleggende tankegang for barnehagens retning. Ekskluderingen av fagmiljøene selv i arbeidet med ny rammeplan er også et viktig brudd med det som har vært en av grunnene til at norske barnehager holder så høy kvalitet som de gjør. Derfor er jeg glad for at vi i dag kan danne flertall mot regjeringen på en rekke av disse avgjørende punktene. Det er også derfor SV fremmer et eget forslag i dag, som i enda større grad konkretiserer bestillingen til statsråden om å ta profesjonen med i arbeidet med ny rammeplan. En god barndom varer Vi må bruke de store pengene på de små menneskene – barna våre. Det er den beste investeringen i Norges framtid. Men da må vi også la barn få være barn, og ikke gå på den store misforståelsen at det å gjøre barnehagen mer som skolen er den riktige måten å legge til rette for mer læring på. Den riktige måten å legge til rette for at barn lykkes i skolen, er tvert imot å la barn få være barn og la leken stå i sentrum i barnehagene. Med dette skal jeg ta opp det forslaget som er omdelt i salen, og bare si at siden komiteen av en eller annen grunn har gitt SV halvparten av taletiden til de andre partiene, rekker jeg ikke engang å redegjøre for vår videre stemmegiving, så det skal jeg tegne meg på nytt for å gjøre.

Det er mye vi er enige om, som står der klart og tydelig fra regjeringen: at barnehagen ikke skal være skole, at vi ikke skal ha individuelle læringsmål for det enkelte barn, og at vi skal bevare den nordiske barnehagetradisjonen. Så er det heller ikke slik at det har vært entydig negativt, snarere har meldingen og de brede trekkene av det regjeringen foreslår, fått stor støtte i mange miljøer – fra kommunenes egen organisasjon, fra Private Barnehagers Landsforbund, 50 pst. av norske barn går i private barnehager, fra flere barnehager som har hatt høringsinnspill, og ikke minst også fra viktige organisasjoner som Dysleksi Norge, som ikke nødvendigvis støtter alt, men som støtter hovedretningen nettopp fordi de er så opptatt av å fange opp de barna som i dag glipper. Men så er det også en del ting– selv om vi har enighet om noe – som i Stortinget gir i dag klar beskjed om at det er særlig to forslag de ikke ønsker. Det er en veiledende språknorm, og det er det vi har kalt en utbyttebeskrivelse. Det betyr selvfølgelig at de forslagene legges vekk. Jeg har også lyst til å si til alle som har engasjert seg i debatten både i salen og utenfor, at vi følger debatten, og vi hører det ropet som kommer om at man vil involveres tettere i prosessene videre. Vi har ikke planer om å sitte inne på et møterom i departementet og skrive en rammeplan. Vi skal engasjere og involvere profesjonen. Vi kommer også til å ta initiativ etter dette, bl.a. sammen med Utdanningsforbundet, for å se om vi kan finne noen felles arenaer hvor vi kan få en diskusjon med utgangspunkt i det flertallet i Stortinget stiller seg bak. Så er det mye som det gis klarsignal for at vi skal jobbe videre med. Og det er viktige ting. Det dreier seg f.eks. om en rammeplan som har enda klarere krav og forventninger til barnehagenes arbeid med språk, slik at vi klarer å fange opp de barnehagebarna som i dag faller ut. En rammeplan som er tydeligere og et bedre verktøy – i dag er den også veldig omfangsrik, kanskje man skal gjøre noe med det. En rammeplan for barnehagen som tydeligere tar opp i seg at det er en forskjell på miljøet rundt en ettåring og miljøet rundt en femåring. En rammeplan og et regelverk som klarere sier noe om overgangen mellom barnehage og skole, som mange kommuner får til veldig bra, men der altfor mange svikter. Og lovverk også – for å ha en sikkerhetsventil gjennom at man får et uavhengig tilsyn gjennom Fylkesmannen, sånn at man skal kunne gå inn og sjekke dersom foreldre, ansatte eller Fylkesmannen selv mener at kommunen ikke tar sitt tilsynsansvar og gjør det godt nok.

I mange år har de viktigste prioriteringene dreid seg om antallet plasser. Nå må de viktigste prioriteringene dreie seg om innhold og kvalitet for barna. Det andre er at det er for store forskjeller mellom barnehager i dag. Vi kan se det på variasjon i bemanning. Vi kan se det på variasjon i antall barnehagelærere. Vi kan se det på resultater fra undersøkelser som viser variasjon i hvor systematisk, grundig og godt det pedagogiske arbeidet som planlegges og gjennomføres, er. Målet er selvfølgelig ikke at de som jobber virkelig bra, skal jobbe dårligere, men at vi skal få flere barnehager til å jobbe enda bedre, og – må jeg legge til – flere barnehageeiere, både private og offentlige, til å jobbe enda bedre. Det er derfor jeg mener at rammeplanen er et så viktig verktøy. Rammeplanen må beskrive enda hva barnehagen skal være, og legge tydeligere rammer for det viktige arbeidet som gjøres. Rammeplanen skal få tydeligere frem at det er forskjeller mellom en ettåring og en femåring – ikke gjennom individuelle læringsmål, men når det gjelder hva slags miljø barnehagen skal ha for omsorg, for læring. Så er det selvfølgelig individuelt hvordan barn utvikler seg, og det tilsier igjen at barnehagen ikke skal bli en skole, og at vi ikke skal ha individuelle læringsmål. Vi vet samtidig at barn trenger noe å strekke seg etter, og det skal barnehagen sørge for, men gjennom lek og læring hånd i hånd, som i dag. Vi vet at mange barnehagebarn får hjelp og støtte altfor sent. Barnehagen gir oss en unik mulighet til å finne de barna som trenger hjelp, og det må vi gjøre gjennom presisjon, ikke gjennom massetiltak. Det er en grunn til at denne regjeringen, i motsetning til forrige regjering, ikke har foreslått kartlegging av alle fireåringer, som i praksis var konsekvensen av forrige regjerings tiltak, nettopp fordi det er den systematiske observasjonen, som Arbeiderpartiet skriver så godt om i et innlegg i VG i dag, som er det avgjørende, og så setter man inn tiltakene for de barna som trenger det, etter en god faglig vurdering. Dagens rammeplan har mange kvaliteter, men den er utydelig på flere områder. Vi vet at barnehagene tolker forskriften ulikt, og det i seg selv kan bidra til at det oppstår kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, f.eks. i språkarbeidet. Og når vi vet hvor avgjørende språkarbeidet er, ikke for fremtidens arbeidsliv eller skolegang eller noe sånt, men for lek, for utvikling, for å kunne trives og hygge seg og få venner i barnehagen er det alvorlig. Undersøkelser viser også at det er for store forskjeller mellom barnehagene, og det kan ha betydning for det språklige grunnlaget barna har når de begynner på skolen. Derfor er det nødvendig med et mer systematisk og bevisst språkarbeid i barnehagene, og ikke minst at man lærer av de barnehagene som virkelig får det til. Læring er ikke noe nytt i barnehagesammenheng, og jeg synes en av de viktigste tingene som har skjedd i barnehagen, er at profesjonen så tydelig sier fra om at barnehagen er en del av utdanningsløpet, men en genuint annen pedagogisk arena enn skolen. Både i dagens rammeplan og i rammeplanen av 1996 er man tydelig på at det skal foregå læring i barnehagen. Spørsmålet er da hvordan. Jeg vil understreke at det å legge til rette for mer læring i barnehagen ikke betyr at barn skal leke mindre, og istedenfor å ha teoretiske forklaringer rundt det kan man rett og slett bare dra rundt i og se hvordan man stimulerer barns nysgjerrighet, hvordan barna leker og lærer samtidig, og hvordan man klarer å finne den gode balansen mellom den helt frie leken, hvor de voksne kanskje må gripe inn for å sikre at alle er med, og de voksenstyrte, vokseninitierte aktivitetene som også er lek. Vi må vokte oss vel for å ha et system som driver jakt på mangler ved barn, men samtidig må vi ha et system som sikrer at barn som har behov for ekstra tilrettelegging eller annen innsats, får hjelp så tidlig som mulig. Med andre ord må godt faglig skjønn hos profesjonen kombineres med systematikk og gode rutiner. Det er ikke et angrep på profesjonens faglige handlingsrom. Det er heller ikke, mener jeg, en tidstyv, det er snarere en forutsetning for barnehagens virke som pedagogisk virksomhet. Så er det opp til den enkelte barnehage å bestemme om, når og hvordan pedagogiske verktøy skal brukes. Jeg har for øvrig merket meg at Stortinget ønsker en lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø, og skal selvfølgelig komme tilbake til Stortinget med det på egnet måte.

Vi er enige om at vi skal ha en bemanningsnorm innen 2020, og vi skal selvfølgelig også følge opp Stortingets bestilling om å få en plan for det. Men la meg bare understreke at viktigere enn en plan er det å følge opp selve politikken. Da vi overtok regjeringskontorene, manglet vi 4 400 barnehagelærere. Nå er antallet halvert. Det er bra for barnehagen, det er bra for barna, og det viser at utviklingen går i riktig retning. Men selvsagt skal vi gjøre mer. Jeg har sagt at vi først må oppfylle dagens pedagognorm før vi vurderer en forsterket en, men vi skal selvfølgelig også der følge opp Stortingets bestilling. Men også på dette området må vi være opptatt av ikke bare hvor mange barnehagelærere vi skal ha, men også hvilke muligheter barnehagelærerne får, f.eks. gjennom en kompetansestrategi som videreutvikles i denne meldingen. Videreutviklingen av strategien og fortsettelsen av den får sterk støtte, og det er jeg glad for. Det blir replikkordskifte. Når det kommer til bemanningsnorm, holder det ikke at partiene er replikkordskifte. Når det kommer til bemanningsnorm, holder det ikke at partiene er enig i partiprogrammet sitt, det holder heller ikke at det står i Sundvolden-erklæringen, for poenget er at opposisjonen så seg lei av å vente på at regjeringen skulle følge opp det vedtaket som Stortinget fattet våren 2013, da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet la fram stortingsmeldingen som la til rette for bemanningsnorm 2020. Når vi ikke hadde hørt et ord om dette og hvordan det følges opp, på to år, så opposisjonen seg lei av å vente på regjeringen, kom med et anmodningsvedtak og ba statsråden legge fram en plan for hvordan dette skulle nås. Da sa statsråden at dette skulle han se i sammenheng med finansieringsmodellen for private og kommunale barnehager. Den kom, og vi hørte ikke et ord om bemanningsnorm. Hvordan kan det ha seg at statsråden sier at han er for å følge opp et enstemmig stortingsvedtak om bemanningsnorm, men ikke kan komme til Stortinget med en plan for hvordan det skal

men jeg vil jo anta at det er en grunn til at det står akkurat det samme i tre dokumenter: i regjeringserklæringen til denne regjeringen, i Arbeiderpartiets program og i de vedtakene som forrige regjering fattet, nemlig at vi skal ha en bemanningsnorm i 2020. Det jeg da synes er pussig, er at man forsøker å late som om det er en uenighet om målet. Det er det ikke. Vi skal ha en bemanningsnorm innen 2020, det står klart i regjeringserklæringen, og når den kommer, må den både følges opp, og, hvis det er behov for det, også finansieres. Når det gjelder de private barnehagene, kan jeg gjerne svare på det, men det er det ikke tid til nå.

så vidt også Kristelig Folkeparti, har misforstått hva som egentlig ligger i dette, er det det å si at regjeringen skriver i meldingen at de ikke vil at det skal settes opp resultatmål for enkeltbarns utbytte, men de skriver også at de vil ha utbyttebeskrivelser og en veiledende språknorm for språklig grunnlag ved barnehagens slutt, og at språknormen skal operasjonaliseres i rammeplanen i målformuleringer. Så spørsmålet blir: Hvordan kan målformuleringer formuleres uten å være et resultatmål? Rammeplanen i dag består jo av målformuleringer, men det er prosessmål. Den avgjørende forskjellen mellom skolens læreplaner og barnehagens rammeplaner er at det handler ikke om at barn skal kunne det og det, det handler om hva barn skal jobbe med, komme i kontakt med, noen prinsipper for lek – den type ting – og det er et grunnprinsipp som jeg ønsker å beholde. Når det gjelder denne veiledende språknormen, er utgangspunktet vårt en sterk bekymring for at barn begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk, og et ønske – som vi deler med stortingsflertallet – om å ha et både klarere, bedre og tydeligere språkarbeid i barnehagen. Vi har da lansert det som vi kanskje kunne omdøpt, sånn i etterpåklokskapens lys, tanken om en veiledende språknorm utarbeidet av fagfolk og fagmiljøer – det vil ta tid – som et støtteverktøy for barnehagene. Men så tar jeg til orientering at det har vært kontroversielt og omdiskutert i sektoren, og at det heller ikke er flertall for det på Stortinget, så den ideen må vi legge bort og nå jobbe videre med det man er enig om, nemlig forsterket språkarbeid.
Da har representanten Kjersti Toppe

Så spørsmålet mitt er: Dersom ein er opptatt av dette i barnehagesektoren: I staden for å innføra ei ny norm i ei barnehagelov, kvifor sørgjer ikkje statsråden for at det vert eit betre samarbeid mellom barnehage og helsestasjon, der ein har kompetansen til å vurdera ungen i eit heilskapleg perspektiv, i staden for å innføra nokre rigide system system i barnehagelova? Eg håper at statsråden forstår spørsmålet mitt og kan gi eit svar på

barn, barns språkutvikling er forskjellig – og fordi f.eks. minoritetsbarn og majoritetsbarn kan ha forskjellige utfordringer. Men jeg tror det er god mulighet for å få et bedre språkarbeid gjennom en kombinasjon av systematisk observasjon – som jo er det barnehagelærere og ansatte i barnehagen driver med hver eneste dag – og bevissthet om språkarbeid, språkarbeid, mer systematikk på det i flere barnehager og godt veiledningsmateriell, som ikke er veiledende normer, men veiledningsmateriell. Så mener jeg nok at barnehagen er den viktigste arenaen for dette, men det må gjerne også være et tettere samarbeid mellom barnehagene og andre deler av

incentivordninger for å få dem tilbake til barnehagene og øke rekrutteringen av andre faggrupper med barnefaglig kompetanse inn i barnehagene. Nå er det ikke sikkert at Venstre får flertall for disse forslagene, men jeg vil i all beskjedenhet påstå at dette er såpass fornuftige forslag at statsråden bør jobbe med det nesten uavhengig av om Stortinget vedtar det eller ikke. Så jeg vil gjerne høre hva statsråden tenker om hvordan han tenker at vi kan jobbe med dette framover. For jeg tror statsråden er enig med Venstre i at det er viktig å få flere menn inn i barnehagene, og at det også er ønskelig at de som har utdannet seg som barnehagelærere, er i barnehagene for å jobbe med ungene våre. Spørsmålet er hvordan vi kan få dem tilbake. Hvordan tenker statsråden vi kan jobbe

men jeg tror at det å synligjøre det også kan være et viktig bidrag til å rekruttere flere. Når det gjelder å forsøke å lokke barnehagelærere som ikke er i sektoren, inn, har vi gode erfaringer med samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre i skolen bl.a. for å få rekruttert flere yrkesfaglærere fra arbeidslivet, så det er noe vi gjerne kan jobbe videre med og se på. Så skal vi selvfølgelig også vurdere å støtte forslagene – det kan ikke jeg si på stående fot.

Hva i det vedtaket er det mulig å misforstå? Statsråden snakker som om dette er noe som han helt siden Sundvolden-erklæringen har tenkt å gjøre. Det er snart tre år siden. Statsråden har én enkel oppgave, og det er å melde tilbake til Stortinget om hvor han er i løypa med det krystallklare vedtaket Stortinget har fattet. Det betyr en plan for innfasingen av en bemanningsnorm og en vurdering av kravet om 50 pst. pedagoger.

berører også f.eks. behovet for kompetanseløft, faglig påfyll og den typen ting. Vi kommer til å komme tilbake til Stortinget med det Stortinget har bestilt, men det var en bestilling som kom i november/desember i fjor, og denne meldingen ble levert innen fristen for at den skulle behandles i år. Det andre, som jeg terper på, er at dette er det enighet om. om. Da er det som sagt forståelig og bra at man er utålmodig – det er jeg også – men ikke at man forsøker å late som om det ikke er enighet blant alle partier om at vi skal ha en bemanningsnorm innen 2020. Det står i regjeringserklæringen, og det er akkurat det samme som forrige regjering sa. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil takke saksordføreren for jobben når det gjelder Prop. 103 L og spesialpedagogisk hjelp så raskt og så tidlig som mulig når behovet er til stede. Arbeiderpartiet mener at foreldrene ikke må få en ekstra belastning og ekstra utgifter når barna trenger det. Vi vet at tidlig innsats lønner seg for barns utvikling og for resten av utdanningsløpet, og det er viktig at de som har behov for det, får tilbudet og ikke velger det bort på grunn av økonomi. Regjeringa vil altså frata foreldrene den retten de har i dag til fritak for foreldrebetalingen for den tida barnet mottar hjelp eller opplæring. Det kan ikke Arbeiderpartiet støtte. Vi støtter oss derimot til NOU-en «Til barnas beste», der det konkluderes med at redusert barnehagebetaling kan stimulere til økt bruk av barnehagedeltakelse og dermed ha positiv effekt på barna. Vi mener det er viktig at ordningen med fradrag fortsetter, og fremmer forslag sammen med Kristelig Folkeparti om det. I Prop. 103 L fremmes det forslag om barnehagerett for barn født i september og oktober. Det støtter vi selvfølgelig fullt og helt. Men vi har lyst til å minne posisjonen på hvordan deres argumentasjon og oppførsel i denne saken var da de var i opposisjon. Pipa har nå fått en annen låt. Nå er det ikke datohysteri eller uhørt at barnehager ikke har løpende opptak, ei heller er det en regjering som ikke leverer. Det de har klart, er å få til en liten utvidelse til oktober. Jeg regner med at det smaker litt vondt for dem som var ivrigst her på talerstolen og kritiserte regjeringa Stoltenberg den gangen. Det er bra at utvidelsen kommer, men det er ikke mye å kyte av. Køen vokser – fra rundt 8 300 til over 10 400 – noe som betyr at det ikke gjøres nok. Man bevilger ikke de pengene det er behov for, for det er ingen satsing på barnehage fra regjeringa. Arbeiderpartiet mener, som KS, at ikke-kommunale barnehager, på lik linje med kommunale barnehager, må pålegges å tilby plass til barn med lovfestet rett foran barn uten lovfestet rett. Det mener tydeligvis ikke regjeringa og unngår igjen å lytte til dem som kjenner belastningen og ser utfordringene. Regjeringa har én kjepphest, det er likebehandling i økonomi – private må få pengene sine. Det viser at for regjeringa går pengene foran barna. Derfor fremmer vi nok engang forslag om at finansieringen må gjennomgås for å sørge for likeverd i krav til kvalitet og tilgjengelighet. Det er ikke nok med likebehandling i økonomi. Arbeiderpartiet mener at det må gjelde det totale bildet – og først og fremst barnas beste. Når det gjelder Prop. 33 L, er tilsyn ett av temaene. Her er en Der ønsket man på sikt å overføre ansvaret for tilsyn til Fylkesmannen – et forslag som der fikk flertall. Det er for lite og for dårlig tilsyn i dag, og det må bli bedre. Rapporter viser at det er tegn til bedring, og at noen kommuner gjør jobben. Dersom ansvaret fortsatt skal være i kommunene, er det nødvendig å følge opp at det gjøres godt nok

Arbeiderpartiet har i denne runden valgt å støtte regjeringa for å beholde det som et kommunalt tilsyn, men det må følges opp og evalueres i løpet av en toårsperiode for å se om den positive utviklingen vi nå ser, fortsetter. Gjør den ikke det, vil Arbeiderpartiet at Fylkesmannen overtar tilsynsansvaret. Så til spørsmålet om dokumentasjon eller ikke – hvor mye og hvor langt det skal gå. Det har Det har vært et stort engasjement fra organisasjonene, og de fleste er veldig skeptiske og negative til økt bruk av kartlegging og dokumentasjon. Og de fleste vi hører, ser at loven åpner for det. Vi ser i dag en økende grad av dokumentasjon av barns liv i barnehagen, og vi mener at lovproposisjonen åpner for å dokumentere ytterligere dersom en ønsker det. Arbeiderpartiet mener at dagens mulighet for dokumentasjon er tilstrekkelig, og at barnehagen skal være en arena for lek og læring, uten at barna blir vurdert opp mot andre enn seg selv. Hver dag lærer barn nye ting, i sitt tempo, og barnehageansatte noterer seg det som er nødvendig for at barna skal få det tilbudet som trengs. Slik kan det fortsette med dagens lovverk. Barnehagepolitikken fra regjeringa kommer stykkevis og delt, og vi er usikre på konsekvensene av det proposisjonen åpner for. Der er vi på linje med de fleste organisasjonene, som f.eks. Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Regjeringa lytter altså heller ikke her til dem som kjenner området best, men tar kampen for å skape mer usikkerhet om det med dokumentasjon. Vi registrerer at regjeringspartiene har lagt inn merknader som understreker at lovforslaget ikke betyr mer dokumentasjon. Også representanten Harberg var oppe og understreket det fra talerstolen. Men vi stoler ikke helt på hvordan dette kommer til å bli tolket i framtida, for når det skrives i proposisjonen at lovforslaget ikke skal skille mellom kartlegging, dokumentasjon eller vurdering, er det vanskelig å være trygg på hva resultatet blir i neste omgang. Vi vil ha et vedtak som ikke kan misforstås. Derfor ber vi regjeringa komme tilbake til Stortinget med et nytt forslag til § 2 som ikke legger til rette for mer dokumentasjon. Det er viktig å ha gode rutiner og sikker behandling av personopplysninger. Datatilsynets rapport om personvern i skole og barnehage er en god rettesnor. Der slås det fast at det i dag ikke er gode nok rutiner, og at risikovurdering sjelden blir gjort i barnehager. Det er viktig at barnehageeier vet om sitt eget ansvar, og det bør, etter Arbeiderpartiets mening, gjøres en risikovurdering i hver barnehage. Man bør også avklare hva som er vanlig informasjon og ikke trenger personvernregler. Det er mye usikkerhet rundt dette. Her er det mye å ta fatt i for kommunene, noe jeg håper kommer til å bli gjort. Det å legge til rett for gode pedagogiske tilbud betyr tilstrekkelig med personell med god kompetanse i barnehagene. Den 24. november 2014 behandlet vi et forslag fra representanten Lysbakken om en bemanningsnorm, som har vært oppe her gjentatte ganger. Den har ikke kommet. Den 16. desember samme år varslet statsråden at det skulle gjøres en gjennomgang av finansieringen av private barnehager, der målet var å likestille. Det har han klart å få til. Det andre har han bare lagt på vent. Det som betyr noe for barna i barnehagen og for de ansatte, kan altså legges på vent, mens private aktører må få innfridd sine krav raskt. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti etterlyser nok en gang innfasing av bemanningsnormen – og jeg tror det er understreket nok i denne salen hvorfor – senest innen høsten 2016. Da har det altså gått ett år. Og det mener vi bør holde. Jeg tar opp de forslagene vi ellers har i saken. Representanten Sonja Mandt har fremmet de forslagene hun refererte til. I dag debatterer vi endelig innholdet i barnehagen. Ja, ja – vi skal innom rettigheter, plasser, starttidspunkt og litt annet også, men i hovedsak diskuterer vi innhold og kvalitet, ikke ventelister og antall plasser. Det er en milepæl for barnehagepolitikken. Det er nå sånn at nesten alle barn er innom barnehagen før skolestart. Det betyr at mange har meninger om hvordan barnehagehverdagen skal se ut, og det engasjementet har det vært spennende å ta del i i arbeidet med disse sakene. Komiteen var nylig på reise i Bergen og besøkte en barnehage som hadde spesialisert seg på kunst og kultur. Det var en spennende barnehage med kø av foreldre som ønsket barna sine inn der. Styreren vi møtte, var opptatt av å fortelle oss at barnehage var noe annet enn det å være hjemme. Store grupper barn gis mulighet til å lære seg å være sammen med andre. Dyktige ansatte har en annen pedagogisk tilnærming til barna enn det vi som vanlige foreldre har. Der jeg som forelder bestikker fireåringen med is for å få ro om kvelden, vil de barnehageansatte antakeligvis bruke mer pedagogiske virkemidler. Der foreldre teller kjøttkaker sammen med poden, vil styreren i en barnehage sette dette inn i et større læringsmål. Men når lillegutt slår seg og vil på fanget til en av en av de ansatte i barnehagen, kommer det fanget bare på en svak Den trygge pappaen som klemmer, plastrer og trøster, skal og vil alltid være på førsteplass. Med det utgangspunktet er det viktig at vi får en rammeplan som sikrer god og jevn kvalitet. Barn ønsker å lære, og de ønsker å leke. I barnehagen skal barns lærelyst, lekelyst og læringspotensial møtes og ivaretas. Læring skal skje gjennom lek og på barns premisser, og aktiviteter skal ta utgangspunkt i det enkelte barns forutsetninger og behov. Vi får ikke et godt innhold i barnehagen uten kompetente ansatte. Og mens vi venter på bemanningsnorm, som har vært tatt opp gjentatte ganger her, og som flertallet i denne salen er enige om skal komme innen 2020, må det være lov å være tilfreds med at vi i år bruker 410 mill. kr på kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagen. Det er mer enn en dobling på tre år. At antall dispensasjoner fra utdanningskravet går nedover og at antall pedagoger i barnehager går oppover, er også hyggelige tall. Det sosiale sikkerhetsnettet må ta imot dem som virkelig trenger det. Derfor er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. Ordningen sikrer at ingen husholdning må bruke mer enn 6 pst. av samlet skattepliktig inntekt på en barnehageplass. Det er også innført en mer målrettet ordning for gratis kjernetid i barnehagen. Dette gjelder tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Vi prioriterer å nå de familiene som virkelig trenger det, i stedet for å gi støtten til bestemte geografiske områder. Barn kan i opplæringsløpet trenge ekstra hjelp, og det er viktig å komme tidlig inn med denne hjelpen. Bestemmelsene om barn under skolepliktig alder som trenger spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring, har til nå befunnet seg under opplæringsloven. De fleste av barna som mottar denne hjelpen, går i barnehagen, så en mer logisk plassering vil være å legge bestemmelsene om dette under barnehageloven, slik det nå foreslås. I tillegg til dette foreslås det å knytte PP-tjenesten nærmere barnehagen. PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Det å jobbe sammen for å legge enda bedre til rette for tidlig innsats er en viktig og riktig vei å gå. Det diskuteres kommunegrenser over det ganske land i disse dager. For noen er disse grensene det viktigste i verden å bevare, og for barn og voksne som trenger litt ekstra hjelp, kan de minne litt mer om uoverkommelige barrierer. Derfor er jeg glad for at det nå gjøres endringer, slik at fraflyttingskommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp gjelder frem til tilflyttingskommunen fatter nytt vedtak. Det er viktig med kontinuitet i hjelpen, og dette må ikke hindres av usynlige grenser. Jeg startet dette innlegget med å si at vi i dag skulle snakke om kvalitet, men allikevel må det nevnes at fleksibiliteten også øker ved at ettåringer født i perioden 1. september–31. oktober gis rett til plass fra den måneden de fyller ett

samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Forskningen underbygger betydningen av at barn har grunnleggende og gode sosiale ferdigheter før de begynner på skolen. Det er sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og den enkeltes helse, utdanning og økonomi i voksen alder. Barnehagens innhold og kvalitet er vesentlige bidrag til gode skoleresultater og et fundament for å lykkes i arbeids- og samfunnsliv. Barns læring er en sammenhengende prosess gjennom hele utdanningsløpet. I barnehagen skal barnets lærelyst og læringspotensial møtes og ivaretas i et omsorgs- og læringsmiljø preget av trygghet, inkludering og lek. Kunnskap og kompetanse, ferdigheter og holdninger utvikles i samspill med andre i meningsfulle fellesskap hvor barn har mulighet til å uttrykke seg. Leken er barnets grunnleggende læringsform og skal ha en framtredende plass i barnehagen i framtiden også. Barnehagelæreren skal tilrettelegge for gode pedagogiske prosesser som styrker og støtter barns læring og utvikling gjennom utfordringer, og som er tilpasset hvert enkelt barn. Skolen skal bygge på fundamentet barn har med seg fra barnehagen. Det krever at barnehagen og skolen samarbeider, som jeg vet skjer i mange kommuner rundt omkring i hele landet i dag, slik at de kjenner hverandres faglige vurdering av arbeidsmåte og kultur. I barnehagen og skolen møte et innhold som betyr noe for livet deres her og nå, men som samtidig legger et solid fundament for framtidig samfunns- og arbeidsliv. Barn og unge skal være aktive deltakere i læringsprosessen, de skal utfordres, og de skal erfare nytten og gleden ved å løse stadig mer avanserte problemer og finne tilfredsstillende svar. Fra barnehagen skal barn ha med seg grunnleggende, gode sosiale og språklige ferdigheter. På skolen vil elevene gå dypere inn i faglig innhold, begreper og sammenhenger, og elevene vil i økende grad kunne bruke sin kompetanse til å tilegne seg mer kunnskap. Gitt kunnskap Gitt kunnskap om hvor mye en god barnehage kan bety for barn, og hvor mye ressurser i form av offentlige overføringer og foreldrebetaling som brukes i barnehagesektoren i Norge, skal vi forvente en god og høy kvalitet på barnehagetilbudet. Barnehagetilbud med lav kvalitet går ut over barnets trygghet, trivsel, lek, utvikling og læring i hverdagen og gir dem et dårlig utgangspunkt for videre oppvekst og skolegang. Høy kvalitet på tilbudet er viktig for at barn skal få en god barndom, og virker også helsefremmende. Jeg vil også framheve behovet for å sikre at alle barnehager arbeider godt med utvikling av barns språk. Dette gjelder som en del av det allmennpedagogiske tilbudet for alle barn, og det gjelder også barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Et godt norskspråklig fundament er avgjørende for barns videre skolegang, utdanning og yrkesliv. Minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage i flere år, bør beherske norsk godt nok ved skolestart til at de får tilfredsstillende utbytte av undervisningen i skolen. Det å bidra til best mulig språklig grunnlag for barn når de begynner på skolen, er en av barnehagens viktigste

Tolv år etter kan vi feire at vi har nådd målet. Vi bruker i år 20 mrd. kr mer per år til barnehage enn vi gjorde før den storstilte opptrappingen startet. Det meste kom under den rød-grønne regjeringen, så de som av og til sier at det skjedde ingenting da Stoltenberg satt som statsminister, kan i hvert fall på dette området konstatere at en av de største velferdsreformene i norgeshistorien ble gjennomført – 150 000 flere heltidsplasser i barnehage, over 40 000 flere ansatte, tryggere hverdag for familiene, mulighet for yrkesdeltakelse for menn og kvinner og selvfølgelig også det som diskuteres i dag, en fantastisk plattform for å gi alle barn en god start i livet: mulighet til å lære språk, muligheten til å lære samvær med andre, muligheten til å forberede seg på skolegang, men også muligheten til å føle trygghet og trivsel hver eneste dag. Barndom er ikke bare en forberedelse til voksenlivet. Barndom er en tilværelse i seg selv som skal fylles med kvalitet og glede. Det er ikke lenge siden kunnskapsministeren skapte læreropprør på skolefeltet, og man skulle tro at man hadde lært og forstått at det er viktig å skape god kontakt, samarbeid forankring hos dem som faktisk skal gjennomføre politikken, når nye initiativ tas. Men dessverre har vi fått et nytt opprør nå, et barnehageopprør. Høyre sier at de er glad for at sakene som legges fram, skaper diskusjon, og det er fint, men det er enda finere med en bred tilslutning, forståelse og entusiasme om det Stortinget går inn for, og det regjeringen tenker å gjennomføre. Da blir veien til endring i barnas liv også veldig mye kortere. Det er uro, bekymring og sinne som best beskriver de reaksjonene som har kommet, etter at regjeringen la fram sakene hvor de staker ut en ny kurs for barnehagene. Det er synd, for det at 97 pst. av barna fra tre til fem år nå går i barnehage, er en formidabel mulighet til å utjevne forskjeller. Vi vet av forskning at tidlig innsats og oppfølging tidlig i livet er veldig avgjørende for hvordan det går senere. Vi har hatt diskusjoner i skolepolitikken om økt innsats fra første til fjerde trinn. Vi foreslo en lese-, skrive- og regnegaranti for andreklassinger. Vi har ikke fått flertall for det. Likevel har opposisjonspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre fått gjennomslag i forlikene om budsjett for en innsats som regjeringen selv ikke har sett seg råd til: flere lærere på småskoletrinnet og større oppmerksomhet om den tidlige innsatsen.

Det starter tidlig i skolen, ja, for noen er det allerede i barnehagen at mye av dette grunnlaget legges. Derfor er det full tilslutning i Stortinget til at barnehagen er en læringsarena. Barn har en fantastisk evne til å lære når de leker, og leke når de lærer, og dette skal det selvfølgelig legges til rette for i barnehagene. Problemet og der statsråden går seg vill, er: Hvilken sentralstyring og hvilken sentraldirigering trenger de gode pedagogene våre i barnehagen for faktisk å gjøre den jobben? Det virker av og til som man tror om både skole og barnehage at hvis ikke Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet instruerer folk til å gjøre det på den ene eller den andre måten, skjer det ingen læring. Men dette er altså mennesker som har mange års utdanning i å undervise barn, i å ta seg av barn, til å drive

at en del av de nye initiativene fra regjeringen vil føre til mer kvalitet. Tvert imot advares det mot flere av dem. Statsrådens svar er at nei, det var egentlig ikke ment slik, det er egentlig de tingene som de allerede gjør, kartleggingsprøvene, de verktøyene som allerede finnes, som er det som skal brukes. Det må jo slå statsråden at det er veldig rart at det blir så mye konflikt hvis han egentlig bare foreslår at ting skal fortsette som før. annet sted må denne konflikten komme fra. Det kan godt hende at det er Utdanningsforbundets feil at det blir konflikt om dette, at det er Elevorganisasjonens feil at det blir konflikt om fraværsgrensen, eller at det er lærerorganisasjonenes feil at det blir konflikt om kompetansekrav. Men det kan hende at når det blir konflikt på område etter område, med sektoren, kan det også ha noe med arbeidsformen i Kunnskapsdepartementet å gjøre, at man ikke jobber tett nok på dem det angår, ikke sørger for å få forståelse for reformer eller kanskje heller ikke lytter og finner disse mer omforente løsningene som dermed også blir implementert. Sektoren sier selv at de trenger i grunnen ikke så mange flere verktøy.

en sak vi har i skolen, hvor kunnskapsministeren for halvannen måned siden var på TV 2-nyhetene, dypt sjokkert over at halvparten av ungene i skolen går ut uten å kunne svømme, og hvor vi her i salen f.eks. har foreslått at man skulle innføre en plikt for alle skoler og kommuner til å lære ungene å svømme. Det ble nedstemt av Høyre. Hva er Høyres svar i stedet? Jo, å innføre en kartleggingsprøve på om elevene kan svømme. Men kartleggingen ligger jo der. Bakgrunnen for hele nyhetsinnslaget var at halvparten ikke kunne svømme, og det tar lærerne ca. fem sekunder å finne ut om ungene kan svømme eller ikke, det er bare å hive dem i vannet, så ser man det med en gang. Det som mangler, er tid til å lære dem å svømme, tid til å drive undervisning. Det er dette som er hele forskjellen på venstresidens og Høyres skole- og barnehagepolitikk, at man tror at man kan bare måle seg til bedre kvalitet. Man er ekstremt opptatt av å måle resultatene i skolen, men man må snart begynne å konsentrere seg om å skape resultatene i skolen, og på samme måte må vi tenke barnehagepolitikk. Man skal ikke bare måle resultatene. Man skal skape resultater. Man skal sørge for at de pedagogisk ansatte, alle de fantastiske fagarbeiderne og assistentene som jobber med ungene hver eneste dag, faktisk får gjort den jobben de er veldig klar over at de har. Stoltenberg-regjeringens barnehagesatsing bidro til å gi oss en unik mulighet. Her kan vi oppdage de barna som av en eller annen grunn har kommet skjevt ut. Her kan vi oppdage de barna som, hvis vi ikke hjelper dem, kan komme til å streve resten av livet. Vi kan finne dem tidlig. Vi kan bistå dem tidlig. Vi kan gi dem en helt annen start. Men hvordan skal vi finne disse barna hvis vi ikke har nok voksne til å lete? Hvordan skal vi finne disse utfordringene og hjelpe dem med å komme bedre i gang hvis vi ikke har tid til å hjelpe? Arbeiderpartiet har gode løsninger for hvordan dette skal skje. Punkt få på plass nok kompetente voksne, slik at hvert eneste barn blir sett, og slik at de voksne i et fagmiljø kan vurdere hvem som trenger ekstra hjelp, og gi den hjelpen som trengs. Punkt to: sørge for at barnehagene har gode planer for systematisk oppfølging av dem som trenger det. Det kan man gjøre ved å bruke litt mindre tid på omdiskuterte massekartleggingsverktøy og i stedet sette krav om at alle barnehager utvikler en plan som sikrer systematisk observasjon, vurdering og oppfølging av barnas utvikling, slik f.eks. den nye barnehagebyråden fra Arbeiderpartiet gjør i Oslo. Når man oppdager at et barn henger etter, velger barnehagen det kartleggingsverktøyet de mener er best. De kartlegger de barna pedagogisk leder mener har behov for det, og setter inn den oppfølgingen de mener barnet trenger, og foreldre og foresatte skal involveres hele veien – ubyråkratisk, ressursene settes inn der de trengs,

Oppfordringen fra Arbeiderpartiet til kunnskapsministeren er: Bruk kunnskapen som ligger der, alle de fantastiske ansatte, innspillene som kommer derfra. Da lager vi en barnehage som kan fungere godt for alle. Den jevne og vedvarende styrkingen av barnehagetilbudet som denne regjeringen gjennomfører, er

pst. av samlet skattepliktig inntekt for en barnehageplass. Betydningen som barnehagen har for barnas utvikling, er – som vi har hørt her i salen, men som vi også kan se gjennom både nasjonal og internasjonal forskning – svært godt dokumentert, og det er noen funn som det er verdt å trekke frem: personalets kompetanse, kvaliteten på relasjonen mellom voksne og barn, satsingen på barnehagenes kvalitet – det er i seg selv god samfunnsøkonomi også – og naturlig nok: en god kvalitet på barnehagetilbudet, som er viktig både for språkutviklingen og barnas generelle utvikling. I norske barnehager i dag er det gjennomgående god dokumentasjon på en rekke områder. Det å stille krav til mer dokumentasjon eller ny dokumentasjon, selv om diskusjonen særlig rundt § 2 har båret preg av den oppfatningen. Litt av det kan man forstå når man hører representanten Mandt som sier at hun rett og slett ikke stoler på det vi sier, ikke når statsråden sier det, når det står i meldingen eller når alle våre representanter sier det. Snarere handler det om å nyttiggjøre seg den dokumentasjonen man allerede har, på best mulig måte gjennom å synliggjøre barnehagens ansvar for behandlingen av dokumentasjonen. Litt enkelt sagt handler det om å strukturere og ivareta den allerede eksisterende dokumentasjonen på en trygg og effektiv måte, noe som i tillegg til å understreke ansvaret man har ved behandling av personopplysninger, også legger til rette for mer systematisk bruk av dokumentasjonen i arbeidet med den enkelte barnehages utviklingsarbeid

bedre. Videre åpnes det også for en endring i tilsynet med barnehagene. Det har i debatten vært tatt til orde for et uavhengig tilsyn, noe også mitt eget parti tidligere har vært positivt til. Likevel ser vi – som flere har påpekt – at ved å flytte hele tilsynet ut av kommunen fjerner man viktig barnehagekompetanse i den enkelte kommune. kommune. Det er også – etter hvert som norske kommuner sakte, men sikkert blir større – grunn til å tro at disse fagmiljøene blir enda mer profesjonelle enn de er i dag. Det kan nok virke besnærende med en mer sentral kompetanse, men vi har likevel kommet frem til at det er en styrke å ha det fagmiljøet i den enkelte kommune. Så kommer det i tillegg en viktig endring: Fylkesmannen får nå også tilsynsmyndighet, noe som åpner for at foreldre, barna deres, barnehageeiere og ansatte får en anledning til å løfte saken ut av kommunen og inn for fylkesmannen. Det tror vi er en god ordning, og vi ser frem til praksisen. Den vil danne grunnlag for en eventuell fremtidig debatt og eventuell evaluering av hvordan den organiseringen fungerer. Det er avgjørende at tilsynet har troverdighet og tillit hos alle som arbeider med, arbeider i eller har barn i barnehagen. Det at det nå blir adgang til et uavhengig tilsyn og at det kan aktiveres, styrker ordningen, og vi tror det vil oppleves positivt. Det er sagt mange ganger at barna er det viktigste vi har. Barnehager med god kvalitet, god oversikt, gode rutiner, dedikerte eiere og en regjering med høye ambisjoner på feltet, samt gode sikkerhetsnett for å fange opp feil eller mangler, gjør at vi alle sammen også i fremtiden kan sende barna våre trygt til barnehagen, i trygg om at de har gode dager med tid for lek og læring. Det er gode dager med tid for lek og læring. Det er noe forunderlig at behovet for å styrke kvaliteten i barnehagene lanseres som en ny idé. Jeg tillater meg å ønske statsråden velkommen etter. Vi kan starte med St.meld. nr. 41 for 2008–2009, som nettopp het «Kvalitet i barnehagen». Meldingen viste til både behov, retning og konkrete forbedringer, særlig hva gjelder personalet i barnehagene. Så kom Meld. St. 24 for 2012–2013, som het «Framtidens barnehage», som i aller høyeste grad var en kvalitetsmelding, og som ble behandlet så sent som våren 2013. Innstillingen viser at det på flere områder er bare å sette i gang, at barnehagepedagoger har rett i at det ikke behøves en ny melding, og at de selvsagt er opptatt av kvalitet. Det er de hver eneste dag. En kunne forventet at Solberg-regjeringen fulgte opp Stortingets behandlinger istedenfor å Det er god grunn til å tro at enhver regjering vil være opptatt av kvaliteten i våre barnehager, men evnen og viljen til faktisk å bidra virker unektelig nokså forskjellig. Nok og kompetent personale er en hovedsak i tilrettelegging for god kvalitet i barnehagene. Derfor støttet Stortinget – alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet en bemanningsnorm under behandlingen av meldingen om framtidens barnehage, som flere har vært inne på i sine innlegg tidligere. I tråd med Stoltenberg-regjeringens forslag slo regjeringen fast at en bemanningsnorm med én voksen per tre små barn og én voksen per seks store barn skulle være regelen innen 2020. Her er det uttrykt ved at en plan fra statsråden, og vi venter fremdeles. Ifølge Utdanningsdirektoratet var det i 2015 283 684 barn i barnehage. Det er nesten 2 730 færre barn i barnehage Om lag 10 pst. av barna i barnehagealder går altså ikke i barnehage. Barnehagekøen har økt fra 8 334 til 10 411 barn. 10 411 barn i kø kan illustreres med eksempelvis 371 skoleklasser à 28 elever. Dette viser at vi går feil vei, og det samsvarer dårlig med et mål om å sikre alle rett til barnehageplass. Samtidig gir det grunn til å minne om at statsråden bidro med et kutt i antall plasser på om lag 7 000, som hans første bidrag i statsbudsjettet for 2014. Den gangen valgte han ironisk nok bort akkurat det han nå foreslår, som datofesting av rett til barnehageplass for ettåringer, og hadde stor tro på at flere skulle velge kontantstøtte foran barnehageplass. Resultatet var dette: tapte år for barnehageutviklingen og tapte år for barn i barnehage. Når det gjelder personalet, var det i 2015 669 årsverk i barnehagene – en nedgang på 320 årsverk fra 2014. Men heller ikke det ser ut til å kunne vekke statsrådens engasjement for den tidligere nevnte bemanningsnormen, underlig nok. Barna fortjener en bemanningsnorm framfor en språknorm. Til slutt vil jeg gi all støtte til de mange som i dag har vært med og hedret barnehagene som en god arena for våre barn. Det opplever jeg at vi er enige om. Den gir oss foreldre mulighet til å være trygge på at når vi går på arbeid, blir barna våre godt ivaretatt. Leken, sosialiseringen, fellesskapet og mestringsfølelsen er alle biter av en barnehagehverdag som vi kan være stolte av, som vi kan hegne om, og som fungerer skoleforberedende for alle alderstrinn. Som tidligere varslet vil jeg komme tilbake og Som tidligere varslet vil jeg komme tilbake og avklare hvordan Høyre og Fremskrittspartiet vil stemme i sakene. Jeg tar også med innstillingen til Prop. 103 L for 2015–2016, som vi følger slik den foreligger, så der er det ikke noe spesielt å si. I innstillingen til Prop. 33 L for 2015–2016 har Høyre og Fremskrittspartiet et forslag til vedtak, fordi vi har flertall i komiteen, men som ikke har flertall i salen. Så er det to forslag som omhandler § 2 første ledd, som er fremmet i salen. Det er et mindretallsforslag i innstillingen, fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, og det er et forslag fra Venstre. Når vi vet at vi ikke får flertall for komiteens innstilling til § 2 første ledd, velger vi å gå inn for forslag nr. 4 i saken, altså det forslaget som

har også tatt med samisk språk. Vi synes det er en god formulering og en god måte å løse det på, derfor støtter vi det. Dermed støtter vi ikke I i innstillingen. Så støtter vi forslag nr. 11, og vi støtter forslag nr. 14. Der har de satt inn et «vurdere», som gjør at det er lettere for oss å gå inn for det. Forslag nr. 17 vil vi også gå inn for. Vi går over til Senterpartiets forslag, der vi vil gå inn for forslag nr. 27. Bare en liten forklaring her også: Når vi ikke følger anmodningen fra representanten fra Venstre som statsråden fikk, om å gå inn for forslagene nr. 15 og nr. 16, der det ene handler om å rekruttere menn, er det fordi begge forslagene om rekruttering er formulert slik at de har en økonomisk konsekvens. De fleste her i salen kjenner til at det er vanskelig for regjeringspartiene å gå inn for noe som binder budsjettet. Senterpartiets forslag om å ha oppmerksomhet på å rekruttere menn har ikke en slik følge. Derfor velger vi å gå inn for det. Da tror jeg at jeg har vært igjennom det som gjelder. Det er sikkert litt utfordrende å følge med på det, men jeg vet at sekretariatet har god kontroll på dette. De fleste partiene har vi vært i dialog med, så de skal også kjenne til det.

Vi er opptatt av at vi må styrkja tilbakemeldingskulturen i barnehagane. Det er avgjerande at alle foreldre får gode og tydelege tilbakemeldingar om korleis barna har det når mor og far ikkje er til stades. Spesielt viktig er dette for dei aller minste barna, som ikkje kan uttrykkja seg like godt som dei som er eldre. Ikkje alle barn har det godt i barnehagen: Dessverre viser undersøkingar at barnehagesektoren har fleire utfordringar og ikkje er i mål med å skapa inkluderande omsorgs- og læringsmiljø for alle. Det er for store variasjonar i kvaliteten på det allmennpedagogiske tilbodet, og mange barn manglar tilstrekkeleg norskspråkleg kompetanse ved skulestart. Mange barn med behov for særleg støtte og tilrettelegging får ikkje eit godt nok tilbod. Overgangen og samanhengen mellom barnehage og skule kan bli betre. Tryggleik i barnehagen er derfor noko som regjeringa prioriterer på det sterkaste i den nye stortingsmeldinga om ein betre barnehage. Den nye rammeplanen har høge ambisjonar for trivselen til barna, utvikling av språk og læring i kvardagen. Barna skal gå ut av barnehagen med erfaring, kunnskap og ferdigheiter som har verdi for det vidare livsløpet deira og for eit liv i eit meir komplekst og mangfaldig samfunn. Eigenarten til barnehagen handlar om læring gjennom leik. Vi er opptatt av utforskartrongen og nysgjerrigheita til barna, som det skal stimulerast til på barna sine eigne premissar. Det blir stilt krav til dei vaksne. For Framstegspartiet og regjeringa er det viktig å styrkja det pedagogiske arbeidet for å sikra eit godt og tilpassa tilbod til alle barn. Barnehagen skal ha system og rutinar som sikrar at barn som har behov for særskild tilrettelegging eller støtte, får det tilbodet dei treng, om nødvendig i samarbeid med andre instansar. Vi ønskjer å tydeleggjera dei nasjonale rammene som regulerer dei viktigaste sidene ved Eigar og tilsette må, innanfor dei nasjonale rammene, kunna grunngi vala sine overfor foreldra og myndigheitsnivåa. Slik blir det også lettare for foreldra å vita kva dei kan venta av barnehagen. Eit godt foreldresamarbeid er grunnleggjande viktig. Samtidig skal barn og foreldre oppleva ein større samanheng og kontinuitet i overgangen mellom barnehage og skule, sjølv om barnehage og skule er ulike pedagogiske institusjonar. Utsette barn er overgangen, og mange barnehagelærarar fortel at dei allereie i barnehagen gjer seg tankar om kven av barna dei er redde vil droppa ut av skulen seinare. For samfunnet er det avgjerande at vi blir flinkare til å fanga opp desse barna og setja inn riktige hjelpetiltak tidleg nok. Regjeringa har levert mykje på barnehageområdet, men det er framleis ein del som står att. Eg er stolt over at vi i løpet av regjeringsperioden har styrkt den Det er innført eit nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrar at ingen hushald må bruka meir enn 6 pst. av den skattepliktige inntekta på ein barnehageplass, med maksimalprisen som ei øvre grense. Det er innført gratis kjernetid for fire- og femåringar frå familiar med låg inntekt, og frå 1. august 2016 vil tilbodet om gratis kjernetid også omfatta treåringar frå familiar med Regjeringa har lagt til rette for etableringa av 3 400 nye småbarnsplassar, noko som gjer det lettare for kommunane å ha eit meir fleksibelt opptak. Det blir også gitt midlar til førebuande symjeopplæring i barnehagen – eit viktig tiltak for at barna skal bli trygge i vatn, slik at ein hindrar drukningsulykker. barn og foreldre vil framleis kjenna at dei minste barna har det best heime dei første leveåra, men som politikarar må vi ta ansvaret for at barnehagen blir tryggast og best mogleg, særleg når dei aller fleste familiar brukar han. Barnehagen kan ikkje vera upåverka av endringar som skjer i samfunnet. Foreldra skal kunna setja krav om tryggleik for barna. Vi forventar at barnehagane gir barna tryggleik, omsorg og opplevingar og gir foreldra klare tilbakemeldingar om korleis barna har det i kvardagen når ikkje foreldra har lyst til å takka alle for ein god debatt. Eg sit litt igjen med at ordet som har blitt mest brukt i dag, er nok «bemanningsnorm». Det er ganske utruleg, og fascinerande på same tid, at ei bemanningsnorm som vi alle er einig i – til og med vi i Framstegspartiet – har fått den store samtala på plass her i salen i dag. I alle fall: Takk for ein god debatt, alle saman.

Det er bra at også debatten igjennom viser at regjeringspartiene ikke får flertall for de mest ytterliggående forslagene sine, men jeg er glad for at statsråden i salen i dag er såpass ydmyk at han innrømmer akkurat det – at her har regjeringen ikke flertall for sine forslag. Det kunne vært interessant å høre om regjeringspartiene og statsråden fortsatt mente at innføring av språknorm, utbytte, krav osv. og mer dokumentasjon fortsatt er en god idé, eller om de innser at opposisjonen, med sine forslag her i dag og sine omskrivinger av forslag, har gjort innstillingen og dermed barnehagepolitikken bedre. Det gjør opposisjonen i dag, med sine forslag og sine vedtak. Vi gjør kvalitetsarbeidet i barnehagene bedre, men innenfor de rammer og den gode tradisjonen som vi er vant til i den norske barnehagepolitikken. Og nå må altså regjeringen følge opp. Jeg har mine tvil om at regjeringen blindt kommer til å følge opp de vedtak flertallet i Stortinget i dag gjør, når vi har sett den manglende evnen til å følge opp flesteparten av vedtakene om bemanningsnorm og som Stortinget tidligere har gjort – i to vedtak. Vi gjør et tredje vedtak i dag, men statsråden bekrefter i salen nok en gang at han ikke kommer til å følge opp vedtakene Stortinget har gjort, og komme med en plan for hvordan dette skal følges opp. Tvert imot sier statsråden og representantene fra regjeringspartiene at dette er vi så enige om at det kommer til å skje av seg selv. Det er ikke riktig, det må gjennomføres. Men så er det heller ikke slik at vi i denne salen har vært enige om at vi skal ha 50 pst. pedagogtetthet. Dersom Høyre og Fremskrittspartiet i dag mener det, er det noe nytt, i så fall. Da kan de gjerne Hittil har de kun sagt at de er med på en bemanningsnorm innen 2020, men ikke 50 pst. pedagogtetthet. Derfor har jeg ingen tro på at regjeringen kommer til å fullføre dette arbeidet. Når det kommer til språkkrav til ansatte, har opposisjonen vært opptatt av at vi må stille strengere krav til at de ansatte skal kunne godt norsk, for det er viktig for språkarbeidet i barnehagen at ungene våre lærer godt norsk. Men det som ble lagt fram av regjeringen, mente vi var for at det kom til å hindre fleksibilitet i de barnehager der dette ikke er noe problem, f.eks. der alle de ansatte fyller språkkravene og man ønsker å ansette f.eks. en minoritetsspråklig mann, som kanskje ikke ved ansettelsesstart fyller språkkravet, men som kan fylle andre krav for å arbeide i barnehagen, f.eks. det med mannlige rollemodeller. Vi fikk derfor til en god løsning sammen med regjeringspartiene om en endring av teksten i det språkkravet, men nå hører vi altså at partiet Venstre foreslår noe annet, som regjeringspartiene velger å gå for. Jeg tror, etter å ha hørt debatten i dag, at vi alle er enige om at språkkravet ikke skal utformes på den måten at det hindrer den typen fleksibilitet, og jeg er glad for at representanter for flere partier sier det. Så vi kommer til å stemme subsidiært for Venstres forslag, og så får vi se når saken kommer tilbake til Stortinget, om regjeringen har fulgt opp det vi i salen i dag har sagt. Presidenten vil bemerke at Høyre har taletid til overs, og spør derfor statsråden om han ønsker ordet til et femminuttersinnlegg nå. Takk – det er fint når det er taletid til overs. Bare helt konkret til det som representanten Trettebergstuen sa: Jeg har bekreftet at jeg kommer til å følge opp det stortingsflertallet vedtar. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det – jeg har sagt det tidligere her også at når stortingsflertallet ber om en plan, er det min jobb som statsråd å følge stortingsflertallet. Det heter parlamentarisme. Så jeg har bekreftet det. Det jeg har forsøkt allikevel bare å få frem, er at det er rart at man forsøker å lage konflikt rundt en sak hvor alle partier her inne har det samme standpunktet. Det står i regjeringserklæringen «bemanningsnorm innen 2020», det står i Arbeiderpartiets program bemanningsnorm innen «2020», og den forrige regjeringen hadde bemanningsnorm «innen 2020». Så må jeg også si at når man først gjør seg høy og mørk, lønner det seg kanskje også å ha med litt penger, at man selv viser gjennom sine alternative budsjetter at man virkelig mener dette. Kristelig Folkeparti har lagt inn 300 mill. kr til bemanningsnorm. Så vidt jeg kan se, er det mange andre partier som ikke har gjort det – ingen nevnt, ingen glemt. Så er det selvfølgelig slik at regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, fortsatt mener det vi har fremmet for Stortinget, og det er også begrunnelsen for at når Venstre fremmer et forslag i salen som ligger nærmere opp til – ja egentlig helt opp til – det vi har foreslått, er det naturlig for oss å gå for det. Helt til slutt: Når det gjelder dokumentasjon, er det ikke slik at vi har foreslått en lovhjemmel som skal gi mer dokumentasjon i barnehagen eller mer kartlegging i barnehagen. Det er også nettopp grunnen til at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å stemme for forslaget fra Venstre, hvor det understrekes klart og tydelig. La meg bare gi et eksempel. Representanten Trettebergstuen skriver i en kronikk i VG i dag – hvor jeg er enig i veldig mye – om hva de gjør i Oslo. I Oslo pålegger de barnehagen å ha planer for systematisk observasjon av barnas språkutvikling. Jeg vil anta at dette også dokumenteres på en eller annen måte, at språkutviklingen ikke bare er en plan for systematisk observasjon, men at det også er en form for dokumentasjon, kanskje særlig når det gjelder de barna man er ekstra bekymret for, for å kunne gi tilbakemelding til foreldre ved samtaler, og at man har noe å forholde seg til på personalmøter når man diskuterer dette, og av diverse andre grunner. Den typen dokumentasjon er personopplysninger, og barnehagen har ikke i dag en klar hjemmel i lov for å behandle den typen personopplysninger, og det er den hjemmelen vi er opptatt av at barnehagen skal ha. Det betyr ikke at barnehagene skal dokumentere mer. Det betyr heller ikke at barnehagene skal dokumentere mindre, men det betyr at man skal ha en klar hjemmel for den dokumentasjonen man driver med i barnehagene i dag. I dag ligger det i forskrift, da vil det reises opp i lov. Så tar jeg til orientering at Stortinget ønsker en enda tydeligere innramming av det forslaget. Man er, tilsynelatende i hvert fall, enig om intensjonen, men ønsker en klarere innramming, og det må vi da komme tilbake til Stortinget
Til Prop. 103 L for 2015–2016: Det er opp til kommunen å bestemme hvordan opptak av barn født i september eller oktober skal organiseres. Kommunens plikt er å tilby plass fra den måneden barnet fyller ett år, og barnets rett er å få plass i barnehagen i den kommunen det er bosatt i, fra den måneden barnet Kommunen kan velge å tilby disse barna plass allerede i løpet av august, men det er viktig å understreke at kommunen ikke har mulighet til å kreve oppstart og kreve foreldrebetaling fra og med august av foreldre med barn født i september eller oktober. Det er opp til barnehagen eller kommunen å fastsette hvilken dag i løpet av måneden – altså den måneden barnet fyller ett år – barnet kan starte, og foreldrene vil være pliktige til å betale foreldrebetaling fra den oppstartsdatoen som er fastsatt av kommunen eller barnehagen, forutsatt at denne er i løpet av den måneden barnet fyller ett år. Det er også viktig å understreke at hensikten med utvidelsen av rett til barnehageplass er å sikre flere ettåringer barnehageplass, ikke å legge til rette for eller gi incentiver til tidligere Det slås i regjeringens høringsnotat fast at barnehagene må «i perioden august til oktober ha en høyere tetthet av barnehagelærere enn minimumskravet som ligger i pedagognormen for å kunne ta imot barn i løpet av september/oktober». Videre står det skrevet: «En høyere tetthet av ansatte i august/september vil likevel være en fordel med tanke på kvaliteten i barnehagene. I august vil det være mange nye barn i de fleste barnehager. Flere barnehagelærere og ansatte per barn, kan bidra til bedre muligheter til å følge opp alle barn i en tilvenningsfase.» Dette lovvedtaket skal legge til rette for at flere ettåringer kan starte i barnehagen når de trenger plass, og finansieringen av dette er et statlig ansvar. Ekstra utgifter til barnehagene og kommunene dekkes gjennom bevilgning i statsbudsjettet. Jeg har bare lyst til å presisere det, for det har kommet noen signaler om at man ikke helt har forstått denne flyttingen av datogrensen har betydd, og at dette da vil medføre større kostnader for kommunene. Det er viktig å presisere at dette ikke skal belastes verken barnehage eller kommune, dette skal bevilges over statsbudsjettet. Så synes jeg den debatten vi har hatt om bemanningsnorm og barnehagelærernorm, er ganske interessant. Kunnskapsministeren har pekt på at det er full enighet i denne sal om at det skal innføres en bemanningsnorm innen 2020. Men det kunne vært interessant å høre – representanten Trettebergstuen var litt inne på det – om kunnskapsministeren også vil si at det er full enighet om minst 50 pst. barnehagelærere, en barnehagelærernorm. Hvis Høyre mener det nå, er jo det veldig positivt.

nr. 3. Forslag nr. 4, om å vurdera å gi barna rett til å høyra til ei barnegruppe og om barnegruppestørrelse, meiner eg er altfor lite omtalt i denne barnehagemeldinga. Størrelsen på barnegruppa er viktig, spesielt for dei minste ungane. Det at dei har få få vaksne å innretta seg etter, kan bety like mykje som bemanningstettleiken. Det håpar eg at statsråden kan ta med seg. Når det gjeld ei rettleiande norm for det språklege grunnlaget – at det skal utarbeidast ei norm for kva ungane skal ha med seg frå barnehagen – vil eg, som eg tok opp i replikkrunden, gjort slike vurderingar av ungar. Det som eg reagerer på, er formuleringa om at ein skal ha ei norm for kva ungane skal ha med seg frå barnehagen. Språkutviklinga til ungar startar eigentleg frå dei vert fødde, med pludring, dei første orda osv., og ho skjer kontinuerleg. Eg held fast ved det eg sa, at her må ein òg ha eit godt samarbeid med helsestasjonen dersom ein får ein mistanke. Når ungane er to år, skal dei kunna seia nokre setningar. Eg testa min eigen unge på toårsdagen og spurde: Øystein, kan du seia Øystein to år? Da svara han meg: Nei, din dust. Da fann eg ut at han jo var kartlagd greitt og bra, men det kan jo vera andre ting med det barnet som ikkje var like

fra en idé om at flere voksne og flere pedagoger er det aller viktigste for å få mer kvalitet i hverdagen til ungene, og at veien til læring ikke går gjennom mer kartlegging, gjennom mer målstyring, gjennom mer detaljstyring av pedagogene. På den andre siden er det høyresiden, som har lagt fram en kurs i meldingen, og som har brukt denne debatten til enten å forklare at de har blitt misforstått, eller at den kursen egentlig ikke gjelder. Det tyder i hvert fall på at selvtilliten med hensyn til eget budskap, fra Høyre og Fremskrittspartiets side, har gått betydelig ned i løpet av den tiden Stortinget har behandlet barnehagemeldingen, og det er det også god grunn til. stor honnør til dem som står bak barnehageopprøret, og som har fått til dette og gjort at vi kan få barnehagepolitikken på sporet igjen. Jeg lovet i sted å komme tilbake med en stemmeforklaring. Vi har et veldig høyt antall forslag som skal behandles. Jeg tror ikke jeg skal kjede forsamlingen med å gå igjennom absolutt alle, vår stemmegivning er levert inn til støtter romertallsvedtakene i de ulike innstillingene. Vi vil også stemme for samtlige av de mindretallsforslag som enten Arbeiderpartiet alene eller Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har fremmet, både i Innst. 338 L, i Innst. 344 L – med et lite unntak, som og i Innst. 348 S. Vi vil også stemme for de fleste av de forslagene som er fremmet av Senterpartiet og Venstre, i tillegg til, selvfølgelig, SVs eget forslag. Det vi ser her i dag, er en bred enighet mellom sentrumspartiene og venstresiden i barnehagepolitikken, som lover godt for framtiden, og som det også vil være klokt av statsråden å innrette seg etter. Den aller viktigste beskjeden statsråden kan ta med seg – det gjelder i denne saken som i en rekke andre saker han håndterer – er: Lytt mer til sektoren! Da får vi mindre konflikt, og vi får også en raskere vei fram til vedtak som kan bringe sektoren videre. Aller viktigst, kanskje: Hvis man lytter mer til dem som har greie på det, blir det bedre både skole og barnehage, og det er jo det vi vil alle sammen. Jeg har lyst til å si at jeg er litt glad, for jeg føler at verden går litt framover. I 1973 begynte jeg å engasjere meg for barnehager, og da foregikk ikke debatten slik som den har gjort i dag. Da var det ganske mange som var veldig imot barnehager i det hele tatt, og veldig mange som slett ikke kunne tenke seg at det skulle være en rettighet for barn, at det skulle være billig, eller at det var bra for barn og familien. Tvert imot var de fleste partier som sitter i denne salen, veldig imot barnehager helt til SV tok initiativet til et barnehageforlik og forandret Norge til det bedre – for ungene, for familiene og for økonomisk vekst for landet. Det er jeg veldig stolt av og glad for. Saken i dag handler om kvaliteten på barnehager. Når foreldre kommer med ungene sine til barnehagen, kommer de med det mest dyrebare de har. Jeg har jobbet i barnehage i 17 år, tatt imot dette dyrebare og vet at det er vanskelig å strekke til, særlig for oss som ikke var faglærte den gangen. Men gode, faglærte barnehagelærere er gull verdt, det er for få av dem, og mange barnegrupper er for store. Skal barnehagene bli så gode som de bør bli for at alle ungene skal kunne få utvikle seg så positivt som de har mulighet for, må det altså flere barnehagelærere til, det må til en bemanningsnorm, og det må til et tak når det gjelder antall barn, for det er ikke mulig bare å utvide, utvide og utvide. En av debattene her er dette med språkkartlegging. Ja, det skjer jo hele tida i barnehagen. Men hvis du er i barnehagen og ikke er trygg fordi de voksne ikke har tid til deg, er min erfaring at noen unger kanskje ikke sier et steinsens ord. Noen unger snakker tidlig, noen unger snakker seint, og gode og nok barnehagelærere behersker veldig mange metoder som gjør at barn knekker kodene tidligere, og kan bli trygge på seg sjøl. Til slutt: Barn skjønner fryktelig tidlig at de blir målt og kartlagt. Det kan hende det er en spore for noen, men for de aller fleste er det en klump i magen. At man via kartlegging og måling bidrar til at barn får mestringsfølelse, som man sier, må jeg si at jeg ikke har noen tro på. Barnehagen skal ha nok kompetente ansatte, slik at barn mestrer, og er det nok ansatte med god kompetanse i barnehagen, går dette bra for de aller, aller fleste. Geir Jørgen Bekkevold har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, Jeg har lovet å gjøre rede for hvordan vi skal votere i dag, og nå skal mye sies på inn- og utpust i løpet av 1 minutt. Jeg kan begynne med Innst. 344 L til Prop. 33 L. Forslagene Kristelig Folkeparti er med på, er allerede tatt opp, men jeg vil varsle at subsidiært vil vi stemme for Venstres forslag nr. 4. Når det

folkehelsen. Det skjer en gledelig utvikling i den norske opinionen, nemlig at stadig flere blir bevisst på at en må stille større krav til maten. Veldig mange av de livsstilssykdommer og folkehelseproblemer vi har, har sin basis i at mat og drikke inneholder stoffer som over tid gir alvorlige komplikasjoner. Punkt to: Saken er det som har vært Stortingets målsettinger over lang tid, ikke har blitt tatt på alvor, og blir ikke tatt på alvor, av Landbruks- og matdepartementet. Jeg er veldig glad for rapporten fra Riksrevisjonen som går inn på et tema og vurderer om det som er sagt i denne sal over 16 år, er det vel, er fulgt opp eller ikke. Det er prisverdig, og det står Riksrevisjonen til ære. Stortinget har hatt mål for økologisk jordbruk siden 1999. Den gang ble det sagt at målet var at 10 pst. av det totale jordbruksarealet skulle være lagt om til økologisk drift innen 2010. I 2005 ble målet endret til at 15 pst. av produksjon og forbruk skulle være økologisk innen 2015. Så så en at det var vanskelig å nå, så i 2010 ble tidsperioden forlenget til 2020. Vi har presise målsettinger. Målsettingene er så presise at det skal drives økologisk matproduksjon på 15 pst. av det samlede jordbruksarealet, og det er klart definert hva som er jordbruksareal, det er Landbruks- og matdepartementet fullstendig klar over i sin statistikk. Det står at 15 pst. av husdyrholdet skal være økologisk. Husdyr vet også Landbruks- og matdepartementet hva er i forhold til ville dyr. Vi snakker altså om husdyr. Det er ambisiøst, det er alle enig om, men Stortinget var klar over at det var ambisiøse mål, da målsettingene ble satt. Dette jeg nå sier, er det en enstemmig komité som står bak: presisjonen i målsettingene, at det er ambisiøst, og at Stortinget var klar over at det var ambisiøst, da målsettingene ble satt. Økologisk landbruk er definert i regelverket for økologisk produksjon i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler av 4. oktober 2005, den Alle som produserer økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, må holde seg til det offentlige regelverket på området. Det er altså presist og nøye regulert. Denne økologiske driftsformen bygger på en del forutsetninger. Naturressursene skal forvaltes slik at skadelige virkninger på miljøet unngås, og derved sikre at jordens fruktbarhet på lang sikt ivaretas. Det genetiske mangfold og artsrikdommen skal sikres, og ved økologisk jordbruk skal det skapes et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige adferd og behov. Så kommer det som er det aller vanskeligste og mest krevende, nemlig at det skal være et vekstskifte som skal være mest mulig variert, og plantedyrkingen skal være lagt opp slik at en forebygger ugress, sykdommer og skadedyr, og med mest mulig resirkulering av organisk materiale. meget krevende å drive økologisk jordbruk med minst mulig ugress. Det vet enhver som har prøvd å praktisere det. Det er enklere å bruke sprøytemidler. Ved økologisk drift blir det lagt opp til en balanse mellom areal og husdyrhold med hensyn til fôrproduksjon og bruk av husdyrgjødsel – glitrende. Det er gammel kunnskap skal være samsvar mellom husdyrholdet du har, som lever av planter, og arealet du har å dyrke planter på – god, gammel, verdikonservativ kunnskap som det økologiske jordbruket nå har tatt fatt i. Det er dem til ære for det. Økologisk jordbruk har som mål at produkter også etter bearbeiding skal ha basis i det helhetlige utgangspunktet. Bearbeiding er altså også vesentlig. Hva du putter inn i råvarene, hvordan du bearbeider dem, er også vesentlig, for enhver som leser en produktinformasjon, ser alle de stoffene som er puttet inn i det en skal spise, etter at det er gått fra primærjordbruket. Det er videre i økologisk jordbruk krav til at genmodifiserte organismer og produkter avledet av sånne ikke skal brukes. Genmodifiserte organismer, hvis vi eksempelvis tar planter, er planter som tåler sprøytemidler som er av en sånn karakter at vanlige planter drepes for fote dersom dette sprøytemiddelet blir brukt. Når det gjelder genmodifiserte planter, tåler planten et sprøytemiddel som alle andre grønne planter dør av. Det viser hva den planten inneholder, og det er den faglige, saklige begrunnelsen for hvorfor en skal holde seg vekk fra genmodifiserte organismer og genmodifiserte planter. Det er Landbruks- og matdepartementet som har det overordnede ansvaret for landbruksforvaltningen og skal legge til rette for at målene for økologisk landbruk blir nådd. Det har aldri vært noen tvil om hvem som har ansvaret i denne saken. Det er Landbruks- og matdepartementet ved statsråden. De siste offentlige, dokumenterte finner vi i Landbruksdirektoratets rapport fra 2016, og den viser at det fortsatt er en nedgang i det økologiske arealet i Norge. Det skjer i 2015, og det er nå en situasjon hvor bare 4,8 pst. av det totale, norske jordbruksarealet er økologisk areal. Samlet utgjør det i underkant av 500 000 dekar. Det går Andelen økologisk kornproduksjon er om lag 1 pst. Andelen økologisk solgt kraftfôr lå på 1,8 pst. i 2015, og økologisk husdyrproduksjon utgjorde i 2015 følgende i volum: melk 3,4 pst., kjøtt 1 pst., fjørfe 0,2 pst., egg Når det gjelder frukt, bær og grønnsaker, som veldig mange er opptatt av, framgår det at også der er arealet i tilbakegang, men at det i hovedsak skyldes nedgangen i potetarealet. Det totale økologiske frukt-, bær- og grønnsaksarealet er bare på 2,3 pst. av totalareal. Hva så med forbruket? Det skjer en radikal endring i folks forbruksvaner, som jeg innledet med. Sjøl om det nå er sånn at i dagligvarehandelen utgjorde økologiske matvarene i 2014 bare 1,45 pst., så har det fra 2013 til 2014 vært en økning på nesten 30 pst. – enormt. Ifølge Landbruksdirektoratets rapport nr. 12 fra 2016 økte omsetningen av økologiske mat- og drikkevarer med nesten 15 pst. i 2015, til nesten 2 mrd. kr, og det er en fordobling siden 2010. Innenfor andre kanaler enn dagligvarehandelen økte det også betydelig. Det som skjer, er altså en positiv holdningsendring hos norske forbrukere til økologiske mat- og drikkevarer, og det er bra. Det er meget bra, og her vil jeg rette en oppfordring til dagligvarekjedene. Dagligvarekjedene med det monopoliserte marked som de tre har, har nå et stort ansvar for å gjøre en jobb for å få fram flere økologiske produkter for en grei pris til forbrukerne, slik at en kan få en utvikling som er i samsvar med Stortingets vilje på det området. Det har vært et problem hittil at det har vært større produksjon enn det som har vært omsatt i markedet. Det har ført til at en stor del av den økologiske produksjonen blir solgt som ordinære produkter i markedet. Fra 2010 er andelen økologiske varer som er videresolgt fra mottaks- og foredlingsanlegg som økologisk merkede varer, økt for alle husdyrprodukter. Men fortsatt er det sånn i 2015 at bare 54 pst. av melken som er produsert økologisk, blir solgt som økologisk. For kjøtt er tilsvarende 39 pst., og med kjøtt menes storfe, sau, lam og svin. For fjørfe er det 100 pst. – gledelig – for egg 81 pst. Det som er å merke seg her, er at utviklingen går i riktig retning, men fortsatt er det altså altfor mye av det som produseres økologisk, som blir solgt som Riksrevisjonen har påpekt fem hovedfunn, og det viktigste står i punkt 1: «Utviklinga for økologisk produksjon og forbruk er ikkje i samsvar med måla frå Stortinget på området.» Det står videre at regelverket er for komplekst og uoversiktlig, stimuleringstiltakene er ikke nok til å øke den økologiske produksjonen, og styresmaktene har ikke lagt godt nok til rette for å øke det offentliges forbruk av økologisk mat. Så gjelder det hvor den generiske markedsføringen, det som på godt norsk heter markedsføring av en produktkategori istedenfor en bestemt merkevare, ikke er omfattende nok til å nå ut til forbruker, distributør, storhusholdning og dagligvarehandel. Hvorfor driver vi med økologisk jordbruk? Det er to hovedgrunner til det. første er at forbrukerne som ønsker å spise og drikke økologiske jordbruksprodukter, skal få dekket sitt behov gjennom nasjonal produksjon for de produkter det er naturlig å produsere i Norge. Den andre er at økologisk jordbruk skal være en læringsarena for hele det norske jordbruket for å gjøre driftsmetodene mer framtidsrettet ved å fremme fruktbarheten i jorden og bedre dyrevelferden. dekke forbrukerbehovet og forbedre driftsmetodene for hele det norske jordbruket er altså svært gode formål. Norsk jordbruk er gjennomregulert. Norsk jordbruk er en privat næring. Det er næringsvirksomhet, men den er gjennomregulert. Jeg kjenner ikke til noen private næringer som er så gjennomregulert som norsk jordbruk. Det er regulert gjennom lover og forskrifter og ikke minst gjennom økonomiske virkemidler. Mer enn hele nettoinntekten i norsk jordbruk kommer som bevilgning over statsbudsjettet, og jeg kan forsikre presidenten at det ikke blir delt ut en krone fra statens side uten at det er en hensikt bak. Det er gjennomregulert. Hvorfor er vi da i den situasjonen, når en har så mange virkemidler, at en er så langt vekk fra målet? grunnleggende misforholdet mellom målsetting og det som kommer fram i denne riksrevisjonsrapporten, kan umulig være en tilfeldighet. Min vurdering er at det er et resultat av en mangeårig dobbeltkommunikasjon fra departementets side overfor Stortinget. Jeg er klar over at det er sterkt sagt, men jeg prater av noe erfaring. Det er et resultat av mangeårig dobbeltkommunikasjon. En har sagt formuleringene, men har gjort noe annet. Dette kan ikke fortsette. Det kan ikke fortsette at en på dette området, og jeg skal ikke ta fram andre områder, sier én ting og gjør noe annet, når en har tilnærmet full kontroll over arenaen vi snakker om. Jeg vil derfor understreke at Stortingets mål om at 15 pst. av produksjon og forbruk av jordbruksvarer skal være økologisk i 2020, fra Senterpartiets side står fast, og det må gjennomføres. Hvis det ikke står fast og skal gjennomføres, må Stortinget fortelle at og så får en fortelle forbrukerne at Det norske storting har lagt målet for økologisk jordbruk på et lavere og mindre ambisiøst nivå enn det som ble fastlagt for mange herrens år siden. Dette er bakgrunnen for at Senterpartiet fremmer forslag, som har fått tilslutning fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Vi ber ut fra det jeg nå beskriver, om at regjeringa kommer tilbake til Stortinget på egnet måte høsten 2016. Ja, det er krevende, men det henger sammen med at det her er sagt så mye og gjort så lite over så lang tid, at nå må departementet skjerpe seg. Nå må en skjerpe seg, en kan ikke bare sitte her og snakke uten å gjennomføre ting. Da må vi få en konkret handlingsplan som omfatter generisk markedsføring, kunnskapsbasert informasjon og rådgivning om økologisk jordbruk til både gårdbrukere og forbrukere, økt offentlig innkjøp, nødvendig økte økonomiske stimuleringstiltak, for dette gjør seg ikke sjøl. Det er meget krevende å drive økologisk produksjon, og det krever stor innsats og stor faglig dyktighet, og da må en få økonomisk mulighet til å leve av arbeidet som er så viktig framover. Til slutt må vi få en forenkling av regelverket for økologisk produksjon og foredling, slik at Stortingets mål nås i 2020. Jeg vil si det sånn at hvis forslaget jeg nå har presentert hovedinnholdet i, ikke får subsidiær støtte nemlig Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, så vil det være helt uklart om Stortinget mener at målet for økologisk produksjon og forbruk skal nås i 2020. Jeg regner med at Riksrevisjonen er enig med meg i at det er en slik klargjøring må ha, slik at en vet hva som er Stortingets reelle mening om saken. Dermed kan vi få en åpen debatt og et åpent ordskifte, og folk kan velge hvem som ivaretar denne delen av politikken på den mest framtidsrettede måten. Tok representanten Lundteigen opp forslaget? Jeg tar opp forslaget fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Da har representanten Per Olaf Lundteigen til. Først og fremst må jeg få beklage at jeg kommer noe sent inn i salen til denne saken. Ikke som en unnskyldning, men forklaringen er at naturen av og til krever sitt etter inntak av diverse landbruksprodukter. Denne saken dreier seg om Riksrevisjonens for å nå måla om økologisk landbruk». Stortinget har hatt mål for økologisk landbruk siden 1999, da det ble satt som mål at 10 pst. av det totale jordbruksarealet skulle være lagt om til økologisk drift innen 2010. I 2005 ble målet endret til at 15 pst. av produksjonen og forbruket skulle være økologisk innen 2015. I 2010 ble tidsperioden forlenget til 2020. Som det framgår av Riksrevisjonens rapport, er den økologiske produksjonen i Norge langt under målet, og målet vil vanskelig bli nådd innen tidsfristen, 2020. Komiteens flertall har merket seg at det økologiske regelverket er et forhold som Riksrevisjonen påpeker som en mulig årsak til at økologisk matproduksjon ikke har en større markedsandel. Riksrevisjonen framhever at regelverket er komplekst og uoversiktlig. Regelverket for økologisk produksjon, videreforedling og merking er gjort til en del av EØS-avtalen. Dagens forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler av 2005 – økologiforskriften – er basert på en EU-forordning fra en rekke endrings- og gjennomføringsforordninger. Flertallet i komiteen antar at den viktigste årsaken til at målet for økologisk matproduksjon ikke nås, er at etterspørselen etter økologiske matvarer er for lav i Norge. I dag må deler av den økologiske produksjonen selges som ordinære varer. Flertallet viser til at norskprodusert mat generelt har rykte på seg for å være trygg å spise, antakelig mye fordi det norske landbruket er i verdenstoppen hva gjelder renhet i produksjonsprosessen. Blant annet benyttes det lite antibiotika i norsk husdyrproduksjon, noe som medvirker til at norsk landbruk er lite utsatt for Det kan også være med på å forklare hvorfor konvensjonelt dyrket mat holder så god stand i forhold til økologisk mat. I denne sammenheng spiller også pris en avgjørende rolle. Økologisk mat er generelt dyrere enn konvensjonelle varer. En samlet komité viser til at Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet utarbeider en oppdatert, helhetlig strategi for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk som part i landbruksoppgjøret kommer med stimuleringstiltak som i større grad bidrar til økt økologisk produksjon tar initiativ til økt innkjøp av økologisk mat i det offentlige bruker generisk markedsføring og kunnskapsbasert for å øke forbruket av økologiske matvarer Flertallet i komiteen viser til at statsråden er enig med Riksrevisjonen i at det er behov for en ny og helhetlig strategi, og at en da vil vurdere hvordan og hvilke initiativ som skal bli tatt overfor andre departementer og virksomheter for å fremme økologisk mat i private og økologiske storhusholdninger. Flertallet har merket seg at statsråden mener det er ressurskrevende å påvirke forbrukerne til å velge økologisk mat gjennom generiske markedsføringskampanjer, og at en i stedet bør legge vekt på informasjon til forbrukerne i det videre arbeidet på området. Med dette anbefaler jeg innstillingen fra komiteen.

Målet for Riksrevisjonens undersøkelse har vært, som saksordføreren har redegjort for, å finne ut om Landbruks- og matdepartementet gjennom styring og virkemiddelbruk har lagt til rette for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk. Sjelden har vel en undersøkelse gjort av Riksrevisjonen Utviklingen er ikke i samsvar med målene, og det er ikke lagt til rette for å øke den økologiske produksjonen, og heller ikke for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat. Selv statsråden skriver at han er enig i at utviklingen for økologisk produksjon og forbruk per i dag ikke er i samsvar med målsettingen. Riksrevisjonen mener det er uheldig at den økologiske produksjonen og forbruket fremdeles er så langt fra målene. Det er vi i Arbeiderpartiet helt enig i. Det er faktisk slående hvor langt unna vi er. Samtidig avdekker Riksrevisjonens undersøkelse at folk i større grad enn for bare for få år siden er opptatt av økologisk mat. Fra 2013 til 2014 var det en vekst i dagligvarehandelen på nesten 30 pst. På samme tid har omfanget av areal som er under omlegging fra konvensjonelt til økologisk landbruk, gått ned siden 2009. Denne ubalansen kan oppå det hele føre til økt import av jordbruksprodukter som kan bli produsert i Norge, som kjøtt og korn. Tallene bekrefter utviklingen. Omsetningen av økologisk kjøtt ble syvdoblet i perioden fra 2006 til 2014, mens kjøttproduksjonen bare økte med 0,6 pst. Økologiske kornprodukter og bakervarer ble doblet i samme periode, mens kornproduksjonen steg med Når det i tillegg viser seg at bare 27 pst. av det norskproduserte økologiske kjøttet og halvparten av melken blir merket som økologisk, må man som ikke-ekspert spørre seg hva som gikk galt, og hva som bør gjøres. Riksrevisjonen har kommet med en rekke tilrådninger til Landbruksdepartementet som sikkert vil være en god start på dette. Det handler i korthet om å lage en helhetlig strategi, øke produksjon og rekruttering og hindre frafall gjennom stimuleringstiltak, ta initiativ for å øke offentlige innkjøp av økologisk mat og markedsføre det økologiske landbruket bedre. Arbeiderpartiet viser sammen med komiteens flertall til at statsråden er enig med Riksrevisjonen i at det er behov for en ny, helhetlig strategi, og at en da vil vurdere hvordan og hvilke som skal bli tatt overfor andre departementer og virksomheter for å fremme økologisk mat i private og økologiske storhusholdninger. Vel så viktig er det at flertallet mener at denne helhetlige strategien er et viktig tiltak som bør ligge til grunn for alt videre arbeid på området, at de andre anbefalingene fra Riksrevisjonen blir nærmere vurdert når strategien utarbeides, og at andre relevante aktører trekkes inn i arbeidet, slik at også tiltak som ligger utenfor landbruks- og matministerens område, tas med. Arbeiderpartiet mener også – i likhet med Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne at det er viktig å sikre tilstrekkelig tilskudd til omlegging til produksjon av økologisk kjøtt og melk for å møte etterspørselen etter disse produktene. La meg starte med å referere til Kristelig Folkepartis utmerkede partiprogram. Der står det bl.a.: «Matvareproduksjonen i Norge skal baseres på en miljø- og ressursvennlig utnyttelse av lokale ressurser.» Det står videre: «Derfor må grovfôrbaserte produksjoner prioriteres fremfor dem som krever økt innførsel av Miljø- og ressursvennlig utnyttelse må være en viktig stolpe i norsk landbruk. Forvalteransvaret forplikter. Forvalteransvaret forplikter oss til å ivareta ressursgrunnlaget slik at vi kan overføre jorda og et godt grunnlag for matproduksjon også til kommende generasjoner. For Kristelig Folkeparti er ansvarlig og bærekraftig miljø- og ressursforvaltning Det er en del av den helhetlige økologiske tankegangen som må prege oss i enda sterkere grad framover. Heldigvis ser vi noen tegn i tiden på at økologisk mat er i vinden. Mange etterspør mat uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer. Stadig flere forstår at økolandbruk tar vare på livet i jorda og gir større biologisk mangfold. Vi ser en økt bevissthet om hva vi spiser, hva vi putter i oss av kunstige tilsetningsstoffer. Dette er grunnleggende positivt. Økt innslag av økologiske matprodukter på forbrukernes bord vitner om en større bevissthet enn tidligere knyttet til helse og miljø. Ikke minst ser vi en økende bevissthet knyttet til dyrevelferd hos norske forbrukere. Det er positivt. Kristelig Folkeparti stiller seg bak Stortingets mål om at 15 pst. av produksjonen og forbruket skal være økologisk i 2020. Dette målet, som ble fastsatt i 2010, er fortsatt det som gjelder som en politisk forpliktende målsetting. Som også Riksrevisjonens rapport viser, er det en lang vei å gå på dette området, men det er altså noen positive tendenser. Forbruket av økologisk mat øker, og vi er på rett vei. Riksrevisjonen har i sin rapport vurdert om Landbruks- og matdepartementet gjennom styring og virkemiddelbruk har lagt til rette for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk på en god måte. Det er flere interessante funn her. Riksrevisjonen mener bl.a. at stimuleringstiltakene ikke er tilstrekkelige for å øke den økologiske produksjonen. Det bidrar ifølge rapporten til en utvikling som gjør det vanskeligere å hindre frafall og å rekruttere nye økologiske bønder. Det pekes videre på at myndighetene ikke har lagt godt nok til rette for å øke forbruket av økologisk mat i offentlig sektor. Dette er et punkt vi kan merke oss. Stat og kommuner bør i større grad bruke sin innkjøpsmakt og stille krav om innkjøp av økologisk mat. Det viser seg altså at kun en fjerdedel av offentlige kunngjøringer i 2014 stilte krav om at økologisk mat skulle inngå i tilbudet. Stat, fylke og kommune må gå foran og bruke sin innkjøpsmakt. Men en hovedoppgave framover vil nok fortsatt være å stimulere og motivere den alminnelige forbruker til å velge økologiske produkter. Dette handler i stor grad om tilgjengelighet og pris. Jeg merker meg at Riksrevisjonen foreslår at det utarbeides en oppdatert helhetlig strategi for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk. Som part i jordbruksoppgjøret har staten en mulighet til å sette i verk stimuleringstiltak som i større grad bidrar til å øke den økologiske produksjonen. På den måten kan staten bidra til å sikre rekruttering og forhindre frafall av økologiske primærprodusenter. Dette peker rapporten på, og det er verdt å merke seg dette. Til slutt vil jeg vise til det forslaget som Kristelig Folkeparti fremmer sammen med Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne, hvor vi ber regjeringen legge fram en tydelig handlingsplan for å øke den økologiske matproduksjonen i Norge. Vi trenger en tydelig handlingsplan, slik at vi kan få en raskere utvikling mot det målet Stortinget har vedtatt. Dersom vi skal få økt den økologiske produksjonen, og dersom vi skal få flere til å velge økologiske produkter, tror vi det vil være nyttig med en oppdatert plan med konkrete virkemidler. Riksrevisjonens rapport vil være et nyttig grunnlagsdokument i det arbeidet. Jeg tar herved opp forslaget. Da har representanten Hans Fredrik Grøvan tatt opp det forslaget han refererte til. Økologisk landbruk er viktig. Grunnen til at det er viktig, er at det handler om å ta vare på kanskje den viktigste ressursen vi har, nemlig matjorda, og behandle den på en slik måte at en kan produsere mat for framtidige generasjoner i Dette er et forvaltningsansvar som er enormt for dem som driver med jorda, men det er også et forvaltningsansvar som må ivaretas av myndighetene når de skal drive landbrukspolitikk. Det både å utvikle økologisk landbruk og å bidra til økologisering av det konvensjonelle landbruket er svært viktig. Det handler ikke om, tror jeg, at økologisk mat er sunnere enn konvensjonell mat – det strides forskningen om, så det vet jeg ikke – men for jorda er det sunnere. Og det er den vi må bevare for alle framtidige generasjoner. Derfor har Stortinget satt et slikt mål. Det var meningen at det skulle nås. Det var ikke et tulleforslag med gode ønsker for framtida, det var alvorlig ment, slik som representanten Lundteigen sa. Riksrevisjonen sier at når man ikke når målene, må man sette inn flere virkemidler – det står det i rapporten. Spørsmålet er da: Hva gjorde regjeringen da de skulle legge fram sitt landbruksoppgjør at Riksrevisjonens rapport kom? Satte de inn virkemidler i tråd med denne rapporten? Svaret er definitivt nei, det gjorde ikke regjeringen. Det var manglende satsing. Noen av tilskuddene holdes på dagens nivå, men potten til utviklingsmidler for økologisk landbruk – nå snakker jeg altså om statens tilbud i jordbruksoppgjøret skulle fryses på fjorårets nivå. Blir det mer økologisk landbruk av det? Nei. Det skulle ikke bevilges flere midler til informasjon om økologisk landbruk enn før, og informasjon har vært viktig, har vi sett i Riksrevisjonens rapport og hørt av flere andre Det skal ikke bevilges flere midler til Norsk Landbruksrådgiving, som jo er veldig nødvendig hvis man skal få både overgang til økologisk produksjon og mer økologisering av generelt, konvensjonelt landbruk. Arealtilskuddet blir som det var, med unntak av tilskuddet til økologisk produksjon av grønnsaker, der det var en liten økning. Tilskuddene til økologisk husdyrhold ble økt litt innenfor rammen, men bare innenfor en uendret bevilgning på 107,2 mill. kr i statens tilbud. Samlet avsetning til økologisk landbruk for 2017 var foreslått til 155,5 mill. kr. Det står i skarp kontrast til Riksrevisjonens anbefalinger om å styrke stimuleringstiltakene på økologisk produksjon både gjennom utviklingstiltak og produksjonstilskudd. Riksrevisjonen hadde også klare anbefalinger om behovet for en betydelig satsing på disse informasjonstiltakene hvis Stortingets mål skulle kunne nås. Det er nesten uhørt at departementet til de grader overhører denne Stortingets kontrollinstans på denne måten, uten klart å melde tilbake at man ikke ønsker å følge opp disse målene, man ønsker noe annet. Det ville jeg vært uenig i, men det ville være en politisk real sak om man gjorde det og sa at dette bryr vi oss ikke om, derfor gjør vi det ikke. Da kunne vi fått en real kamp om dette og ikke en sånn skyggeboksing som vi har nå, der alle sier at de er enige i målene, men ikke følger det opp i praksis. Veldig mange snakker også om at det er markedet som skal være styrende. Ja, nå øker etterspørselen så mye at man må øke importen. Når Stortinget bevilger penger til og ønsker å styrke økologisk produksjon i Norge, handler det om bruk av jord i Norge og norske ressurser i Norge, og ikke om å styrke økologisk produksjon i andre land. Det er kanskje ikke det verste som kan skje at man gjør det, men vi trenger denne omleggingen her i Norge. Det er mange tiltak som man trenger for å bedre dette. For eksempel trenger man å gjeninnføre og styrke omleggingstilskuddet for økologisk produksjon og innføre kompensasjon for første karensår. Man kan styrke grovfôrtilskuddet og øke beitetilskuddet. Man kan øke grøftetilskuddet for å bedre jordkvaliteten og for god agronomi og få grunnlag for god grasproduksjon. Man kan ha ulike virkemidler for økologisk korn. Man kan støtte volumproduksjon på økologisk frukt, f.eks., gjennom egne distriktstilskudd. Man kan støtte teknologiutvikling som frambringer lettere jordbearbeidingsmaskiner og høsteutstyr. Man kan øke investeringsmidlene gjennom Innovasjon Norge. Man kan øremerke midler til økologisk produksjon. Man kan øke rentestøtten til investeringer i økologisk produksjon. Man kan rydde opp i regelverket rundt økologisk produksjon, som er veldig Man kan styrke støtteordninger som vil motivere klyngedannelse og samarbeid innen økologisk drift, for det er viktig. Det er mange matentreprenører innenfor denne bransjen, og det er noe som Norge er veldig glad i, og som mange liker å smykke seg med. Turister kommer, og de ønsker å få tak i noe som er spesielt for Norge, og økologiske produkter står høyt i kurs. Så her er det mange gode ringvirkninger rundt det. Man kan styrke rådgivningen. Man kan f.eks. fastsette at staten skal kjøpe inn økologiske varer til sine kantiner, og at det f.eks. skal omfatte 50 det som serveres i statens kantiner. Det ville gi en stabil markedstilgang for mange produsenter, som de trenger for å kunne tørre å satse. Man kan øke tilskuddet til sluttprodukter som melk og kjøtt og egg og grønnsaker. Man kan øke satsingen på generisk markedsføring og informasjonstiltak, som det er forslag om her i dag, som vi håper det blir flertall for. Og man kan f.eks. ha regionalisering av økologisk merkevare og kommunikasjonsstrategi mot regionale markeder. Det er mange ting man kan gjøre utover det man gjør i dag. Nå har man gjort lite og lagt fram statens tilbud stikk i strid med de målsettingene som Stortinget har satt, etter at Riksrevisjonens rapport ble lagt fram. Det er forslag i innstillingen i dag som vi er med på, men det er helt åpenbart at det trengs flere tiltak, og jeg varsler at SV kommer med representantforslag på denne saken. Av og til er det en litt underlig opplevelse å sitte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité – i disse tider kanskje ikke bare av og til, engang. Det er forbausende når Riksrevisjonen på den måten som den gjør i rapporten om regjeringens og Landbruksdepartementets oppfølging av Stortingets mål om økologisk landbruk, til de grader påviser at departementet åpenlyst og fullstendig ignorerer det som er et stortingsvedtak, og at dette skjer systematisk over mange år. Det er rart for en fyr som meg, som er forholdsvis ny i norsk politikk. Riksrevisjonens rapport viser at regjeringens oppfølging av stortingsvedtaket om 15 pst. økologiske varer er veldig langt fra god nok og veldig langt fra engang aktive forsøk på å følge opp dette målet. Dette har økomiljøer og landbruksmiljøer i Norge påpekt gang på gang uten at det tilsynelatende har hatt noen som helst effekt. Hvorfor skal vi drive med økologisk landbruk i Norge, og hvorfor har Stortinget vedtatt at vi skal gjøre det? Det er jo ut fra en erkjennelse av at landbruksmetoder uten økologiske hensyn har for store miljøkostnader og framfor alt for store kostnader for landbruket selv over tid. Det grunnleggende prinsippet i økologisk landbruk er å drive landbruket i langsiktig balanse med ressursgrunnlaget og det biologiske mangfoldet som ethvert landbruk nødvendigvis må være en del av. Det er poenget med å fremme økologisk landbruk i Norge. I tillegg har vi også en økende etterspørsel etter økologiske varer. Vi har havnet i en situasjon hvor departementet ikke bare er totalt og bevisst i utakt med Stortingets opprinnelige mål, men det er også helt i utakt med kundegrunnlaget, etterspørselen og opinionens utvikling, som mange har påpekt. Økologiske varer etterspørres nå så til de grader at norsk produksjon overhodet ikke holder følge med etterspørselen, og vi er i den underlige situasjonen at vi må importere økologiske varer – pakket inn i tre lag plast – med fly for at vi skal få tilfredsstilt denne etterspørselen. Hvis den utviklingen som vi ser i dag, fortsetter på denne måten, vil vi om få år oppleve at heller ikke det som i dag er et noenlunde balansert produksjons- og etterspørselssystem, nemlig økologisk kjøtt og melk, kan møte etterspørselen. Det er altså nå spørsmål om faktisk å ta inn over seg at hele prinsippet, hele målsettingen, om å utvikle økologisk produksjon er i ferd med å svikte, og vi ser veldig skumle tegn på at dette skjer. Det betyr, som representanten Karin Andersen bl.a. påpekte, at regjeringen heller ikke i jordbruksoppgjøret har respondert på Riksrevisjonens forskjellige påpekninger, og det er et veldig illevarslende signal for muligheten for å stable på beina en økologisk produksjon som er i balanse med et marked, og som bidrar til å utvikle norsk landbruk i riktig retning. Det økologiske landbruket i Norge trenger et kraftig løft når det gjelder produksjonstilskudd, kompensasjon i omleggingsfasen, grovfôrtilskudd, utviklingsmidler for økologisk produksjon – en rekke forslag som har foreligget lenge, og mange av dem finnes i Riksrevisjonens rapport. Mulighetene for å ta i bruk en aktiv tiltaksliste er selvfølgelig veldig store og veldig nærliggende, og det går utelukkende på vilje til å systematisere det og prioritere det politisk. Det er ikke noe poeng i å holde et noe vesentlig lengre innlegg om dette nå. Det foreligger et forslag om det mest selvfølgelige tiltak av alle, nemlig en systematisk handlingsplan for å sette inn prioriterte virkemidler, og i rekkefølge, når det gjelder et mål om faktisk å oppfylle Stortingets vedtak og videreutvikle et grunnlag for økologisk produksjon i Norge som kan vokse. Miljøpartiet De Grønne er glad for å være med på dette forslaget, og vi håper at vi i en avstemning kan få flertall for det her i Stortinget. Det vil bekrefte at Stortinget mener det de tidligere har vedtatt, og dersom det ikke blir flertall for et slikt forslag, håper vi at regjeringen på eget initiativ vil gjøre det opplagte, nemlig å skride fra løfter til konkret handling for å oppfylle sine egne og Stortingets intensjoner.
Neste taler er representanten Tom E.B. Holthe, som er sakens ordfører.

til Sovjetunionens femårsplaner under den kalde krigen. De ble sjelden nådd, og hvis de ble nådd, var gjerne ikke resultatet i tråd med forventningene. Bøndene ynder å kalle seg næringsdrivende. Da må de også innrette seg etter markedsmekanismen som tilbud og etterspørsel representerer. Når tallene for omsetning av økologiske landbruksvarer ikke er i nærheten av politisk fastsatte mål, er det åpenbart ikke politikken på området som det er noe feil med, men kanskje målsettingen i seg selv. I tillegg til tilbud og etterspørsel er det en tredje viktig faktor som spiller inn, nemlig pris. Når en registrerer at den økologiske driftsform er mer arbeidsintensiv og gir lavere avling per dekar enn tilfellet er innenfor det konvensjonelle landbruket, har det noe å si for prisfastsettelsen. Og ved en overgang fra konvensjonell driftsform til økologisk matproduksjon – hvor mye ekstra jordbruksareal må ikke til for bare å opprettholde Noen av partiene i denne salen er bekymret for utviklingen av den norske selvforsyningsgraden når det gjelder matproduksjon. Det er fristende å spørre om hvilken målsetting som er viktigst for partiene som taler varmt for det økologiske. Er det økt matproduksjon samlet sett eller 15 pst. økologisk matproduksjon for enhver pris? Matjorda i Norge er under press. Grunnen til det er at det meste av matjorda gjerne er lokalisert rundt byer og tettsteder med voksesmerter. Vi trenger areal til offentlige formål og til boligbygging til en stadig voksende befolkning. Vi trenger også areal til utbygging av infrastruktur for å flytte oss fra A til B. Løsningen blir gjerne fortetting og bygging i høyden for å unngå ytterligere nedbygging av matjord. Men en har registrert lokalt at de partier som gjerne skulle sett at jordvernet var grunnlovfestet, ikke nødvendigvis er de partier som står sterkest på krav om fortetting. Noen ynder å tegne et skremmebilde av at vi ikke kan overlate til markedet å være med på å bestemme utviklingen av det økologiske landbruket, men markedet består ikke av andre enn deg og meg, der vi daglig gjennom våre preferanser for matvarer i dagligvarehandelen velger hva som skal havne på vårt bord. Noen av oss er veldig opptatt av økologisk når vi velger matvarene, men den gjengse nordmann ser nok på prisen før matvarene endelig havner i handlekurven, mens vi går mellom butikkreolene. I Norge holder matvarer fra konvensjonelt landbruk en høy kvalitet, og Fremskrittspartiet er opptatt av at konvensjonell matproduksjon ikke skal prates ned. Det virker noe rart når en i store deler av verden snakker om manglende eller mangelfullt innhold av næringsstoffer i maten og i de verste tilfellene snakker om matmangel, mens vi i Norge i 2016 sitter og krangler om hvorvidt maten er økologisk nok. Det virker på meg meget besynderlig. Fremskrittspartiet er opptatt av å gi landbruket langsiktige og forutsigbare rammevilkår, uavhengig av om produksjonen skjer på konvensjonelt vis eller økologisk vis. Fremskrittspartiet utelukker ikke at økologisk landbruk vil kunne øke med tiden, men den største veksten vil nok trolig skje innenfor konvensjonelt landbruk. Slik sett vil nok økologisk matproduksjon kunne være et godt supplement til konvensjonell matproduksjon. Fremskrittspartiet er opptatt av å gi bonden gode vilkår, slik at han eller hun kan legge opp driften sin til å bli lønnsom og til å kunne gjøre det han eller hun kan best: produsere mat av høy kvalitet til ditt og mitt bord. Ein samla norsk matproduksjon er basert på og bygd opp rundt at den enkelte bonden sjølv produserer det han meiner det er Som representanten Lundteigen frå Senterpartiet var inne på, er det slik at norsk landbruk i stort er ganske godt regulert. Det er til og med så godt regulert at fleire av oss har hatt ønske om å liberalisere store delar av det. Men i denne reguleringa ligg altså for all konvensjonell produksjon ei forståing av at produksjonen er sett i samanheng med kva som er etterspurt i tilnærming til korleis vi vel å stimulere produksjonen på ulikt vis. Det gjer at vi har marknadsreguleringsordningar, det gjer at vi har marknadsbalanseringsordningar, og det har det vore brei tilslutning til i Stortinget, spesielt frå dei partia som i dag kritiserer at produksjonen av økologisk mat i stort er kopla opp mot kva som For det er den grunnleggjande utfordringa vi står overfor: Korleis sørgjer vi for at vi produserer den maten som forbrukarane etterspør? Riksrevisjonen peikar på at ein ikkje har nådd målsetjinga om at 15 pst. av norsk jordbruksproduksjon og 15 pst. av forbruket skal vere økologisk innan 2020. Eg er einig i at det er eit ambisiøst mål, eg er einig med dei som har sagt det tidlegare, og det vil vere krevjande å nå det. Samtidig trur eg at eg skal vere ærleg på at eg meiner det er nødvendig at det er ein balanse mellom desse to 15 pst.-måla. Dersom det ikkje er forbruk og etterspørsel, bør vi produsere konvensjonelt. Dersom forbruket endrar seg og etterspørselen går opp, bør produksjonen følgje med. Det har vore det berande i norsk jordbrukspolitikk over tid, at vi innrettar politikken slik. Då kjem vi til kjernen av det som er Riksrevisjonens konklusjonar, og det er samanhengen mellom det som er etterspurt og det som er produsert, opp mot Stortingets målsetjing. Eg registrerer kritikken av Landbruks- og matdepartementet frå ulike representantar i salen i dag. Samtidig føler eg behov for å klargjere at det er den regjeringa som til kvar tid sit, som svarer for desse måla og måloppnåinga. Det gjer at denne regjeringa er ansvarleg for dei to åra som vi har regjert, og som omfattar denne perioden. Og det betyr at Senterpartiet er ansvarleg for dei andre åtte åra i perioden. Eg reagerer på at representanten Lundteigen så tydeleg seier at det er bevisst dobbeltkommunikasjon frå departementet over tid, og at departementet på bakgrunn av det må skjerpe seg. Ein slik kritikk av eiga regjering, som sat frå 2005 til 2013, er det lenge sidan eg har høyrt. Samtidig er det slik at eg tek på alvor den oppgåva som Landbruks- og matdepartementet har, om å nå dei måla Stortinget har sett seg. Det skal vi gjere fortløpande. I årets jordbruksavtale som er inngått mellom staten og Norges Bondelag, men som endå ikkje er sluttbehandla i Stortinget, meiner eg at vi brukar noko av det økonomiske handlingsrommet vi har, til på nytt å stimulere den økologiske produksjonen. At det ikkje er nok til allereie i 2017, trur eg vi kan leggje til grunn, men det er eit bevisst politisk val å vri stimulans over på auka produksjon der det er marknadsmoglegheiter. Men det er også slik at om lag halvparten av den mjølka vi produserer som økologisk mjølk, vert slått i lag med den konvensjonelle og selt som konvensjonell vare. To tredelar av kjøtet som vert produsert, gjer vi det same med i vi flyttar det frå økologisk-merket, riv merkelappen av dyra etter at dei er slakta, og blandar det i konvensjonell produksjon – fordi det er manglande etterspørsel. Og då er spørsmålet som også Stortinget kjem til å verte invitert til ein debatt om: I kva grad skal den økologiske målsetjinga hengje saman med den etterspørselen som er i Eg kjem til å drøfte dette i den jordbruksmeldinga regjeringa kjem til å levere i neste stortingssesjon, fordi eg meiner dei er relevante, dei innvendingane som også representanten Lundteigen og representantar frå både SV og Miljøpartiet Dei Grøne kjem med i dag, nemleg at det bør vere ein samanheng mellom dei måla Stortinget set, og kva som er realistisk å oppnå, på den eine sida, men eg meiner det er grunnlag for å kople det tett på i marknaden. Økologisk produksjon er i vinden, sa representanten frå Kristeleg Folkeparti. Det er iallfall slik at fleire og fleire etterspør nye sortiment i økologisk produksjon. Det gjer at eg trur at vi vil ha behov for å auke produksjonen av økologiske matvarer i framtida, og eg trur det er lurt at vi brukar den økologiske produksjonen som ein læringsarena for det konvensjonelle jordbruket. Men det er openbert også slik at noko av det beste vi har med norsk matproduksjon, er høg tillit blant forbrukarane når det gjeld måten vi produserer maten vår på. Vi produserer ikkje mat i det som enkelte likar å definere som eit industrialisert jordbruk i Noreg. Vi produserer basert på dei ressursane